Ja, de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

helt i tråd med landbruksmeldingens målsettinger. Opposisjonspartiene har en rekke forslag i saken, men det er bare Fremskrittspartiet som fremmer forslag om å avvise avtalen. Alle de andre stiller seg bak den. Jeg tar det for gitt at opposisjonspartienes representanter selv fremmer sine ulike forslag. Landbruksmeldingens målsetting om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten er helt sentral. Avtalen trapper ytterligere opp satsingen på korn, storfekjøtt og grøntsektoren, og det blir økt produksjon på områder der markedsmulighetene er gode. Så er det viktig med god lønnsomhet, av hensyn til både rekruttering og videreutvikling. Der er vi vel ikke helt ennå, men vi er på god vei. Vi iverksetter tiltak i tråd med landbruksmeldingen og med kanaliseringspolitikken som et sentralt virkemiddel. Sammen med grensevernet er det denne politikken som underbygger våre muligheter til å ha landbruk i hele landet. I samhandling med landbruket vil vi i regjeringspartiene arbeide for å videreutvikle landbruket, hensyntatt alle de muligheter og utfordringer vår varierte natur og vårt klima byr på. Det er derfor satsingen på opplæring og kompetanse også må forsterkes. Jeg er tilfreds med at bøndene nesten uten unntak definerer årets avtale som en god avtale, ja som et gjennombrudd for å sikre tilfredsstillende lønnsomhetsutvikling i landbruket. landbruket. Dette står i grell kontrast til høyrepartienes virkelighetsoppfatning og beskrivelse av avtalen. Jeg er godt kjent med at situasjonen for næringen ikke er rosenrød – det er rikelig med utfordringer. Og selv om mye rettes på nå, med bedre avskrivningsregler, skatteendringer osv., må det også bli enklere å finansiere investeringer for å utvikle og modernisere Der er vi ikke i mål. Men den største trusselen landbruket står overfor, etter mitt syn, er muligheten for et regjeringsskifte. Slik høyrepartiene formulerer landbrukspolitikken, vil det bli dramatisk. Store kutt i overføringer og prioritering av større enheter der lønnsomheten er best for jordbruket, vil få store strukturelle konsekvenser og føre til nedbygging av distriktslandbruket. Så vil jeg peke på skogbruket. Hele verdikjeden står i en meget krevende situasjon. Regjeringen følger situasjonen nøye og har kommet med viktige tiltak i både fjorårets og årets reviderte nasjonalbudsjett. Gårdsskogbruket må spille en mer verdiskapende bl.a. på Vestlandet og nordover. Både skogbruket og myndighetene må ta ansvar. I kystskogbruket er det mangel på infrastruktur. Det mangler også tradisjon og kultur for samarbeid. Det er derfor viktig å prioritere virkemidler til kystskogbruket innenfor en helhetlig ramme i dialog med skogeierne og slik at styringsgruppen for kystskogsatsingen har en sentral rolle. Avslutningsvis anbefaler jeg Stortinget å stemme for årets jordbruksoppgjør.

Også i år var det et stort sprik mellom det kravet som ble framlagt av bondeorganisasjonene, og det tilbudet som kom fra staten. Tilbudet fra staten er på ca. halvparten av det opprinnelige kravet fra bondeorganisasjonene. Fremskrittspartiet er av den formening at det må innføres et normalt markedsbasert system for landbruksprodukter som styres av tilbud og etterspørsel. Ved underdekning i markedet vil produsenten kunne ta en høyere pris, mens forbrukeren kan velge andre produkter dersom prisen på et produkt er for høy. Da vil prisene på produktene variere i takt med markedet, og produsentene må være markedsorientert i sin produksjon. I en situasjon som i dag, der forbrukerne etterspør mer enn det norske bønder kan produsere, vil et markedsbasert system bidra til en høyere produksjon. I et markedsbasert system vil det også oppstå konkurranse mellom produsentene, noe som vil føre til bedre produkter, innovasjon og mer kostnadseffektiv produksjon. Dette vil bidra til bedre inntektsmuligheter for de produsenter som er dyktige og innovative, og som er gode forretningsmenn. Vi mener at markedsbaserte systemer fungerer i alle andre markeder, og at det derfor ikke er noen grunn til å unnta landbruket fra disse. Det er sterkt beklagelig å registrere at siden årets jordbruksoppgjør ble lagt fram så sent i sesjonen, tillot ikke det at man kunne avholde komitéhøring i saken,

Når det er for mye eller for lite egg, gjøres automatiske grep i verdikjeden for å forsøke å tilpasse etterspørsel og utbud. Det kan være prisjusteringer med sikte på å øke eller redusere salg. Andre tiltak er f.eks. endring av pakningsformat, design, kvalitetssorteringer, endret plassering i butikk, tilpasningen i produksjonen i eggproduktfabrikkene, import Markedet for egg er ikke statisk, men i stadig utvikling og forandring. Verken for forbrukerne eller for eggsektoren er «et egg et egg» lenger. I dag er det flere kvaliteter som de fleste aksepterer at ikke uten videre kan substituere hverandre i markedet, jf. kvaliteter som økologisk, frittgående, miljøbur, solgul plomme, ferdigkokt uten skall etc. Det er en feilslutning å konkludere med at når Nortura definerer at bedriften har overskudd av egg, så er det for mye egg i markedet. Ikke minst fordi det gjerne er reguleringstiltak som igangsettes på prognoser. De feilmarginene vi ser i dagens markedsprognosering, tilsier at disponeringer som markedsregulator foretar med utgangspunkt i disse, kan påføre de private eggpakkeriene store utfordringer. I tillegg er det slik at praktiseringen av regelverket innebærer at private eggpakkerier som ønsker å benytte seg av forsyningsplikten, på månedsbasis avgi sensitiv informasjon om bedriftens markedsposisjon til sin største konkurrent. Samtidig blir de avskåret fra å bruke markedsreguleringen i måneder de kjøper egg fra Nortura. Til sammen fører dette til en voldsom konkurransevridning. Dette forsterkes ved at Nortura kan benytte den fellesfinansierte markedsreguleringen til å balansere sitt eget volum i forhold til mengde og kvaliteter. De private aktørene må alltid tilpasse seg markedet for å sikre seg avsetning. Nortura kan velge felles finansiert regulering for å tilpasse sin produksjon og kvalitetsportefølje til markedet til ulik risiko. Som «mottakspliktprodusenter» vil de få oppgjør etter det som kan karakteriseres som en basispris på egg. For mange produsenter vil et slikt prisnivå ikke gi grunnlag for å drive økonomisk forsvarlig videre. Med andre ord: Man kan ikke drive forsvarlig videre med systemet i dag.

viser til at målprisøkningene i jordbruksoppgjøret i betydelig grad lar seg gjennomføre med bakgrunn i at regjeringen vedtok prosenttoll på noen tollinjer vedrørende ost og kjøtt i forbindelse med statsbudsjettet i 2013. Da er det med forbauselse vi kan lese statsrådens brev til komiteen, der det framkommer at prisøkningen i jordbruksavtalen ikke kan knyttes direkte til de seks varelinjene som fikk økt tollvern. Landbrukspolitikk er komplisert, og oppgjøret er også forholdsvis komplisert. Her er det så komplisert at man ikke har klart å kommunisere innad i regjeringsfraksjonene hva som kan være grunnlaget for prisøkningen og de tallene som ligger der. Det er merkelig. Når vi i tillegg vet at en del av de tolløkningene som kom, har vært omstridt – ikke veldig omstridt i forhold til jusen, men omstridt i forhold til prosess der. Det er merkelig. Når vi i tillegg vet at en del av de tolløkningene som kom, har vært omstridt – ikke veldig omstridt i forhold til jusen, men omstridt i forhold til prosess – og når vi vet at vi i et betydelig marked som EU blir oppfattet som i overkant proteksjonistisk, er det med undring vi registrerer at man her er så vidt uenig internt om hvilke mekanismer som gjelder, hvilke satser som er vedtatt, og framfor alt hvilken virkning på sin plass å forbedre prosessene de gangene vi skal endre tollvernet, slik at de er begrunnet og bedre forankret hos våre handelspartnere. Vi vil også kommentere at oppgjøret kommer så sent at vi må gå på akkord med de tradisjonelle demokratiske prosessene, som f.eks. høring, i denne typen saker. Det burde kunne ha vært her tidligere, slik at vi i komiteen hadde fått den vanlige prosessen som vi har brukt å Jeg vil også kjapt kommentere endringen i den lokale selvråderetten. Vi har opplevd – underlig nok med Senterpartiet i regjering – at sentralmakten blir sterkere og at arealspørsmål nå i større og større grad blir tatt inn til sentrale styresmakter og avgjort der. Vi svekker altså det lokale selvstyret og lokaldemokratiet, underlig nok, med et så så distriktsprofilert parti som Senterpartiet i regjering. Så skal jeg kort nevne litt om prisutjevningsordningen på melk. Der er det sånn at man i det store ikke klarer å se et konkurransebilde. Man innførte prisutjevningsordningen og la inn elementer i den for å øke konkurransen innenfor meierisektoren, slik at man over mange år har prøvd å ha ordninger der vi skal sørge for at det er flere aktører. Vi har Q-meierier og vi har TINE. Det burde være slik at ordningen var så god og konkurransen så god at det dukket opp enda flere aktører, i alle fall er det slik for Høyre at det er bekymringsfullt at vi nå svekker konkurransen med den forskriftsendringen vi får innenfor prisutjevningsordningen for melk. Avslutningsvis vil jeg ta opp de forslagene vi leverer fra Høyre. Det ene går på å justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret slik at det følger kalenderåret, følger det vanlige budsjettåret. Det andre er at vi fra Høyre foreslår å avvikle de norske eksportsubsidiene til osteproduksjonen gjennom omsetningsavgiften. Representanten Frank Bakke-Jensen har tatt opp de forslagene han refererte til. Jordbruksforhandlingane og hovudavtalen for jordbruket er

Sentrale mål i landbruksmeldinga er mattryggleik, landbruk over heile landet, auka verdiskaping og berekraftig landbruk. Meldinga legg opp til auka matproduksjon, samtidig som ho legg stor vekt på bruk av nasjonale ressursar som grovfôr og beite. Landbruket er også viktig leverandør av mange samfunnsgode, og det er basis for mange lokalsamfunn kring om i landet. Inntektsutviklinga har vore eit sentralt element i jordbruksforhandlingane. Partane er samde om at inntektsutviklinga dei siste åra har vore i samsvar med føresetnadene i oppgjera. Avtalen i år gir grunnlag for ein inntektsvekst på 31 000 kr per årsverk. Ein del av inntektsveksten kjem frå auke i målpris. Dei tolljusteringane som blei gjennomførte i samband med statsbudsjettet for 2013, er ein viktig føresetnad for denne inntektsauken. Ei god inntektsutvikling også i åra som kjem er viktig for å nå målsettingane i landbrukspolitikken. Det er viktig for å sikre rekrutteringa til landbruket, og det er viktig for å oppretthalde dyrka areal og matproduksjon. I landbruksmeldinga blei det peika på at vi står overfor store utfordringar i delar av Agder/Telemark, kyst- og fjordstrøka på Vestlandet, Nord-Noreg og fjellområda i Sør-Noreg. Partane i jordbruksoppgjeret har i år blitt samde om å setje ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på på korleis vi kan målrette verkemiddel mot bruk eller område med spesielle driftsulemper. Det gjeld f.eks. bratt areal, små teigar eller kantsoner. SV ser fram til at dette utvalet kjem opp med konkrete forslag som kan bidra til at areal med spesielle driftsulemper blir haldne oppe og blir vidareførte med drift. Det er viktig for å og det er viktig for eit aktivt landbruk over heile landet. Landbruksmeldinga la vekt på matproduksjon basert på nasjonale ressursar som grovfôr og beite. Det er viktig for å få god ressursutnytting av nasjonale ressursar, og det er viktig for å gjere oss mindre avhengige av importert fôr. Derfor har regjeringa dei siste åra styrkt den grasbaserte husdyrproduksjonen. I år er partane samde om å auke tilskotet til beite og til utmarksbeite. SV er opptatt av å legge til rette for auka bruk av grovfôr og beite, som er viktige nasjonale ressursar. Matkjedeutvalet dokumenterte ein sterk maktkonsentrasjon på distribusjonsleddet og detaljleddet. I tillegg har vi ofte sterk vertikal integrasjon. Dette kan true landbrukssamvirket og marknadsreguleringa som er ein viktig del av den norske landbrukspolitikken. Matkjedeutvalet tilrådde å etablere ei lov om god handelsskikk. Regjeringa sette ned eit lovutval som samrøystes foreslo å etablere ei slik lov. Det er viktig å følgje opp dette arbeidet for å redusere dei uheldige utslaga av maktkonsentrasjon. Opposisjonspartia brukar stor plass på å kritisere landbrukspolitikken til regjeringspartia. Men dei burde kanskje sjå litt på kvarandre. Det er interessant, men også urovekkjande, å registrere det veldige spriket mellom regjeringspartia på dette området. Kristeleg Folkeparti legg seg tett opp til regjeringa i sin politikk. Men Framstegspartiet held fram med sin raseringspolitikk. Dei kuttar dramatisk i overføringane og vil i tillegg svekkje tollvernet. Med ein slik politikk vil distriktslandbruket forsvinne, og vi vil få eit sentralisert Dermed vil den reelle sjølvberginga bli sterkt redusert, og vi vil kome i ein situasjon med dårleg mattryggleik. Vi kan vel sjå for oss bønder på Austlandet, på Jæren og kanskje i nokre område til, som stort sett fôrar opp med mais frå Brasil, eller med andre importerte råvarer. Det er ikkje eit landbruk som SV ser fram til. Men ikkje nok med det, når bøndene flyttar frå ei bygd, kan heile bygda bli lagd ned. Det er faktisk slik at Framstegspartiet er i ferd med å endre noregskartet gjennom den raseringa av landbrukspolitikken dei legg opp til. Høgre er som i alle andre samanhengar i denne valkampen meir utydelege. Det er litt vanskeleg å få tak i om dei legg seg på Framstegspartiet si linje, eller berre legg seg litt imellom utan å vere tydelege. Det som er heilt klart, no skal Kristeleg Folkeparti få litt av ein jobb for å trekkje både Høgre og Framstegspartiet over til ein fornuftig landbrukspolitikk. Presidenten ønsker å spørre representanten Bakke-Jensen om det ikke er to forslag i innstillingen som er enestående for Høyre, og om representanten mente å ta dem opp.

president. Da er det registrert. La meg først få avvise kritikken fra Høyre og Fremskrittspartiet knyttet til høring i komiteen. Det var en samlet komité som besluttet at det ikke var behov for ordinær høring i år, men mulighet for dem som ønsket å sende skriftlige innspill. Det blir derfor helt feil når Høyre og Fremskrittspartiet gjør et poeng av dette i denne debatten. Så til I Senterpartiet er vi svært glad for at vi i år har kommet fram til enighet med landbruket om en jordbruksavtale. Spesielt er det godt at vi har fått en avtale med begge fagorganisasjonene. Årets avtale er solid og framtidsrettet og legger til rette for økte inntektsmuligheter for dem som produserer mat, og for økt matproduksjon. Jordbruksoppgjøret handler i bunn og grunn om hva slags mat norske familier skal spise. Det handler om norske arbeidsplasser, og det handler om at Norge fortsatt skal være det landet vi kjenner. Senterpartiet slår ring om de tre bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk, som er tollvernet, jordbruksoppgjøret og samvirkets rolle. Alle disse tre bærebjelkene står på valg til høsten. Forsvinner disse bærebjelkene, betyr det slutten på norsk landbrukspolitikk slik vi kjenner den, og det vil gi et helt annet og mye svakere landbruk. En inntektsvekst på 31 000 kr per årsverk viser en regjering som har troen på norsk matproduksjon også i Avtalen gir en forbedring av inntektsmulighetene, som er et hovedvirkemiddel for å nå de landbrukspolitiske målene. Dette er en viktig start for oss i Senterpartiet, og vi vil selvsagt fortsette dette avgjørende arbeidet. Vi håper avtalen kan skape en tro på at regjeringen mener alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser, og vi registrerer at bl.a. Norges Bondelag bekrefter at dette er en bedre avtale av tollendringene Senterpartiet fikk gjennomslag for i fjor høst, har det i årets jordbruksoppgjør vært mulig å øke prisene på en del jordbruksprodukter. Alle matprodusenter nyter godt av økte priser, men de som har stor produksjon, vil tjene mer på det enn de som har liten produksjon. Hovedtyngden av budsjettmidlene i årets jordbruksoppgjør er derfor brukt på distriktsjordbruket og de minste produsentene for å gi alle utøverne i Landbruket selv fikk i årets avtale gjennomslag for sine to hovedprioriteringer, som var korn og storfe. Kornbønder som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr, får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året. På storfe, som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått et nytt kvalitetstilskudd, som vil øke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet får bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgjøret. Etter årets oppgjør må vi sette oss ned og se videre framover. Da blir det viktig å vie enda mer oppmerksomhet på utviklingen til små og mellomstore bruk. Jeg ønsker meg mer prioritering av utsatte distrikter, med vekt på melk og andre grovfôr- og beitebaserte produksjoner framover. Norsk matproduksjon er viktig. Oppgjøret gir meg tro på en framtid med fortsatt kjent, sikker norsk mat til befolkningen. Dette gir muligheter for unge matprodusenter til å fortsette, og ikke minst øke, produksjonen av trygg, mat. Før de rød-grønne tok over i 2005, hadde det vært 25 år uten reallønnsvekst i norsk matproduksjon. De sju første årene hadde vi oppgjør som ga inntektsmuligheter med omtrent samme kronevise veksten som andre grupper. Årets oppgjør kommer som følge av matmeldingen som vi la fram, og viser den retningen vi skal. Valget til høsten kan være et være eller ikke være for norske matprodusenter og tryggheten for at det vi setter på bordet, er av god og kjent kvalitet. slik at vi når målsettingene som kan sikre oss en matproduksjon i framtiden, og en trygghet for framtidig matproduksjon i hele landet. Derfor er også jordvern en svært viktig sak for oss. Målet er nå å begrense omdisponeringen til under 6 000 dekar per år. Dette er etter vår oppfatning et ambisiøst mål – de høye tallene som forelå på 1990-tallet og fram mot 2005 tatt i betraktning. Selv om vi har oppnådd mye på jordvernsiden de siste årene, er jeg enig i at vi fortsatt må jobbe hardt for å holde omdisponeringstallene nede. Det skal derfor ikke være tvil om at jordvern fortsatt vil stå svært høyt på dagsordenen for oss i

altså ikke bare en lavere inntektsvekst enn andre grupper, de sitter også igjen med mindre enn de hadde i fjor. Årets oppgjør blir betegnet som godt, og flere har stilt seg bak resultatet og gitt det ros. Jeg vil gi honnør til organisasjonene for at de i år har fått regjeringen på nye tanker og har greid å trekke årets oppgjør i riktig retning. Samtidig registrerer jeg at det forholdsvis generøse sluttresultatet later til å være en snuoperasjon vekk fra Det er påfallende at årets oppgjør, som utvilsomt blidgjør velgergrunnlaget til Senterpartiet, fikk et så fordelaktig utfall i et valgår. Jeg forutsetter at taktskiftet i politikken til regjeringen skyldes ny innsikt og økt forståelse for kravet fra organisasjonene, og ikke valgstrategi, for jordbruksoppgjøret er for viktig til å bli brukt som et instrument i valgkampen for et parti og en regjering i motvind. Kristelig Folkepartis næringsfraksjon har brukt en del tid på å gå Ved å sammenholde tall og sammenligne inntektsutviklingen i landbruket med lønnsutviklingen for alle grupper lønnsmottakere har vi kommet fram til en del interessante konklusjoner. Det er spesielt den manglende viljen til å sammenligne inntektsutviklingen i landbruket med andre grupper som gjør at regjeringens påstander om et meget godt oppgjør mildest talt blir misvisende. Nederst på side 30 i proposisjonen er det nemlig en svært interessant tabell med overskriften Lønnsutviklingen for alle grupper lønnsmottakere. Her finner vi tall fra Det tekniske beregningsutvalget for

Hvis vi sammenligner prognosen for inntektsutvikling 2012–2014 for landbruket sett under ett og alle grupper lønnsmottakere, øker gapet med ca. 500 kr i løpet av toårsperioden. Hvis vi sammenligner prognosen for inntektsutvikling 2012–2014 for referansebruk melk og storfe, 22 årskyr og alle grupper lønnsmottakere, øker gapet med hele 17 600 kr i toårsperioden.

landbruket sett under ett klarer en med nød og neppe å holde tritt med gjennomsnittlig lønnsutvikling for øvrige lønnsmottakere. Landbrukets organisasjoner har gjort sitt ytterste i forhandlingene, men lenger var altså ikke regjeringen villig til å strekke seg. Likevel finnes det også ting å glede seg over i årets oppgjør for venner av norsk landbruk: For en del grupper gir oppgjøret utvilsomt en positiv inntektsutvikling. Det gjelder spesielt produsenter av planteprodukter som poteter og korn. Også for de største melkebrukene gir årets oppgjør et godt økonomisk løft. Det er behov for økte investeringer i landbruket for Gode investeringsordninger har stor betydning for rekrutteringen til landbruket og for å nå målsettingene om økt matproduksjon og et landbruk over hele landet. Da er det nødvendig at næringen får tilgang til virkemidler som reduserer den økonomiske belastningen ved langsiktige investeringer. Kristelig Folkeparti mener derfor at det er viktig å styrke investeringsordningene i jordbruket. En investeringspakke, slik som det ble foreslått fra Jordbrukets forhandlingsutvalg, kunne ha bidratt til det. Folkeparti vil stimulere til økt egenkapital ved investeringer, og ønsker å etablere en fondsavsetningsordning med skattefordel etter mønster fra skogfondet. På denne bakgrunn tar jeg opp forslagene til Kristelig Folkeparti slik de går fram av Innst. 508 S. Der er det ett forslag fra Kristelig Folkeparti, men presidenten går ut fra at også de forslagene som ligger i Innst. 507 S, blir tatt opp. Det er seks forslag fra Kristelig Folkeparti i sak nr. 2. Skal vi betrakte dem som tatt opp? Nei, forslagene i Innst. 507 S vil bli tatt opp av Geir Jørgen Bekkevold. Nei vel, da må de tas opp Da har representanten Steinar Reiten tatt opp det forslaget som han refererte til. Når vi nå behandler jordbruksoppgjøret for 2013, er det på sin plass å stoppe opp litt og reflektere over åtte år med rød-grønn landbrukspolitikk. Hvert bruk som legges ned, er et nederlag for regjeringen, sa Senterpartiets første landbruksminister under de rød-grønne, Terje Riis-Johansen. Det har i sannhet blitt mange nederlag å fordøye. Ca. 6 500 totalt, eller mer enn to bruk per dag, er nedlagt etter åtte år med Senterpartiet i landbruksministerstolen. Allikevel tviholdes det på gårsdagens løsninger. Jeg møter stadig flere som sier at det i hvert fall ikke var noe verre å være i landbruket under den forrige regjering. Det jeg ofte får høre, er at under den forrige regjering visste bøndene hva de kunne forvente, den politikken som ble lovet, ble holdt, og det var en tydelig retning og vilje i politikken: «Vi kunne like det eller ikke, men vi visste i det minste hva vi kunne forholde oss til. Det har vært helt umulig i de siste åtte årene.» Norsk landbruk og norsk landbrukspolitikk har behov for en nyorientering. Rammebetingelsene for norsk landbruk ble utformet for flere tiår siden, og det har etter Venstres syn vært behov for en kraftig modernisering. Det er ikke egnet til å nå dagens fastsatte mål for bosetting, sysselsetting, matsikkerhet og inntektsnivå, og heller ikke til å nå Venstres mål om dyrevelferd og et mer miljøvennlig landbruk. Antallet bruk i drift og antallet aktive bønder synker raskt, og den samme utvikling vil fortsette også med årets jordbruksavtale. Venstres landbrukspolitikk tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Fremtidens landbrukspolitikk må derfor utformes slik at hver enkelt bonde får et større handlingsrom, økt frihet og med en rimelig grad av økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil derfor ha en fremtidsrettet landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger. Det er behov for en gjennomgang av hele jordbruksavtaleinstituttet, i den hensikt å endre og forenkle forhandlingene til utelukkende å handle om virkemidler som har direkte innvirkning på bøndenes inntektsmuligheter. De øvrige områdene som i dag omfattes av

Venstre ønsker en full gjennomgang av landbrukets omfattende regelverk med sikte på en kraftig modernisering, færre skjemaer, enklere retningslinjer og gradvis endring av markedsreguleringene. Unødvendig byråkrati og regelverk som vanskeliggjør bondens hverdag, skal fjernes. Konkret vil Venstre fjerne odelsretten, oppheve delingsforbudet i jordloven og ha en kraftig oppmyking i priskontroll og boplikt knyttet til landbrukseiendom. Også enkeltstående bønder må få mulighet til å organisere driften som aksjeselskap, og ellers organisere virksomheten som hvilken som helst annen selvstendig næringsdrivende eller småbedrift. Noen ord om representantforslaget om styrking av jordvernet som vi behandler sammen med jordbruksoppgjøret for 2013. Venstre vil styrke jordvernet. Jordvern er en forutsetning for at våre etterkommere skal få muligheten til å produsere egen mat på egen jord. Klimaforandringene kan endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden, og øker behovet for et styrket jordvern. Venstre vil derfor styrke jordvernet for å sikre vern mot irreversible endringer av spesielt verdifull produktiv landbruksjord. Venstre vil at jord som omdisponeres til utbyggingsformål, i størst mulig grad skal erstattes med nytt oppdyrket areal med samme produksjonsverdi. Venstre deler derfor forslagsstillernes grunnholdning, men mener at enkelte av forslagene er for detaljerte og for rigide til at vi kan komme til å stemme for dem. Venstre deler også den holdning som de fleste partier gir uttrykk for, at god agronomi, ny teknologi og nye og fremtidsrettede produksjonsformer vil bidra til å øke matproduksjonen. Venstre kommer derfor til å stemme for mindretallsforslagene nr. 1 og 2 i Innst. 507 S. Venstre kommer videre til å stemme for jordbruksoppgjøret 2013, slik vi har tradisjon for å støtte fremforhandlede

nettopp for å produsere den viktigste varen av alt, nemlig maten. Det er en enorm utfordring vi står overfor internasjonalt skal vi klare å øke tilgangen til mat med 70 pst. Og hvorfor må vi øke med så mye? Jo, fordi vi blir flere folk, og fordi det er flere som ønsker å leve som deg og meg, spise kjøtt, spise bedre ernæringsmessig, ta seg en øl, ha en bedre levestandard i Kina og India. Det gjør at verdens etterspørsel etter mat øker voldsomt, samtidig som vi går inn i en periode der klimaet sannsynligvis er i ferd med å bli mer ustabilt, slik at det å produsere mat i mange av de områdene som i dag har utfordringer, blir vanskeligere. Landbruks- og matmeldingen, Velkommen til bords, som vi diskuterte i Stortinget i fjor, begynte med det internasjonale bakteppet. Regjeringen tok først en beslutning om at ett av våre bidrag i diskusjonen om å øke verdens matproduksjon er at vi skal øke vår nasjonale matproduksjon. Den målsettingen fikk også tilslutning i Stortinget: Det er et mål at vi, med vårt lille landbruk, skal gjøre vår del i det globale løftet det er å øke verdens matproduksjon – derfor den målsettingen som begynner å få bred politisk støtte, at vi skal øke matproduksjonen i Norge med 1 pst. hvert år. Det at vi har et landbruk i Norge, gir enorme ringvirkninger. I mitt fylke, Hedmark, er 10 pst. av alle sysselsatte sysselsatt i jordbruk og næringsmiddelindustri. Det samme tallet kan en finne i Nord-Trøndelag, vi finner nesten det samme tallet i fylker som f.eks. Oppland og Sogn og Fjordane, vi finner det i distriktskommune etter stor effekt, skaper masse arbeidsplasser, skaper mye merverdi. Det opplever jeg at egentlig alle partier også er for; de roser det og sier det er flott at man har næringsmiddelbedrifter, f.eks. Tine i Elnesvågen, med alle arbeidsplassene det skaper. Men dette kommer ikke av seg selv, og det er der de politiske forskjellene er så store. Det å drive landbruk i Norge er krevende, og det krever virkemidler. Og det er ingen næring og nesten ikke noe politikkområde der forskjellene er større i denne salen. Nå vil jeg gå gjennom hva som er bærebjelkene i landbrukspolitikken: Punkt nr. 1 er toll: Landet vårt er kaldt, vått og bratt, og det er ikke lett å konkurrere med f.eks. dansk eller fransk landbruk uten toll. Man trenger en form for tollbeskyttelse. Etter at regjeringen valgte å gjøre forbedringer på det feltet i fjor høst,

Det har vært en enorm kreativitet når det gjelder å gå til angrep på det at vi skulle styrke én av bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk, nemlig tollen. Tollgrepet vi gjorde i fjor høst, har vært et premiss for årets jordbruksoppgjør, og det er den andre bærebjelken: I Norge utformer vi landbrukspolitikken i en tett dialog mellom myndighetene og næringen. Det er ikke bare én person, landbruksministeren, som definerer landbrukspolitikken. Det gjør han sammen med litt over 40 000 bønder, som er organisert gjennom bondelag og småbrukarlag. Vi diskuterer sammen hvilke løsninger vi skal klare å få til, og hvilken kurs man skal stake ut framover. Takket være tollgrepet i fjor høst kunne vi i år legge fram et opplegg som ga en reell mulighet for inntektsøkning. Det var et løft som var 12 000 kr høyere enn for andre grupper, fordi det var nødvendig hvis vi skal nå målsettingen om at vi på sikt skal øke matproduksjonen i Norge med 1 pst. hvert eneste år. I fjor høst så vi Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre angrep tollendringen. I innstillingen nå og før i debatter har Høyre og Fremskrittspartiet angrepet jordbruksavtalesystemet med full kraft; de ønsker ikke å ha den tette samhandlingen med næringen som vi har nå. De ønsker å flytte jordbruksavtalesystemet fra våren, og det skal bli en del av den ordinære budsjettprosessen på høsten. Det vil svekke landbrukets makt og innflytelse over landbrukspolitikken. Den norske modellen, at vi har klart å ha dette tette samarbeidet mellom næring og stat, har vært en suksess. Hva Høyre og Fremskrittspartiet mener om samvirkets rolle, er godt kjent. Forskjellene er veldig klare. Årets oppgjør var et oppgjør der regjeringen viste vilje til opptrapping. I de sju foregående årene gikk vi fra en periode der det å få en kronemessig lik utvikling, nesten var en umulig tanke. Men det har vi klart i perioden fram til årets oppgjør. Det har vært en kronemessig lik utvikling mellom jordbruket og andre grupper. I år klarte vi å gi det ekstra løftet, med 12 000 kr mer. Det er et steg i riktig retning, og vi skal fortsette i fire nye år. Det blir replikkordskifte. En tidligere statsrådkollega av statsråden har uttalt at hvert nedlagt bruk er

utviklingen? Ser ikke statsråden at den politikken man har ført, har spilt falitt? For det første er ikke premissene i spørsmålet riktige. Jeg er litt overrasket over krokodilletårene til representanten fra Fremskrittspartiet når det gjelder antallet nedlagte bruk, når jeg vet hvilken politikk Fremskrittspartiet det gjelder fjorårets budsjett, hvor de kutter 5 500 mill. kr i overføringer. Det går ikke an å måle suksessen i norsk landbruk etter hvor mange timers arbeid som blir nedlagt i norsk landbruk, for det er ingen tvil om at da bestefaren drev gården med hest i starten, brukte han flere timer på å drive gården enn det jeg gjør i dag med en stor traktor. Det går heller ikke an å se på det som et nederlag at en bonde har tatt i bruk en melkerobot på sin gård, og bruker færre timer i fjøset enn før han hadde melkerobot. Det skjer en teknologisk utvikling, det har skjedd hele tiden, og det kommer også til å melkerobot. Det skjer en teknologisk utvikling, det har skjedd hele tiden, og det kommer også til å skje framover. Men Norge er det landet det er. På et visst tidspunkt kan det bli stordriftsulemper – avstandene blir for store – og derfor må vi ha en målrettet landbrukspolitikk som gjør at det kan være lønnsomt å drive både store og små bruk i landet. Jeg skal ikke bruke mye tid på innlegget til statsråden her, for det er bemerkelsesverdig at man i utgangspunktet vil drive politikk med en retorikk som inneholder så

Kan statsråden forklare meg de viktigste innsatsfaktorene når det gjelder å ha en konkurransedyktig melkeproduksjon og meierisektor? Hva mener statsråden er de viktigste innsatsfaktorene for at denne betydelige delen av landbruket skal være en robust og konkurransedyktig sektor?

bort ved å fjerne muligheten til å eksportere Jarlsberg. Resultatet av det, blir at man må legge ned Tines anlegg i Elnesvågen – på direkten. Et annet formål vi bruker prisutjevningsordningen på melk til, er å sikre konkurransevilkår som gjør at både Q-meieriene og Synnøve Finden skal kunne klare å konkurrere i det norske melkemarkedet, og at de får fram flere produkter. Og når man ser på utviklingen det siste året, har både Synnøve Finden og Q-meieriene utviklet nye produkter. De har blitt en del av mangfoldet i norsk

med. Det synes jeg er synd, for Kristelig Folkeparti ønsket å sikre bønder, som de selvstendig næringsdrivende de er, mulighet til vesentlig å redusere inntektsforskjellene som de har til andre yrkesgrupper. Det oppgjøret vi nå diskuterer, ble, da det ble lagt fram, omtalt som et historisk oppgjør. Jeg merket meg at statsråden avsluttet sitt innlegg med å si at oppgjøret er et steg i i riktig retning. Da er vel i alle fall litt av det historiske tatt ned. En annen avgjørende innsatsfaktor for bøndene er at de har jord. Vi må ta vare på jorda vår på en bedre måte enn det vi har gjort den siste generasjonen. For mye god matjord har blitt bygd ned. Derfor har Kristelig Folkeparti i dag fremmet et forslag om at vi må ha et mål i forhold til hvor mye som skal bli omdisponert. Vi må etablere et jorderstatningsfond, og når jord skal selges, skal ikke inntektene skattlegges med 50 pst. når man skal investere inn i gården igjen.

for arveavgift og se det som en familiebedrift. I dag går 46 000 mennesker på arbeid i næringsmiddelindustrien – de har enten gått, eller de skal gå. De skal skjære kyllingfileter til oss som vi kan steke i helgen, de skal lage saft som vi kan drikke når det blir varmt ute. Næringsmiddelindustrien er innovativ. De får FoU over i produksjon. Næringsmiddelindustrien i Norge er helt avhengig av norske råvarer, derfor er det avgjørende for disse 46 000 arbeidsplassene at vi har rammebetingelser som gjør at virksomheten kan opprettholdes i Norge. Selv om vi er et godt land å leve i, må vi huske at Norge er et lite land i verden, og at vi har naboer. Dette må vi også huske når vi diskuterer landbrukspolitikk i forhold til næringsmiddelindustrien. Grunnlaget for matproduksjon er grønne planter, enten disse spises direkte eller videreforedles av våre husdyr. I en urolig verden med sterk befolkningsvekst og store klimaendringer må alle land utnytte sine naturgitte forutsetninger for produksjon av planter. I dag gjør vi ikke det. Til tross for svært lite jord per innbygger og stor folketilvekst reduserer vi jordbruksarealet, og svekker samtidig jordas produksjonsevne. Sjølforsyningsgraden synker. Det trengs ny kurs, hvor økt matvaresikkerhet er viktigst. Ny kurs må bygge på naturgitte vilkår for matproduksjonen. Da er det ikke grunnlag for stordrift i volum, verken i primærproduksjonen eller i foredlingsindustrien. Dersom myndighetene fortsetter å prioritere stordrift under våre forhold, krever det tilgang på billig import av hvete og soya, overgang fra familiejordbruk til selskapsjordbruk – for norske arbeidsvilkår erstattes av billig østeuropeisk arbeidskraft – og tilskudd fra staten til driftsbygninger som ellers ikke blir bygd. Økt matvaresikkerhet kan kun skje ved økt Derfor må ny kurs sette fokus på økt planteproduksjon, investeringer i nydyrking og utmarksgjerde, grøfting og kalking for å øke arealene i drift og forbedring av fruktbarheten i jordsmonnet. Dette må prioriteres framfor å bruke statsbevilgninger på etablering og utbygging av fjøs hvor driften er basert på importert korn. Det siste fører til sterk regional konsentrasjon, forurensingspress og tilhørende store jordbruksarealer ute av drift. Ny kurs må sikte mot å finne fram til en bærekraftig, lønnsom og langsiktig forvaltning av arealene gjennom økt vekt på jord- og plantekultur. Bare grønne planter kan fange karbondioksid gjennom fotosyntesen. Dess mer og grønnere planter, dess større kraft i kampen mot klimakrisen. Vi vil trenge planter som tåler et annet klima, og vi må bruke maskiner som gir mindre jordpakking. Vi trenger økt vekt på dyrevelferd. Jordbruksavtalen i år har skritt i riktig retning. Sjøl om tollendringene kom seint, er skrittvis omlegging av tollvernet avgjørende viktig både for jordbruk og for foredlingsindustri. Dagens regjering har innsett at økt tollbeskyttelse er nødvendig. Produsentprisene må opp. De dekker i dag knapt variable kostnader. Tollvernet må brukes sammen med samvirkeorganisasjonenes markedsmakt for å sikre et nødvendig innenlands produsentprisnivå. Jordbruksavtalen i år er en erkjennelse fra regjeringa av at inntektene i jordbruket må heves i forhold til andre grupper. Det er viktig at tallmaterialet framover bygger på faktiske regnskaper. Framover må jordbruksavtalen forenkles. Jordbrukspolitikk framstilles ofte som vanskelig. Sånn er det imidlertid ikke. Men det er en vanskelig balansegang mellom markedsmuligheter på den ene sida og produksjonsmåten, altså størrelsen på innsatt areal, arbeidskraft og kapital, på den andre sida. Virkninga av tiltakene kan ta tid, men retninga må være klar. Retninga må snus til å styrke areal og arbeid. Store investeringstilskudd i bygninger i et mettet marked er et virkemiddel som gir markedsprisfall og tvinger flere ut av næringa, i praksis gjennom økt foredling av importert fôr. Det reduserer både kornproduksjonen og bruk av gras i inn- og utmark. Kornprisen er den sterkeste enkeltfaktor for å beskytte verdien av gras og beitemark. Høyere kornpris gir høyere verdi på graset. Kornet er en nøkkelfaktor for matvaresikkerhet.

på nesten 126 000 kr. Investeringstilskota er trappa opp, og det er gjort fleire justeringer av skatteregelverket, bl.a. gjennom auka avskrivingssatsar, no sist i revidert statsbudsjett, der vi auka første års avskrivingssats med 10 pst., til 30 pst. For første gong har inntektsgapet mellom bønder og andre vorte minska i årets oppgjer. Likevel ser vi at bøndene slit med lønnsemda. Det er difor viktig at vi fortset med å mobilisera alle gode krefter for å støtta opp om norsk landbruk. Då vert det underleg å høyra representanten Reiten og representanten Hjemdal i dag. Dersom Kristeleg Folkeparti er halvparten så oppteke av jordbruket som det som vert påstått, burde dei faktisk støtta ei raud-grøn regjering, og ikkje ei regjering der Siv Jensen kan verta finansminister. I landbruksmeldinga som vart behandla i Stortinget, slår vi fast at den norske matmodellen skal bestå. Det inneber bl.a. at det skal vera landbruk i heile landet, med ein variert drifts- og bruksstruktur. Då kan ein ikkje gjera som høgrepartia vil, å ha eit marknadsstyrt landbruk, som spesielt vil ramma busetnaden og sysselsettinga i distrikta. Høgrepartia er tydelege på at dei heller ikkje vil legge til rette for ein variert bruksstruktur. Vi raud-grøne slår ring om jordbruksavtalen med statlege overføringar og moglegheiter for prisuttak i marknaden. Høgre vil i år kutta overføringane til landbruket med 1,7 mrd. kr, mens Framstegspartiet vil kutta med 5,5 mrd. Vi raud-grøne meiner at vi skal behalda rolla som marknadsregulator innanfor samvirkemodellen. Høgre meiner marknadsregulatorrolla skal evaluerast, og at ho skal fjernast frå samvirkebedriftene. Vi raud-grøne meiner at importvernet skal ivaretakast som ein berebjelke for å beskytta matproduksjonen. Høgrepartia vil ikkje utnytta handlingsrommet i importvernet, noko som vil svekka konkurransekrafta til næringa og gje reduserte moglegheiter for å halda oppe volumproduksjonen av norske produkt. Dei tilsette og leiinga på Nortura hadde heilt rett: Næringsmiddelindustrien vil med høgrepartia verta hardt ramma. Alle som er opptekne av og glad i norsk landbruk, bør stemma raud-grønt. Det er bred politisk enighet om at matproduksjonen skal økes. Men hvis vi skal ivareta vårt ansvar for å produsere mat, kan vi ikke fortsette å ødelegge den viktigste forutsetningen for matproduksjon, nemlig matjorda. I et samfunn i stadig utvikling blir forvalteransvaret en stadig viktigere grunnpilar, og for Kristelig Folkeparti er jordvern en viktig del at dette forvalteransvaret. Forvalteransvaret handler om å sikre framtidige generasjoner de mulighetene og rettighetene som vi har nå. Det handler om verdiskaping, og det handler om matsikkerhet. Nedbygging av matjord er en irreversibel prosess. De siste 50 årene er det blitt omdisponert over 1 million dekar matjord i Norge, og mesteparten av omdisponeringen har gått ut over den beste matjorda, dvs. dyrket mark. Utviklingen ser ut til å fortsette. De siste 20 årene har det årlig blitt bygget ned om lag 16 000 mål med matjord. Vi omdisponerer fremdeles i en takt som ligger over målet om en halvering av omdisponeringen innen 2010, fastsatt av Bondevik-regjeringen i 2004. Altså ligger vi allerede flere år på etterskudd. Derfor foreslår vi at vi nå styrker målene og halverer halveringsmålene nok en gang. På den måten kan vi komme et steg nærmere ønsket om en bærekraftig jordbrukspolitikk. Vi har sett en utvikling de siste årene, der antallet dekar matjord per innbygger har gått drastisk ned, fra 1,79 i 2008 til 2012. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil vi ha et matjordsforhold på 1,35 dekar per innbygger i 2030. Dette er urovekkende lavt i en tid da matressursene seiler opp som de definitivt mest verdifulle ressursene på verdensmarkedet. Det er stadig økt beskyttelse fra land med stor produksjon, som USA, Russland og Kina. Derfor vil det være klokt å fastsette et nasjonalt matjordmål, hvor det fastsettes et minimum antall dekar fulldyrket mark per innbygger.

tilfeller der jordvern må vike for prekære utbyggingshensyn. I slike tilfeller mener Kristelig Folkeparti det må pålegges utbygger å gi erstatning tilsvarende nydyrking av det dobbelte av det omdisponerte arealet, slik at produktiviteten opprettholdes. På denne bakgrunn fremmer jeg Kristelig Folkepartis forslag, slik det går fram i Innst. 507 S.

mens Fremskrittspartiet hevder at den – når man ser på faktatall – har blitt verre. Faktum er at det har blitt færre bønder, og av disse igjen er det stadig færre som har bondeyrket som eneyrke. Det har blitt mer og mer vanlig at den ene av et par har jobben utenfor gården. Tidligere var det mer normalt at begge hadde jobben på gården. Det nedlegges stadig like mange gårdsbruk per dag, per uke, per måned, per år, enda antallet gårdsbruk har blitt færre. Slik sett kan man si at prosentvis er avgangen større enn tidligere. Antall dekar dyrket areal er redusert, og nydyrkingen er minimal. Grøftetilskuddet kommer sent, og det har vært visse problemer med det. Antall gårdsbruk der husene ikke blir brukt, er også dessverre økende. Det å være odelsjente eller odelsgutt har gått av moten, og rekrutteringen for å overta ligger ofte lenger ute i slekten eller det må selges. Men med en makspris er antallet gårdssalg også svært lavt. Vi hadde en storm av klager fra bøndene i fjor. Det ble brudd i forhandlingene. Dette var veldig spesielt. I år er man svært fornøyd, men man behøver ikke å være noen god analytiker for å skjønne det presset regjeringen hadde på seg i år for å komme bøndene i møte. Det er jo snart valg. Når en næring sliter, må man se på alternative løsninger og tenke nytt. Det gjør Fremskrittspartiet. Derfor fremmer vi en rekke forslag, enten alene eller sammen med resten av opposisjonspartiene. Det må til en nytenkning, ellers vil næringen bli totalt utradert på sikt. Det hjelper ikke med stadig mer offentlige overføringer eller f.eks. ostetoll. En bonde er en selvstendig næringsdrivende, og da må vi gi muligheter for å utvikle næringen,

Avslutningsvis vil jeg takke for lånet av denne talerstolen gjennom 16 år. Jordbruksoppgjøret skaper hver vår spenning. I Senterpartiet er vi veldig glad for at det ble jordbruksavtale i år, og at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skrev under. Den avtalen som partene ble enige om i vår, er første skrittet på veien for å tette igjen lønnsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. Det var spennende å følge med i dagene etter at avtalen ble underskrevet, for å se hva slags reaksjoner som kom. Det synes som om næringen er fornøyd med at vi nå har startet

i utlandet med en lang rekke midler som det ikke er lov å bruke her i landet. Hvorfor ser en potet fra Frankrike nyplukket ut i februar, og hvorfor ser et eple fra Sør-Europa glattere og finere ut utpå våren enn det de norske eplene gjør, hvis de har ligget over vinteren? Begge disse produktene har også blitt lagret hele vinteren, men de er behandlet med forskjellige stoffer som ikke norske bønder kan bruke. Jeg vil heller ikke at den norske bonden skal få lov til å bruke disse midlene. Jeg vil at vi skal ha så ren mat som mulig, og jeg vil at vi skal ta vår del av det globale ansvaret ved å produsere så mye mat som mulig her i landet. Det er ikke lystelig å høre verken Høyre eller Fremskrittspartiet i dag heller. Fremskrittspartiet bekrefter bare at de ønsker å fase ut store deler av norsk landbruk og matproduksjon.

landbruket. Landbruket er grunnleggende viktig for bosetting i distriktene, og viktig for arbeidsplasser, ikke bare i landbruket, men også i videreforedlingen. Høyre mener også at vi er proteksjonistiske som ønsker et tollvern som gjør det mulig å produsere mat i Norge. I tillegg til de signalene de tidligere har gitt i sitt alternative statsbudsjett, og holdningene til forhandlingsinstituttet og samvirket, er det all grunn til å rope varsko for landbruket når det gjelder valget til høsten. Denne debatten understreker at høstens stortingsvalg blir et retningsvalg. Spesielt blir det det for landbruket, for muligheten til å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet.

fløte, ribbe, pinnekjøtt, egg og kylling. Av og til har man nærmest fått inntrykk av at den norske befolkningen var i ferd med å gå inn i en nasjonal hungersnød. Det toppet seg da landbruksmeldingen kom. Det er all grunn til å tro at vi også neste år vil se at butikkene går tom for viktige matvarer fordi det ikke åpnes for konkurranse, sa representanten til Nationen i desember i 2011.

Økt toll vil ramme forbrukerne, det vil bli økt grensehandel og tap av arbeidsplasser – og nå har vi jordbruksoppgjøret. Vel, vi kan vel si det sånn at det er vi som forsyner svenskene med norske arbeidsplasser. Ikke har det rammet norsk fiskerinæring heller, som opposisjonen spådde. Jeg går ganske ofte i butikken og kan med hånden på hjertet si at utvalget ikke er blitt noe dårligere – tvert om. Det er et mangfold av produkter fra norsk landbruk i Så mener Fremskrittspartiet at norsk landbruk må sammenligne seg med landbruket i New Zealand. Det er meningsløst å sammenligne oss med et land som produserer for eksport. Her i landet produserer vi for det innenlandske markedet. Produkter fra landbruk, skogbruk og fiske utgjorde i 2012 71 pst. av eksporten fra New Zealand. Landbruksprodukter utgjør over halvparten av denne eksporten. I I tillegg kan dyr i det landet beite ute hele året, da landet har temperert regnklima med liten forskjell på sommer- og vintertemperatur. Det er helt urealistisk å sammenligne norsk landbruk med dette landet. Så ynder Fremskrittspartiet å sammenligne oss med Sverige og Danmark. Erfaringer fra dansk landbruk tyder på at frislipp av bonden langt fra er en magisk oppskrift på suksess. Et av Europas mest deregulerte jordbruk taper penger, må ha støtte, men kommer fortsatt ikke i pluss. Det taler for at vi ikke skal ha liknende politikk i Norge. Nei, om vi i det hele tatt skal ha noe landbruk i dette lille landet med så grisgrendte områder, må staten spille en stor og viktig rolle. Som statsråden understreket i sitt innlegg, er

oppfatningen om at liberalisering av handel skulle redde verden fra sult og nød. Vi har sett resultatet: Det er enda større forskjeller, enda flere som sulter. Skal vi stoppe denne matkrisen, som en jobber med i FAO, må den internasjonale politikken redefineres. Bill Clinton innrømmet at det var én ting han hadde feilvurdert i sin tid som president, nemlig det å se på matvarer som en ordinær handelsvare. Mat er ikke det samme som spiker. Også Clinton mener at vi må gå tilbake til en politikk basert på et maksimum av selvforsyning, fordi det er fullstendig galt å tro at en kan få utvikling f.eks. i utviklingsland uten å øke deres egen evne til å brødfø seg selv. Hva er da svaret fra Fremskrittspartiet, og hva er svaret fra Høyre? Jeg synes det er skremmende at vi nå fortsatt har en debatt om norsk landbrukspolitikk som handler om løsninger. Spesielt Fremskrittspartiet, som kaller det markedsbaserte systemer, tror at frihandel, eller bortfall av tollvernet – det gjør jo også Høyre – og radbrekking av overføringer skal være bra for både verdens befolkning og for Norge. Vi oppfatter at Høyre og Fremskrittspartiet i sin retorikk sier ja til norsk landbruk, men de mener nei. Jeg er svært glad for at partene inngikk avtale i årets jordbruksoppgjør – selvsagt er jeg det. jeg det. Jeg vil karakterisere avtalen som solid og understreke betydningen av at begge faglagene har inngått avtalen. Det er en styrke at en har felles forståelse med næringen, både med hensyn til utfordringer og hvilken vei vi i framtiden skal gå for å løse disse utfordringene. Årets jordbruksavtale understreker det som er så bra med den norske modellen, at en næring som er avhengig av en rekke virkemidler, selv deltar i utformingen og gjennomføringen av politikken. Så skillelinjene i politikken nå før valget er klare. Stortinget har hatt gjentatte debatter om overgang fra kronetoll til prosenttoll på enkelte landbruksvarer, et av premissene for at det skulle være mulig å gi økte inntektsmuligheter i årets oppgjør. Jeg registrerer at Høyre heller har sprunget EUs enn landbrukets ærend, men de straffereaksjonene de har

Ideen er nemlig at når klokka står på null, skal en lande og ikke ta av. Dette er en interessant debatt som jeg synes klargjør skillelinjene i politikken godt. Så vil jeg si at det er flere ting med Kristelig Folkepartis landbrukspolitikk som jeg har sans for. Det er jo positivt at det ser ut til at de ønsker seg mer av vår rød-grønne landbrukspolitikk. Men så er det skuffende at de vil samarbeide med partier som vil ha en helt annen type landbruk i Norge. Vi må derfor kunne slå fast at Kristelig Folkeparti ser ut til å være villig til å ofre landbruket for å sikre et regjeringsskifte, og løftene deres til norske bønder blir på mange måter lite troverdige. Så har jeg merket meg at Kristelig Folkepartis merknader har et rart regnestykke om inntektsutviklingen for Jeg mener at her gjør Kristelig Folkeparti en grov feil. Et gjennomsnittlig melkebruk får over 30 000 kr i inntektsøkning. Hvordan representanten får dette til å bli 15 600 kr, er uforståelig for meg. Jeg har aldri gjort krav på å være god til å regne, men jeg forstår at det også er uforståelig for departementet. Nei, Kristelig Folkeparti kan stole på oss når det gjelder til norske melkeprodusenter, når vi sier at vi satser på dem i framtiden. Så stemmer Fremskrittspartiet mot årets oppgjør. Høyre har tidligere hatt tradisjon for å stemme mot avtalen, selv i de tilfeller avtalen har fått stor tilslutning ute i landbruket etter å ha vært ute på uravstemning. Den tradisjonen brøt Høyre i fjor, da de for første gang under det rød-grønne regimet stemte for avtalen. Jeg er glad for at Høyre har snudd, og at de nå heller ikke er så kategoriske på at de vil fjerne jordbruksavtalen som institutt. Men jeg mistenker dem for å drive med tåkelegging også her. Når vi ser på Høyres alternative landbruksmelding, som de kom med i fjor, er det tydelig at de vil ha en annen retning. Der sier de også at de vil ha en evaluering av jordbruksavtalen. Hvilke konsekvenser vil en slik evaluering

Det aller viktigste med landbrukspolitikken er at det skal produseres mat, mye mat – og jeg vil legge til: Det er et poeng at det også produseres mat der det bor folk, i folkerike områder av landet vårt. Landbruket er en svært viktig næring i Akershus. Akershus er et stort landbruksfylke. I min oppvekst sa vi at min hjemkommune, Nes på Romerike, var landets største kornkommune. kornkommune. Så vidt jeg vet, er det ingenting som har endret på det. I Akershus har vi de siste tiårene hatt kraftig vekst i folketallet, og det kommer til å fortsette. Mange flere vil bo i vår del av landet. Da bør vi også produsere mer mat i de områdene – mer mat i nærheten av der folk bor. Korn er hovedproduksjonen i Akershus og dermed grunnsteinen i vår matproduksjon. Men kornproduksjonen har høyere kostnader på innsatsfaktorer enn fôrproduksjonen har. Det gir noen utfordringer. Derfor er jeg svært glad for signalene som nå kommer i jordbruksoppgjøret, om satsingen Men vi må passe oss slik at Akershus ikke bare blir et kornfylke – det skal være det også, og det kommer fortsatt til å være hjørnesteinen. Men jeg vil ha flere husdyr, flere beitedyr, tilbake til Akershus. Mange av arealene i området passer nemlig svært godt til gras og beite.

Derfor må det grøftes mer. Jeg er glad for det landbruksministeren i stad så klart sa om satsingen på grøfting. Jeg vil helt til slutt si at et annet viktig poeng, som mange gårdbrukere tar opp med oss, er at det er viktig å ha sterke og aktive produsentmiljøer, at det er flere produsenter som

Avslutningsvis til representanten Arne L. Haugen, som mener Høyre er imot jordbruksavtalen: Det stemmer selvfølgelig ikke. Vi har sagt at vi vil endre tidspunktet for behandlingen av den, og vi har varslet en evaluering. Det er litt merkelig at man i det politiske miljøet kan angripe et forslag om å evaluere noe. Det kan av og til være sånn at man kanskje vil tåkelegge noe, at det er noe man ikke vil se på. For Høyre er det bestandig viktig å plukke opp sentrale politiske saker og evaluere dem. Hvordan fungerer de i forhold til den tiden vi lever i? Det er sånn at uansett hvor lenge den rød-grønne regjeringen sitter, vil verden rundt oss endre seg, og samfunnet i Norge vil endre seg. Da kan det av og til være veldig greit å gå inn og se på de virkemidlene vi har: Er de tilstrekkelige, eller er de ikke tilstrekkelige? Helt til slutt:

ganske så svevende og klarte ikke å være konkret i det hele tatt. Det kan ikke være sånn at de viktigste innsatsfaktorene for å berge norsk landbruk til enhver tid er de feltene der man kan angripe Høyre. Høyre har levert god landbrukspolitikk, den er godt mottatt i næringen, og det vil vi fortsette med. Landbrukspolitikk er

og det å gi markedet muligheter til å få nok innovasjonsevne, nok evne til å produktutvikle, og nok evne til å se på nye distribusjonsmåter. Samtidig er Høyre klokkeklar og erkjenner at med de naturgitte forutsetninger vi har for landbruket i dette landet, er det nødvendig med et landbruksoppgjør – et jordbruksoppgjør – over statsbudsjettet. Det erkjenner vi, og så får vi diskutere hvor store de rammene bør være, og hvor store frihetsgrader vi bør gi landbruket totalt sett. Samtidig er vi tydelige på at vi er kritiske til den rolleblandingen vi ser når samvirkebedrifter også får markedsregulatorrollen. Den er krevende, og vi ser at den kan være sterkt konkurransevridende. Vi er også opptatt av at vi må tilrettelegge for en politikk som gir muligheter for mangfold,

Jeg er nødt til å referere fra et brev datert 18. juni 2013 til Landbruks- og matdepartementet ved politisk ledelse. Jeg er kjent med at landbruksministeren har sett brevet, så det er ikke ukjent. Det er også sendt kopi til en del politiske ledere. Brevet er underskrevet av fire produsentlag innenfor sammen med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Overskriften er ganske urovekkende og tydelig: «Urimelig og urettferdig markedsregulering i eggsektoren». Bakgrunnen er en endring i forskrift om Omsetningsrådets myndighet fra 1. mars, hvor Nortura nå får egg. Jeg vil bare veldig kort sitere: «De private aktørene må alltid tilpasse seg markedet for å sikre seg avsetning. Nortura kan velge å bruke felles finansiert regulering for å tilpasse sin produksjon og kvalitetsportefølje til markedet.» Helt til slutt utfordrer de om man ikke bør ta en gjennomgang for å sikre en «en konkurransenøytral markedsregulering for egg der både privat- og samvirkeleverende bønder har samme nytte av systemet». Landbrukspolitikk er, når det kommer til stykket, egentlig ikke vanskelig i det hele tatt. Det handler om man er villig til å prioritere virkemidler til landbruket. Er man villig til å bruke budsjettpenger, sånn at man kan ha landbruk over hele landet, eller er man ikke villig til å bruke budsjettpenger på det? Er man villig til å stå opp i kampen for tollvernet, eller er man ikke villig til å stå opp i kampen for tollvernet? Skillene i stortingssalen er tindrende klare. Det er bare å se på alle budsjettforslagene gjennom de åtte årene den rød-grønne regjeringen har styrt, hvordan Fremskrittspartiet og Høyre hvert år har kommet med alternative forslag. De alternative forslagene har alltid vært dårligere, det har vært mindre budsjettpenger. En bedre måte å vise at man ikke vil prioritere det, finnes ikke – eller verre, vil jeg si. I fjor stemte Høyre, som Høyre kommer til å gjøre i år, for den innstillingen som forelå. Men da det kom til budsjettet om høsten, kuttet de 1 550 mill. kr. Det vil bli det samme i år. Kan Høyre at de ikke skal oppføre seg på samme måte i år som de gjorde i fjor, da man stemte for noe om våren og kuttet 1 550 mill. kr om høsten? Kan Høyre garantere at de oppfører seg annerledes i år enn de gjorde i fjor? Så skal da Lars Peder Brekk ha vært i ferd med å ta av, som presidenten sa, da han skulle komme inn på sitatene når det gjaldt toll. Dette viser hvordan Høyre reelt sett prioriterer i landbrukspolitikken. Jeg skal ta et lite utvalg sitater fra sentrale høyre-, fremskrittsparti- og venstrepolitikere. Først Jan Tore Sanner: «Forståelig sterke reaksjoner fra Europa mot de nye norske tollmurene. De blir borte med ny regjering». Da Høyre-leder Erna Solberg var i Storbritannia, sa hun: «Det er veldig spesielt at det landet som går best i verden, er det som nå girer om til høyere toll, og stenger varer fra andre land mer ute. Det tas som et veldig negativt signal.»

Jeg kan ta noen flere Høyre-sitater bare for å synliggjøre om man prioriterer landbruk eller ikke. Svein Flåtten sier dette i Bondebladet: «Mange familier kommer til å merke at maten blir dyrere.» Videre sier han i Aftenposten 2. november 2012: «For å være forberedt på dette, bør tollvernet bygges langsomt ned.» Stortingsrepresentant Nikolai idé.» I samme artikkel sier Astrup at det som har vært landbrukets hovedkrav, og som regjeringen og jeg gjennomførte, var en «gigantisk tabbe». Det er denne «gigantiske tabben» som regjeringen gjennomførte i fjor høst, som nå gjør at vi får et jordbruksoppgjør, at det er i ferd med å tette inntektsgapet, og at norske melkeprodusenter tjener bedre i år enn i

fjor. I den offentlige debatten kan vi stadig høre noen som mener at de politiske partiene har blitt for like. Landbrukspolitikken må i så fall være unntaket som bekrefter regelen. Det går store skillelinjer mellom den rød-grønne landbrukspolitikken og den som Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre førte sist de satt med En sammenligning av budsjettstøtten viser at den under Bondevik II-regjeringen ble redusert med 630 mill. kr, mens den under rød-grønne regjeringen har økt med nesten 3 000 mill. kr. Det går enda større skillelinjer mellom den rød-grønne landbrukspolitikken og den som Høyre og Fremskrittspartiet vil føre, eventuelt sammen med Venstre og/eller Kristelig Folkeparti, dersom de skulle komme til makten etter høstens valg. For mens de rød-grønne vil sikre de tre bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk, vil Høyre og Fremskrittspartiet bygge ned tollvernet, legge jordbruksoppgjøret til høsten sammen med den ordinære budsjettprosessen, og frata jordbrukets egne samvirker viktig ansvar som markedsregulator. I sine alternative budsjett for 2013 kuttet Høyre 1 517 mill. kr i budsjettstøtte til landbruket. kr. Midt i disse politiske skillelinjene finner vi Kristelig Folkeparti, som til tross for at de sier de vil beholde et sterkt importvern, beholde forhandlingsinstituttet, styrke jordvernet og øke inntektene til norske bønder, velger å stille som garantist for et regjeringsskifte. Et slikt skifte vil bety at man nettopp går bort fra disse politiske målene og over til det som landbruket selv omtaler som en rasering av I arbeidet med behandlingen av årets statsbudsjett, i arbeidet med partienes ulike politiske programmer og nå i forbindelse med stortingsbehandlingen av jordbruksoppgjøret ser vi at partiene knyttet til en eventuell Høyre–Fremskrittsparti-regjering spriker til alle kanter i sin landbrukspolitikk. Vi ser at man forsøker å skape forvirring, både blant næringsutøvere som ikke vet hva slags landbrukspolitikk en eventuell stemme til f.eks. Kristelig Folkeparti vil bety, blant partienes egne folk der ute, som sliter med å svare på hva en eventuell regjeringsmakt vil bety i disse viktige spørsmålene. Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha et levedyktig landbruk i hele landet. Fremskrittspartiet og Høyre er tydelige på det motsatte. Det bør være en tankevekker for dem som ved å støtte Venstre eller Kristelig Folkeparti, også ønsker Høyre og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk velkommen Fremskrittspartiet uttaler klart at landbrukspolitikken ikke lenger skal være et ledd i distriktspolitikken. Det vil slå hardt ut for landbruket i Distrikts-Norge, som er blant de næringene som er mest avhengig av virkemidlene som finnes i den rød-grønne landbrukspolitikken. De klare politiske skillelinjene kan dermed vise seg å bli et skille mellom et være eller ikke være for mange norske

dersom en importerer hvete og soya fra utlandet og foredler det gjennom dyr i Norge. Det er svekkelse av matvaresikkerheten. Representanten Sverre Myrli refererte til forbrukerne, og det er et tema som opptar meg veldig. Det er viktig at forbrukerne sikres trygg, norsk mat av høy kvalitet, ikke minst når det gjelder ukjent innhold av plantevern-, insekt- og soppmidler, hormoner og genmodifiserte planter, som vi vet det ellers finnes mye av. Heldigvis er bevisstheten om innholdet i maten økende – takk og pris. Det er veldig viktig å stimulere til et godt kosthold ved hjelp av bedre merking av innholdet, bl.a. når det gjelder salt og palmeolje. palmeolje. Derfor må Mattilsynet gis langt bedre redskaper til å kontrollere matvarenes innhold. Det snakkes om landbrukspolitikk og jordbrukspolitikk. Igjen trengs det en definisjon av begrepene. Jordbruk er bruk av jord. Det er bruk–av–jord-politikken vi snakker om, og jorda ligger i distriktene. Derfor blir det sjølsagt en nær sammenheng mellom bruk av jord og aktivitet i distriktene. Jordbruksavtalen virker i dag som en rasjonaliseringsavtale for videreforedling av importert fôr. Den gjør bruk av jord i Norge i dag lite lønnsom, mens bruk av importert fôr gjøres lønnsomt. Samtidig er nå gjeldsnivået snart det dobbelte av Dette er verken økonomisk, økologisk eller sosialt forsvarlig eller bærekraftig. Primærnæringene og distriktene føres utfor stupet om en fortsetter som nå. Skjer det, vil jordbruket miste den breie politiske støtten, og alternativ matforsyning fra utlandet vil framstå som billigere for norske forbrukere og høyresidas

Det er utrolig viktig at vi i årets oppgjør klarer å tette litt av gapet som har oppstått mellom gårdbrukerne og andre grupper. Hvorfor er det et slikt gap? Før den rød-grønne regjeringen overtok i 2005, gikk det 25 år uten reallønnsvekst i jordbruket. I løpet av de sju første årene med rød-grønn regjering har oppgjøret gitt en inntektsutvikling i landbruket som i kroner har vært omtrent lik andre grupper. I årets oppgjør gis jordbruket en inntektsmulighet på 12 000 kr mer enn andre grupper. Det er starten på en opptrapping som må fortsette til inntektsgapet er tettet. Alt tyder på at det vil bli knapphet på mat på verdensbasis innen kort tid. Norge er moralsk forpliktet til å opprettholde sjølforsyningsgraden. Jordbruksoppgjøret handler først og fremst om hva slags mat norske familier skal ha tilgang til i

Todelingen i norsk økonomi gir kostnadsutfordringer for denne næringen, i likhet med skognæringen og andre fastlandsbaserte næringer. Investeringskostnadene i næringen har økt mer enn i samfunnet for øvrig og i en helt annen takt enn inntektene. Økt matproduksjon krever fornyelse av driftsapparatet, og vi må vurdere om det kreves ekstraordinære tiltak utenom oppgjøret for å sikre at det investeres nok til å nå målet om 20 pst. økning. I tillegg er det avgjørende at også andre rammebetingelser er på plass. Skal beiteressursen i utmark bli utnyttet, er vi avhengig av en forutsigbar og effektiv rovviltforvaltning. Rovviltforliket er et langt skritt i riktig retning, men det mangler dessverre fremdeles mye på at forvaltningen følger opp forliket. Fellingstillatelser blir i mange områder gitt altfor sent og med for snevre rammer når det gjelder både område og tidsperiode. En framforhandlet avtale med bøndene gir ikke bøndene noen garanti for inntekt. Knapt noen er

Jeg syns representanten Lillian Hansen hadde en knakende god beskrivelse av forholdene her i Norge sammenlignet med i New Zealand. Våre spesielle produksjonsforhold er en av årsakene til at vår landbrukspolitikk er annerledes enn i andre land, og også det forhold at vi er et høykostland. Vi har et politisk ønske om å produsere så mye mat vi kan på de 2,8 prosentene av landarealet som vi produserer på. er det vår politiske plikt å bidra til at det finnes noe som helst lønnsomhet i å produsere melk og kjøtt i hele landet. Da er en avtale mellom bøndene og staten helt nødvendig, og det er helt nødvendig at vi opprettholder et sterkt tollvern for våre basisprodukter – som vil ha en høyere kostnad enn storproduksjon i land med lengre vekstsesong og lavere kostnadsnivå og lønnsnivå. Jeg prøver å være forståelsesfull, men jeg klarer altså ikke med min beste vilje å forstå at den landbrukspolitikken som Fremskrittspartiet ser for seg, kan være til gagn for verken bønder, dyr eller landet som helhet. Om jeg skal forsøke å forstå, så må deres tro på det de kaller «fri konkurranse» og «frihet for bonden» bunne i en eller annen tro på at en klarer seg selv – uansett.

Særlig ber jeg bøndene lytte til Fremskrittspartiets innlegg, men jeg mener også at de skal lytte nøye til det som Venstre har sagt her i dag, at jordbruksoppgjørene skal inn som en ordinær del av statsbudsjettet, for det er mest demokratisk, som representanten Tenden sa. Det samme sier Høyre. Forhandlingsinstituttet er altså med en blå-blå regjering en saga blott, og min spådom er at landbruk over hele landet da også vil være en saga blott. Panikken er tydeligvis i ferd med å bre seg i regjeringskontorene. I likhet med velgerne er blott. Panikken er tydeligvis i ferd med å bre seg i regjeringskontorene. I likhet med velgerne er de rød-grønne regjeringskameratene i ferd med å ta inn over seg at det går mot en ikke-sosialistisk valgseier til høsten og dermed et regjeringsskifte. Dette bærer retorikken til representanten Irene Lange Nordahl og Ingrid Heggø sterkt preg av. Skytset blir rettet mot Kristelig Folkeparti, nettopp fordi det er spesielt farlig for de rød-grønne at vi, med vår høye troverdighet som et landbruksvennlig parti, kan få en nøkkelrolle i Stortinget etter valget. I likhet med Senterpartiet og regjeringen fastholder vi støtten til de tre hovedpilarene i norsk landbrukspolitikk: årlige separate jordbruksoppgjør, et aktivt importvern og samvirkemodellen når det gjelder markedsregulering. Vi står fast på at de viktigste forutsetningene for at vi fortsatt skal ha et livskraftig landbruk og et kulturlandskap i aktivt bruk, er en inntekt som det går an å leve av og gode velferdsordninger også for norske bønder. Det betyr at gapet i inntekter mellom næringsaktørene i landbruket og øvrige grupper i samfunnet må reduseres. Regjeringen, og spesielt Senterpartiet, frykter Kristelig Folkeparti fordi vi, med vår troverdighet i landbrukspolitikken, også vil være en pålitelig medspiller for norske bønder og landbrukets organisasjoner – på riktig side av bordet ikke-sosialistisk valgseier. Velgere med interesse for landbruk vil – i en situasjon der alle piler peker mot et regjeringsskifte – se verdien av at Kristelig Folkeparti med størst mulig styrke kan fremme sin landbrukspolitikk. Det er opp til velgerne om de vil gi oss den nødvendige styrken til å sikre en videreføring av hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk også i neste stortingsperiode. Det poenget tror vi at aktuelle velgergrupper innser, og det er tydelig at også Irene Lange Nordahl og Senterpartiet innser det samme med tåspissene på kanten av sperregrensestupet. Representanten Arne L. Haugen ba om en nærmere utdyping av Kristelig Folkepartis regnestykker, og det skal han få. På side 29 og 30 i proposisjonen finner vi tall fra Budsjettnemnda for jordbruket som viser inntektsutviklingen i inneværende oppgjørsperiode i landbruket. De viser at landbruket sett under ett bare har hatt 1,3 pst. vekst i inntektene. Dette utgjør ca. 3 800 kr per årsverk. Og når det Og når det gjelder referansebruk, melk og storfe, 22 årskyr, har utviklingen nærmest vært katastrofal, med en tilbakegang på 3,8 pst. i inntekt, og det tilsvarer 12 400 kr mindre i år enn de hadde i fjor. Da tar vi oss den frihet å sette opp følgende regnestykke: Melk og storfe, 22 årskyr, får med årets oppgjør 30 300 kr. Så trekker vi fra de 12 400 kr for å dekke gapet i inneværende oppgjørsperiode. Vi sitter da igjen med 17 900 kr til disse referansebrukene, som må deles på de to årene, altså på inneværende oppgjørsperiode og neste oppgjørsperiode. Da håper jeg at det skulle være klargjort.

om nedlagte bruk, for det har aldri vært lagt ned så mange bruk som det har vært gjort fra 2005, under den rød-grønne regjeringen. Da konstaterte jo Slagsvold Vedum at dette kommer til å fortsette i samme tempo, for han sier at det er helt naturlig, at man må effektivisere, osv. Så det han bekreftet da, var at med den rød-grønne regjeringen vil dette være i fritt fall, for man gjør ikke andre grep som man er nødt til å gjøre. Så hadde vi også en oppklaring fra representanten Hansen fra Arbeiderpartiet, som også kom med en del innrømmelser. Hun kom med innrømmelse om at man hadde problem med å levere nok smør og nok kjøtt – det problemet har vi hatt hele veien gjennom den fireårsperioden hun har vært her. Hun kunne bekrefte det, og jeg synes det er bra at man kan gå på talerstolen her og innrømme det. Så sier hun også noe som er typisk god arbeiderpolitikk. For Arbeiderpartiet har jo aldri brydd seg om norske arbeidsplasser, og det Arbeiderpartiet har jo aldri brydd seg om norske arbeidsplasser, og det kunne jo Hansen bekrefte, for hun sier at grensehandelen – som bl.a. representanten Trældal har pratet om – bare var tull. Så sier hun: Vi fôrer Sverige med arbeidsplasser. Ja, det er korrekt å si det. Vi har altså mellom 12 og 14 mrd. kr i grensehandel, som egentlig arbeidsplasser. Det representanten sier, er at det er hun fornøyd med – hun vil heller gi de arbeidsplassene til Sverige, og det er jo ikke noen god distriktspolitikk, hvis det er det man holder på med. Så sier man noe om at man ikke har sett noen straffetoll på fisken. Nei, men den kommer. Det er varslet at forhandlinger om hvitfisk skjer først til neste år, og da kommer de represaliene vi får her. Da vil det dessverre gå ut over hvitfisken, og det vil kanskje spesielt ramme den regionen som denne representanten bor i. Man har også snakket veldig mye om regulering og deregulering. Vi ønsker å deregulere, vi ønsker at bonden skal få være fri og få lov til å begynne å tjene litt penger selv. Vi ønsker å ta vekk produksjonstakene. I dag er det kun 6 pst. av norske bønder som lever av inntekten sin. I 2010

politikken vår på, vil jeg si det på den måten at ingen vel har trikset mer med politikken – eller rettere sagt: med retorikken – enn Høyre har gjort de siste årene. Det jeg vil si, er at det er retorikken som har endret seg, ikke politikken. Til Høyres og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk: Små og mellomstore vil forsvinne. Distriktslandbruket vil blø. Det aller meste av landbruket i Nord-Norge, Vestlandet og fjell- og dalbygdene vil ikke ha noen framtid. På lang sikt vil Norge bli mer likt Sverige, preget av gjengroing og fraflytting, slik en ser i Nord- og Midt-Sverige. I tillegg til bøndene selv vil de store taperne være turister og annet næringsliv som er avhengig av landbruk som kunder i nærmiljøet. Jeg har registrert mange oppslag med representanten Torgeir Trældal. Det er helt uforståelig at man avslutter på den måten Torgeir Trældal gjorde i sitt siste innlegg. Han har formidlet at med Fremskrittspartiets landbrukspolitikk

Men det blir ikke i de områdene jeg nevnte i sted. Det vil bli satset stort, og man vil utnytte stordriftsfordelene maksimalt. Det vil si at vi skal ha landbruk i områder som Jæren og rundt Oslofjorden og Trondheimsfjorden. Det vil bli konsekvensene med høyrepartienes

til Landbruks- og matdepartementet ved politisk ledelse fra fire eggprodusentlag og KLF. De skriver ganske tydelig: «Dagens lovgivning for markedsregulering av egg er ikke til å leve med for produsenter og bedrifter som ikke er en del av landbrukssamvirke.» Det er ganske påstander. Da har jeg lyst til å stille landbruksministeren to helt klare spørsmål, og om jeg har et berettiget eller uberettiget håp om at det skal svares på, får vi se. Men det er da altså slik: Ser ikke landbruksministeren at det er positivt med en sunn konkurranse i matmarkedet – er det positivt at vi har alternative leverandører i Ser ikke landbruksministeren noen utfordringer i at sterke enkeltaktører i landbruket også er satt til å ivareta markedsregulatorrollen? Det var to enkle spørsmål som jeg håper ministeren ønsker å svare på.

kan ikke garantere at de ikke gjør tilsvarende i år. Til representanten Reiten fra Kristelig Folkeparti: Jeg vil be om lite grann ydmykhet i tilnærmingen til landbrukspolitikk, for hvis man ser på hva Kristelig Folkeparti fikk til i Bondevik II-regjeringen, ser vi at de hadde en veldig landbruksvennlig statsminister i Kjell Magne Bondevik. Det er det ingen tvil om. Han måtte gå inn direkte i flere av oppgjørene for å få til en avtale, og hva ble resultatet av det?

i år 500 mill. kr. I kommunikasjon med velgere og med bønder må man være åpen og ærlig på hva som var de historiske resultatene da Kristelig Folkeparti styrte og hadde statsministeren, og hvordan styrkeforholdene er nå. Det er for meg helt uforståelig at Kristelig Folkeparti, som har som hovedsaker alkoholpolitikk, bistandspolitikk en mer liberal innvandringspolitikk, og påstår at de ønsker en mer offensiv satsing på landbrukspolitikken, mener at svaret er å gi Fremskrittspartiet og Høyre mer makt – sette Erna Solberg inn som statsminister, la Siv Jensen bli finansminister, for da blir det satsing på landbruk, da blir det vilje til å ta tollkamper med EU, da blir det vilje til at vi skal bruke mer penger på distriktslandbruk. Selvfølgelig blir det ikke det. Det vet Reiten særdeles godt ikke kommer til å skje. Men jeg er glad for at Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er de partiene som i veldig mange saker er mest enig. Derfor er det så uforståelig, når man har en del av de samme standpunktene, at man peker på Fremskrittspartiet og Høyre, for de største motpolene til tradisjonell sentrumspolitikk er Fremskrittspartiet og Høyre. Det vet representanten Reiten veldig godt, og det må han være åpen og ærlig på, for han vet at Kristelig Folkeparti kommer til å ha mindre makt i en ny regjering, og at Fremskrittspartiet kommer til å ha større makt. Men målet er at det ikke skal skje, skje, for det er veldig mange i Norge som ønsker en offensiv landbrukspolitikk, som ønsker en offensiv distriktspolitikk, og dem skal vi mobilisere så vi vinner valget. Og Kristelig Folkeparti burde ha forstått at de får ikke sine løsninger med Fremskrittspartiet og Høyre, de får det sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. Presidenten vil bare minne om hva denne debatten gjelder – jeg tror det går ganske klart fram av dagsordenen at det er innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret for 2013 og endringer i statsbudsjettet for 2013 – og at man

debattemaet. Eg må seie at eg har blitt overraska over innlegga til representanten Reiten i dag. Det er på bakgrunn av at han går til eit veldig angrep på regjeringspartia i landbrukspolitikken. Men samtidig seier han ikkje eitt kritisk ord om landbrukspolitikken til Framstegspartiet. Då kan ein lure på om det er slik at Reiten er meir einig med Framstegspartiet sin landbrukspolitikk enn med regjeringa sin landbrukspolitikk, sidan det er regjeringa han angrip og ikkje Framstegspartiet. Eg trur faktisk det ikkje er slik. Eg trur det er slik at Reiten og Kristeleg Folkeparti ønskjer landbrukspolitikken til regjeringa og ikkje Framstegspartiet sin. Eg trur heller det er slik at Reiten og Kristeleg Folkeparti begynner å få dårleg samvit fordi dei innser at dei for eit regjeringsskifte som gir Framstegspartiet makt. Da veit dei at dei kjem til å få ein dårlegare landbrukspolitikk enn det vi har i dag. Derfor går dei til angrep på regjeringspartia for å trekke oppmerksomheita bort frå sin posisjon, som kan svekke norsk landbrukspolitikk. Så gjeld det reknestykka om inntektsutvikling. Der trur eg kanskje at Reiten hadde kome til eit betre resultat viss han tok høgde for at

produksjon minus importert fôr, i staden for berre sjå på kor stor del av maten vi produserer, uavhengig av kor mykje import vi bruker for å få det til. til. Aller først til det som ligger inne i jordbruksavtalen og Kristelig Folkepartis forsøk på å leke med tall. Det som er viktig i denne sammenhengen, er at partene gjennom avtalen stadfester tallene, og at organisasjonene slik sett uttaler at det er et meget godt oppgjør som ligger til grunn. Det ligger i presentasjonen i den

som er balansert ut på andre aktører enn staten. Er det noe Høyre egentlig burde være fornøyd med, er det nettopp at det er andre enn staten som tar risiko og ansvar for markedsreguleringen, som i utgangspunktet er en krevende øvelse slik vi har det. Vi er for markedsregulering i samvirkebedriftene. Jeg er glad for å konstatere – for det er tydelig forskjell – at Høyre er blitt prinsipielt imot det. Så sier de at de er for et importvern. Nei, de er jo egentlig ikke det. De er ikke for et importvern som fungerer etter hensikten. For er det noe Høyre nitidig har forsøkt å motarbeide, er det den justeringen av tollsatsene for enkelte produkter som ble iverksatt for å beskytte norsk matproduksjon. Ja, det er mulig å sette opp prisen som en følge av det. Men den andre vesentlige faktoren for å ha et godt og velfungerende importvern, er at man beskytter forholdet til matindustrien i Norge. En forutsetning for en sterk matindustri i Norge er å sikre volumproduksjon. Det har vi. Vi har en matindustri som er langt mer innovativ enn norsk fiskerinæring, som ikke er underlagt den samme reguleringen som jordbrukssektoren. Så dette fungerer etter min vurdering på en særdeles god måte. Så til Fremskrittspartiet. De er ikke bare for et marked, men de er for en total avregulering av norsk matproduksjon og jordbrukssystemet. De er helt imot å ha noen reguleringer på det feltet. det feltet. Enden på visa med en sånn tankegang er at en ikke har matproduksjon igjen i Norge. Vi vil bli utkonkurrert av sterkere jordbruksland enn det vi klarer å være selv. Så tanken til Fremskrittspartiet er merkelig, og den er veldig tydelig avklart: Det er markedet som skal rå. Så avslutningsvis til Kristelig Folkeparti, som prøver å oppnå høy troverdighet i jordbrukspolitikken. Det er bra. Jeg er mye enig med Kristelig Folkeparti. Men i en situasjon hvor de heier på en regjering hvor kanskje den neste landbruksministeren er Torgeir Trældal, forsvinner troverdigheten. troverdigheten. Jeg kommer fra Hedmark, det sterkeste jord- og skogbruksfylket vi har. Det betyr at resten av landet er veldig avhengig av oss og trenger de ressursene vi har, for at vi skal få produsert mat i Norge. Vi trenger å produsere mer fordi mat er det viktigste produktet som fins i Det kommer til å trengs mer mat, og vi i Norge kommer til å måtte ta ansvar for å produsere mer mat sjøl. Hvis ikke må vi ut og handle den maten på verdensmarkedet og være med og presse prisene for dem som ikke har like god råd som oss. Arealet og produksjonsvolumet må økes i alle land hvis vi skal klare å fø verden. En del andre fordelingsmekanismer må også til. Skal dette være mulig, må vi ha stående de tre pilarene som er viktig for landbruket, nemlig budsjettstøtte, samvirke og importvern. Uten de tre pilarene vil det ikke være mulig å drive landbruk i Norge. Jeg har sett på tallene fra budsjettet fra budsjettet og hva Høyre og Fremskrittspartiet gjør for å støtte landbruket. For Hedmark alene vil Fremskrittspartiets kutt bety et kapitaltap på over 370 mill. kr i året – for Høyre noe mindre. Det er ingen tvil om at dette vil ramme landbruket Det som er spesielt i Hedmark, er at vi har en sterk næringsmiddelindustri med flere tusen arbeidsplasser som er basert nettopp på at vi produserer mat i Hedmark. Det er det vi produserer der – mat og treråvarer. Det er klart av hvis landbruksproduksjonen skulle få en slik smell som Fremskrittspartiet og Høyre foreskriver,

det er så forunderlig å høre på Kristelig Folkeparti som skal støtte seg på disse partiene som ikke trur på noe av det som Kristelig Folkeparti sjøl sier er kjerneverdien i sin politikk. På alle de områdene som landbruksministeren ramset opp – og jeg kan legge til bistands- og fattigdomspolitikk og klimapolitikk – ligger Fremskrittspartiet og Høyre milevidt fra Kristelig Folkeparti. De burde finne seg andre
Presidenten vil minne om at også fiskerinæringen produserer mat. Representanten Frank har derfor en taletid på ett minutt. Jeg vil få legge til at fiskerinæringen produserer fantastisk god mat. I motsetningen til statsråden skal jeg svare på de spørsmålene som blir stilt. Statsråden stilte Høyre et konkret spørsmål om vi i neste vil opprettholde kuttene. Hvor store kuttene er, skal ikke jeg forskuttere, i og med at vi da snakker om budsjettet for 2014. Men når det gjelder problematikken som statsråden prøver å ta opp, der han hevder at vi ikke kan ha kutt i neste budsjett fordi jordbruksavtalen er ferdigforhandlet nå, og at vi da må gå imot allerede inngåtte avtaler, så er det en del av begrunnelsen vår for å samkjøre jordbruksavtalen i tid med statsbudsjettet. Det vil gjøre det mye ryddigere, og vi vil plukke bort et dårlig retorisk poeng fra Senterpartiet om at vi skal rasere og ødelegge allerede inngåtte avtaler. Representanten Steinar Reiten har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en Reiten har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad. Kort til statsråd Slagsvold Vedum: Jeg vil minne om at dagens regjering bruker en mindre prosentdel av statsbudsjettet til landbruk enn Bondevik II-regjeringen gjorde. Jeg vil også minne om at de to siste Stoltenberg-regjeringene har måttet ta et brudd med landbruket. Det skjedde ikke mens Bondevik var statsminister. Så vil jeg minne både statsråden og velgerne om at det er stortingsflertallet og ikke regjeringen som avgjør hvilken landbrukspolitikk som skal føres. Derfor vil etter valget. Får vi en situasjon der Høyre og Fremskrittspartiet får rent flertall i Stortinget, skal jeg være enig med statsråden i at mye står på spill. Med et Kristelig Folkeparti som er sterkt nok til å vippe stortingsflertallet, vil situasjonen stille seg helt annerledes. Et styrket Kristelig Folkeparti vil ha landbrukspolitikk som et prioritert område, enten vi skal forhandle om en regjeringsplattform eller føre vår politikk i Stortinget
Torgeir Dahl har hatt ordet to ganger i debatten, og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg stilte to, etter min mening, relativt tydelige spørsmål til landbruksministeren, og jeg hadde vel faktisk et berettiget håp – et uberettiget håp, viste det seg – om at vi ville få svar på de spørsmålene. Jeg tillater meg å gjenta spørsmålene: Ser ikke ministeren at det er positivt med sunn konkurranse i matmarkedet? Spørsmål to lyder: Ser ikke landbruksministeren noen utfordringer i at enkeltaktører i landbruket også er satt til å ha markedsregulatorrollen? Her ligger det noen problemstillinger. Jeg hadde ønsket at landbruksministeren iallfall ville drøfte dette fra talerstolen, fordi det må da være slik at de aller fleste ser at det her er noen problemstillinger som det er verd å reflektere over. Representanten Frank Bakke-Jensen kom inn på prisutjevningsordningen for melk. La meg si det slik at i mine øyne, er

melken. Det er også en viktig ordning for sikre at prisen på melk kan realiseres – at man greier å ta ut i markedet det som er mulig. Så er det som sagt en viktig ordning for å sikre like konkurransevilkår. Det er det representanten Frank Bakke-Jensen var opptatt av. Slik jeg har forstått det, innebærer de særordningene som er nedfelt i prisutjevningsordningen, at i årene 2004–2011 har i årene 2004–2011 har Synnøve Finden og Q-meieriene økt sine markedsandeler med over 8 pst., sammenliknet med tidligere. Dette viser jo at konkurransen virker, og at virkemidlene virker. Det at man har økt tilskuddene til

vil jeg tilbake til tollsatsene. Vi har mange sitater som statsråden nevnte, om hvordan Høyre stiller seg til dette. Representanten Bakke-Jensen sa at Høyre ikke har noe imot tollvern, tvert imot. Det var prosessen og forholdet til handelspartnerne som var utgangspunktet. Ja, det var forholdet til

Er det slik at Høyre vil reversere tollendringene? Er det slik at Høyre vil ødelegge mulighetene for økte inntekter til landbruksnæringen? Er det slik at Høyre vil ivareta EUs interesser framfor norsk næringslivs interesser med sin landbrukspolitikk? landbrukspolitikk? Det har i grunnen vore ein tradisjonell debatt her i dag, der vi i Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet har understreka kor viktig bonden er for Noreg for å oppretthalda matproduksjon og busetjing i heile landet, og eit kulturlandskap slik vi kjenner det i dag. Høgre forsøker å tåkeleggja at dei er imot det meste som vi raud-grøne er for.

om at det som er vanleg, er at det er opningstilbodet til regjeringa som blir vedteke, om ikkje organisasjonane godtek tilbodet og forhandlar. Til slutt vil eg seia at det hadde tent presidenten til ære ikkje feilaktig å kommentera mat- og landbruksministeren sine merknader i det siste innlegget, for desse var absolutt innafor dagens tema, som er jordbruksoppgjeret.

Høyre har ingenting imot samvirket. Det vi har sagt, er at vi mener at den som også er markedsaktør, ikke bør være eneste markedsregulator. Det er ingen tvil om at i en fremtidig ordning, som vi først vil ha en utredning av, vil samvirket være en del av dem som deltar i markedsreguleringsordningen. Det skjønner jo egentlig alle. Så Terje Aaslands sterke kritikk av at vi skal kaste ut samvirket, faller på sin egen urimelighet. Det har vi aldri sagt. Vi har snakket om uavhengighet. Vi har snakket om å være mer nøytrale når det gjelder å se inn i markedet. Vi har sett eksempler på at definisjonen av enten overdekning eller underdekning av enkelte produkter, gis av den dominerende markedsaktøren. Det blir ikke riktig. Så til dette med importvern. Komitélederen sier at dette er til for å beskytte matvareindustrien. Jeg vil advare mot å skyve matvareindustrien foran seg. Matvareindustrien, ved et økt importvern, får høyere råvarekostnad. Det er også meningen. Jeg har ingenting imot at bønder tjener mer penger, det har Høyre mange gode tiltak for. Men det er slik at matvareindustrien i Norge er avhengig av landbruksindustrien – og omvendt. Når det gjelder importerte produkter, som man ikke kan øke tollsatsene for – ferdig bearbeidede produkter, som vi importerer – kommer de i direkte konkurranse med et som produseres i Norge av norske råvarer. Det er ingen tvil om at da taper de norske produktene, laget av norske råvarer, i den konkurransen. Det er et faktum. Det er ikke bare argumenter som matvareindustrien forsyner Høyre med. Det er et faktum som man langt inn i Bondelaget, kanskje til og med i Senterpartiet, vet er riktig. I tillegg er det slik at

Presidenten vil minne om Stortingets forretningsorden, og spesielt § 53. Presidenten bør også minnes på at en i denne salen diskuterer politikk, og da hender det at man tenker helhet, og ikke bare del. Jeg skal avslutte dagens debatt, sannsynligvis – fra min side – med å komme med noen kommentarer.

og som skaper store regionale ringvirkninger. Vi har Natura, Synnøve Finden og andre store foretak som er helt avgjørende for sitt lokal- og nærmiljø. Vi begynte debatten i dag med å diskutere mat, og det er maten som er det primære. Det er derfor vi har et landbruk, det er derfor vi har et jordbruk. Men så er tilleggseffekten av norsk landbrukspolitikk at den skaper så stor verdiskaping rundt om i landet vårt, og jeg synes at enkelte representanter tar litt for lett på det. Jeg har fått flere spørsmål fra representanten Torgeir Dahl i dag. Jeg stilte også representanten Dahl et spørsmål tilbake, angående det at han nå vil stemme for f.eks. å fjerne eksportsubsidier på melk med én gang, som det står i forslaget her. Da må han ringe til ansatte på Tine-fabrikken i Elnesvågen og si: Jeg ønsker at din arbeidsplass skal legges ned. Det er konsekvensen av det. Han må – jeg har vært der, jeg tror det er rundt 60 personer som jobber der – møte de 60 ansatte og si: Jeg synes det er riktig, bra og klokt at din arbeidsplass forsvinner. Og når en har hatt den massive motstanden mot tollendringen som flere representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet har hatt, må en møte de enkelte menneskene og si: Jo, vi mener at det er rett at en skal legge ned norsk landbruk i Finnmark, i Troms, og kutte ut industrien som er der, og ringvirkningene det gir. Det er et ærlig og åpent standpunkt, og da bør en være ærlig og åpen på det. Angående markedsordningene: Selvfølgelig ønsker vi konkurranse i norsk matvarehandel.

årets diskusjon om jordbruksavtale har klart å gjøre vanskelige avveininger sammen, og gjøre gode prioriteringer som både Bondelaget, Småbrukarlaget, og også staten står sammen om. Det er den norske modellen på sitt beste – når vi går sammen, næring og stat, og finner gode løsninger. Presidenten kan forsikre statsråd Slagsvold Vedum at i denne sal diskuteres det stort sett bare politikk, og det er det som er også meningen etter Stortingets forretningsorden.

Disse partiene vil føre en politikk som vil rasere landbruket – stikk i strid med det de rød-grønne står for. Det denne debatten har vist til fulle, er at Kristelig Folkeparti vil svikte landbruket hvis de bidrar til at Fremskrittspartiet og Høyre inntar regjeringskontorene etter valget. Det nytter ikke å si én ting når man gjør andre valg som vil føre til det helt motsatte – det er det denne debatten har vist til fulle. Jeg er helt sikker på at landbruket og bøndene i hele landet ser dette dobbeltspillet som Kristelig Folkeparti nå gjør seg til talsmann for. Det er

bekymret. Det var statsråd Kåre Gjønnes i Bondevik I-regjeringen som la fram en landbruksmelding som viste retningen helt til 2012, før det kom en ny landbruksmelding, som dette huset vedtok. For bare å bruke ett eksempel, tror jeg Kristelig Folkeparti har stor troverdighet når det gjelder bondeorganisasjonene: Jeg er selv utnevnt til bondevenn, både av Bondelaget i Sogn og Fjordane og Bondelaget i Østfold – gressfylket, kyrfylket, kornfylket og fjørfefylket. Det viser vel at den politikken Kristelig Folkeparti har, og står for, og som vi vil kjempe for, og jobbe for, er troverdig. Vi har mistet troverdigheten, har det blitt sagt. Jeg tror at Vi har mistet troverdigheten, har det blitt sagt. Jeg tror at det skal velgerne få lov til å avgjøre på valgdagen. Kristelig Folkeparti økte bistandsbudsjettet i regjeringene Bondevik I og Bondevik II hvert eneste år. Kristelig Folkeparti med regjeringsmakt fikk til avtaler med bondeorganisasjonene hvert eneste år. Vi fikk ikke noe brudd. Vi hadde ingen demonstrasjon med 2 500 bønder utenfor Stortinget – som den rød-grønne regjeringen hadde i fjor – mens de egentlig skulle vært på jordet og gjort det som virkelig var viktig, det å dyrke mat, og ikke demonstrert mot en flertallsregjering. Kristelig Folkeparti i regjeringsposisjon brukte større andel av den totale budsjettkaken på landbruk enn det som har vært gjort under den rød-grønne regjeringen. Jeg tror at dette viser at vi i Kristelig Folkeparti har brukt vår posisjon i regjering til å styrke landbruket. Vi har brukt vår posisjon i opposisjon til å bygge troverdighet overfor bøndene, og vi har vært med på å presse en rød-grønn regjering til å føre en mer aktiv landbrukspolitikk. Det tror jeg – og det vet jeg – at mange bønder og mange innen næringsmiddelindustrien har merket seg. Det er underlig, nærmest litt beklemmende, å høre at landbruks- og matministeren gang etter gang i Stortinget, og særlig nå når han skal oppsummere debatten, egentlig ikke har noe annet å snakke om enn for eller imot den siste økningen av tollvernet, som om det skulle være helt avgjørende for norsk landbruk. Det har han jo selv svart på i et brev til komiteen – at det er det i hvert fall ikke når det gjelder årets jordbruksoppgjør og det å ta ut priser. Jeg må også si til representanten Brekk – som snakker om at det er viktig å utfordre våre handelspartnere, og at ivareta våre interesser ute – at EU selv greier å følge med. EU har fulgt med på den norske striden om ostetollen og håndterer det deretter. Høyre er for et sterkt importvern. Vi diskuterer en liten del av dette. Jeg må også si jeg reagerer på utsagnet fra representanten Karin Andersen fra SV, som

forslag til budsjetter og tallfester det som ligger i programformuleringer. NILF har lagt det inn i sine modeller, og hva kommer ut av det? Jo, andelen produksjon i distriktene blir faktisk høyere, produksjonen holder seg oppe, inntektene holder seg oppe – alt målt i forhold til

Finnes det ingen andre tiltak, finnes det ikke noe annet han kan tenke seg å snakke om når det gjelder å utvikle landbruket, når det gjelder å få bedre lønnsomhet, når det gjelder å få økt produksjon, enn akkurat ost og tollinjer i det siste budsjettvedtaket?

Jo, det er akkurat de markedene som det ble vist til fra Arbeiderpartiet – de kommer Norge til hjelp, og de gjør at vi får det vi skal ha. Økningen i målprisene i det budsjettet som ligger inne nå, vil si at en familie på fire får en økning på 750 kr – det er det samme som å si at grensehandelen vil bli større. Det er jo helt i tråd med Arbeiderpartiets politikk, for representanten Lillian Hansen sier vi skal fôre Sverige med større. Det er jo helt i tråd med Arbeiderpartiets politikk, for representanten Lillian Hansen sier vi skal fôre Sverige med arbeidsplasser. Det viser virkelig Arbeiderpartiets sanne jeg, hvordan partiet er. Man kan skremme med at Fremskrittspartiet skal få landbruksministeren, men det kan aldri bli verre enn det er nå. Representanten Lillian Hansen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Hansen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Flåtten glemte visst å si en viktig ting, og det er at den rapporten han viste til, er blitt knust og trampet på opptil flere ganger etter at den kom. Den begynner vel også å få litt mugg på seg, ettersom den er noen år.

konsekvent var opptatt av å kritisere regjeringa sin landbrukspolitikk, men at dei i denne debatten ikkje har kome med eitt kritisk ord om Framstegspartiet sin landbrukspolitikk. Eg fekk ikkje noko svar på kvifor dei hadde valt den linja, så eg vil gjenta spørsmålet: Kvifor er Kristeleg Folkeparti i ein så viktig debatt i det heile ikkje opptatt av å distansere seg frå Framstegspartiet sin landbrukspolitikk?

så å si alle år, men en liten økning ett år. Det er faktum. Det var da Kristelig Folkeparti hadde statsministeren. Statsministeren gikk selv inn og ble forhandlingsleder i sluttfasen og la til noen kroner så det ble litt mindre kutt. Det må Kristelig Folkeparti være ærlige på og bare si: Sånn var det, det var det maksimale vi klarte å få til da vi hadde statsministeren og større styrke. Nå skal de gå i regjering med Fremskrittspartiet og Høyre. Høyre. Hva blir resultatet av det? De står jo mye, mye svakere nå enn med de svake resultatene fra Bondevik II. Opplegget til Lars Peder Brekk i fjor var et mye bedre opplegg enn noen av de oppleggene man la fram under Bondevik II, uansett hva man sier – det er bare å se på tallene. Det var en annen politisk situasjon, og det er et faktum, uansett om en rister på hodet – man må bare sette seg inn i saken. Så til Høyre, sier at det eneste jeg snakker om er toll. Selvfølgelig snakker jeg om det som er viktig i landbrukspolitikken, selv om det kan være litt slitsomt for representanten Flåtten at man snakker om det som er viktig. I politikk handler det noen ganger om å gjøre noen prioriteringer og tørre å stå for dem selv om det blir bråk. Den prioriteringen har vi tort å gjøre, og vi har stått for den. Vi har vært mer opptatt av å forsvare norske bønder enn danske bønder. Vi har merket oss hvordan Høyre hver eneste gang har prøvd å skåre billige politiske poeng på det, har prøvd å skåre billige politiske poeng på det, og prøvd å sette norsk landbruk opp mot utenlandsk landbruk. Vi er opptatt av at det skal være lønnsomt i å drive i norsk landbruk. Når det er lønnsomt, er det en fordel at de som produserer, får bedre betalt for produktene sine. Spesielt de store tjener på det grepet vi tok angående toll, derfor må vi ha større budsjettbevilgninger så også de små kan bli løftet. Årets jordbruksoppgjør har lagt til rette for at både store og små produsenter kan få bedre betalt. Jeg skjønner det er

ganske nedrige personangrep. Det hadde jeg faktisk et behov for å si, p.g.a. de innleggene jeg har hørt i denne debatten. Vi kan gjerne diskutere på den måten de rød-grønne holder på. Vi får høre i denne salen hver dag: Aldri har det vært bevilget mer penger til kommunene, aldri har det vært bevilget mer penger til Helse-Norge. Ja, vi kan ta den. Aldri har det vært færre bønder i dette landet, aldri har det vært så få gårdsbruk i dette landet – hvis vi skal følge den rød-grønne retorikken. Jeg skal holde meg for god til det, for vi vet veldig godt alle sammen i denne salen at vi har strukturutfordringer, uavhengig av om det er en rød-grønn regjering eller en annen regjering som sitter ved bordet. Vi står opp for vår landbrukspolitikk. Nå skal jeg svare Holmelid: Vi

Generelt vil presidenten si at talerne bør holde seg strengt til den saken som er under debatt, slik det framgår av Stortingets forretningsorden § 53 – en generell oppfordring til debattantene. Jeg skal bare avklare noen ting: Jeg har ikke sagt at samvirkebedriftene og markedsreguleringen i tilknytning til denne er hellig. Jeg har sagt at det har fungert veldig bra. Det er ingen tvil om at den ordningen som gjelder, gjelder, er en veldig fin risikoavlastning for staten når det gjelder markedsreguleringen, og sånn sett mener jeg at den fungerer veldig bra. Jeg hører at Høyre gjentatte ganger sier at de er for et importvern – og merker meg for så vidt det – selv om det ikke er mange Høyre-utsagn det siste året som vitner om akkurat det.

hvilken regjering og hvilken retning samfunnet har etter stortingsvalget når det gjelder jordbrukspolitikken. Det må være relevant å ta opp i denne sal hvilket parti som kan ha ansvar for en framtidig jordbrukspolitikk i en regjering som Kristelig Folkeparti eventuelt er med og innsetter. Man burde egentlig forvente at hvis det ikke var relevant, at de hadde avklart hvilken landbrukspolitikk som skulle gjelde de neste fire årene. Jeg stoler på Kristelig Folkeparti, men jeg stoler ikke på Høyre og Fremskrittspartiet. Det er det som er et vesentlig poeng i denne debatten. Til slutt til representanten Torgeir Trældal, som gjentatte ganger har tatt opp grensehandelen, også i denne debatten. Det som virkelig bekymrer meg når det gjelder grensehandelen, er hvis det er Fremskrittspartiets tanke

forholdet. Eg må seie at det er ein underleg debatt, der representantar frå den sittande regjeringa tydelegvis legg opp til at angrep er det beste forsvar. Og har ein dårlege argument, hever ein røysta. Og for han som evnar og sjå seg litt rundt om i landet, så kan ein ikkje akkurat påstå at det skin så veldig av landbruksnæringa i

og reguleringsoverflod. Poenget mitt igjen er: Det skin ikkje akkurat av denne næringa. Og det har næringa sjølv sett. Det er ikkje akkurat ei hallelujastemning der ute for framleis å ha ei raud-grøn regjering heller. Det viser

at vår rapport «ble knust». Nei, det var fiendebildet av Høyre som ble knust. Ennå har ingen imøtegått noen av premissene som er lagt inn. Man har ikke likt dem, nei – politisk – men det oppfordrer Hansen og Arbeiderpartiet til å fortelle meg hva det er i rapporten som ikke er riktig. Foreløpig har jeg hørt at Bondelaget ikke liker den. Det var ikke så overraskende, men jeg vil gjerne høre hva som ligger i den av fakta. Representanten Line Henriette Hjemdal har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en

Faktum er også at det ikke ble prosentvis likt for de beste avtalene, og faktum er at det var et WTO-spøkelse som hang over norsk landbruk i den perioden som gjorde at det var veldig krevende. Bondevik selv la sin personlige prestisje i å få til et opplegg der han ikke kuttet fullt så mye som ellers hadde vært alternativet. Det er et faktum. faktum. Det må Kristelig Folkeparti være ærlige på, og bare se på de avtalene som var under Bondevik II-perioden, og ikke late som om det var noe mer enn det det er. Det var det man mente var riktig da, og det ble gjort. Så har vi gjort noen løft etterpå, som har vært helt nødvendige. Det er interessant å lese innstillingen. Regjeringen har bl.a. blitt beskyldt for at vi ikke ønsker å tenke nytt. Men da kan jeg komme med en liten beskyldning tilbake. For det er ganske underlig det som står i forslag nr. 3 fra Høyre og Fremskrittspartiet – jeg skal ta ett eksempel: «Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om endring av jordlovens bestemmelser om delingsforbud.» Vi hadde en debatt om fjerning av den i forrige uke, der vi behandlet jordloven § 12 og fjernet delingsforbudet. Så kommer det et nytt forslag uken etter. Det er et eksempel som viser hvor liten respekt Høyre og Fremskrittspartiet viser for landbrukspolitikken. Dere kommer med opplagte forslag som ble behandlet i forrige uke, der vi endret delingsforbudet. Jeg kan ikke forstå hvorfor dere gjør det. Men dere gjør det fordi dere tror at dere kan skåre et billig politisk poeng på det. Ellers er det de som har skrevet denne innstillingen, som ikke har fått med seg at vi behandlet jordloven i forrige uke. Jeg tror dessverre at det kan være det siste. Og det er jo mildt sagt underlig. Jeg har merket meg at partiet Venstre ikke har deltatt i debatten. De hadde et innlegg, og så gikk de. Det er av de partiene som har hatt størst endring i sin politikk fra 2005 til nå – fra da Lars Sponheim var landbruksminister til Borghild Tendens innlegg i dag. For de var jo på helt samme linje som representanten Svein Flåtten, da vi gjorde den tollendringen. De kalte det egoisme satt i system og proteksjonisme på sitt verste at vi sto opp for norsk landbruk, for norske distrikter og for norske industriarbeidsplasser. Så er det ikke riktig som representanten Svein Flåtten har sagt, at vi ikke er opptatt av norsk næringsmiddelindustri. Da vi gjorde denne endringen, var det etter sterke innspill fra NHO Mat og Landbruk, fra NHO Mat og Landbruk, fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund – LO og fra Bondelaget og Småbrukarlaget. Det var bredde her – industri, fagorganisasjon, bondelag og småbrukarlag sto sammen. Derfor responderte regjeringen på det, nettopp for å kunne gi økte inntektsmuligheter, gi forutsigbarhet og sikre arbeidsplassene, og ikke gjøre som representanten fra Møre og Romsdal som ønsker å legge ned meieriet i sitt eget distrikt.

jordvern, som vi har til behandling. Det er en ganske interessant sak, særlig med bakgrunn i den ganske voldsomme debatten var mellom de rød-grønne partiene og Kristelig Folkeparti i den foregående saken – kanskje helst angrepene Jeg må si at intensjonen i forslagene fra Kristelig Folkeparti om jordvern er meget gode. De respekterer jeg, som jeg respekterer Kristelig Folkepartis landbrukspolitikk på andre måter. Jeg trekker overhodet ikke motivene i tvil. Jeg synes de er aktverdige. Av og til har vi Men en del av forslagene synes vi går litt langt. Kanskje er det også for tidlig. Vi mener – og det oppfatter jeg også at Kristelig Folkeparti mener, for de slutter seg til det i andre saker – at det er mye annet man også kan se på for å ta vare på jorden. Man kan drive den på en bedre måte, bli kvitt leiejordsproblematikken, sørge for nødvendige tilskudd til grøfting, osv. Men først og fremst bør man se på dereguleringer på eiendomssiden, som kan gjøre at denne 40-prosenten med leiejord går ned, slik at det blir eieren som også driver. Det betyr selvsagt at man kommer til å ta vare på jorden på en annen måte. Jordvern blir overhodet ikke overflødig; det er ikke det jeg sier. Men vi får mer ut av jorden. Det er en pussighet i dette, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti står sammen om to alternative forslag – opprinnelig fremmet av Høyre – om å se på beskatningen av tomter når man selger ut for å reinvestere i jord. Det er meget gode forslag, og Kristelig Folkeparti er også med på dem. Det som er oppsiktsvekkende i denne saken de rød-grønnes forhold til Kristelig Folkeparti, er at man – når det gjelder et forslag med så gode intensjoner – ikke engang kan gå inn for å vedlegge forslaget protokollen, men bare helt strikt avvise det hele som, jeg vil si, uinteressant. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til

Høyres hovedtalsmann, Frank Bakke-Jensen, kommer med en skjønn bukett av ord: ikke mot tollvernet, for samvirke og for jordbruksavtale. Sitater og fakta om det motsatte fra Høyres sentrale talspersoner betyr ikke noe. Dette er ikke troverdig. Jeg vil anbefale partiet Høyre å si det som det er, og snart kalle en spade for en spade: Svakere lønnsomhet i produksjon av mat – ikke minst på store bruk, som de ønsker – vil bli en sosial katastrofe for de menneskene som bor på gård i dag. Representanten Lars Peder Brekk har også hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
Debatten har vist at det er veldig klare skillelinjer mellom det blå-blå alternativet og det rød-grønne, og i den sammenhengen tror jeg vi alle må tåle å bli utfordret på vår egen politikk. Det betyr også at Kristelig Folkeparti må tåle å bli utfordret på sine veivalg når

Ja, vi tåler å bli utfordret i Kristelig Folkeparti. Til representanten Aasland vil jeg si at vi ikke har noe problem med å diskutere partiets politiske ståsted i landbrukspolitikken. Det jeg pekte på, som jeg faktisk mener, er at det kan vi godt gjøre uten at man trenger å personifisere – og det på en svært negativ måte – hvem som eventuelt skulle sitte i en Det tror jeg faktisk debatten tjener på. Jeg registrerer at de rød-grønne nå er veldig enige. Det er bra, for det er ikke alltid vi har fått det inntrykket. Ingen nevnt og ingen glemt, men la oss si det sånn: De som har hatt ordet i denne debatten, har jo nettopp påpekt den store avstanden mellom enkelte av partiene i regjering, og hvor forferdelig vanskelig det har vært å regjere med det største partiet – for å sette ord på det. Så vi hører det som blir sagt, at det er en rørende enighet. Den har ikke vært åpenbar for oss som har fulgt debattene tidligere. Så står jeg fast på det jeg sa i mitt tidligere innlegg. Vi går til valg på vår politikk, og vi vet at det er mange som ønsker et regjeringsskifte.

fullstendig mot dagens bærebjelker i norsk landbrukspolitikk. Det gir en helt, helt annen virkelighet. Det som må være nesten umulig for Kristelig Folkeparti å kunne si med troverdighet, er at de selv tror at de skal kunne klare å levere bedre jordbruksoppgjør nå enn de gjorde under Bondevik II, hvis det er Fremskrittspartiet og Høyre de skal regjere sammen med. Min siste oppfordring til Kristelig Folkeparti er at de må begynne å se på sin egen politikk begynne å ta sin egen politikk på alvor, og se hvor det er de får gjennomslag for den. Det er ikke god sentrumspolitikk å gå til Fremskrittspartiet og Høyre i våre tradisjonelle sentrumssaker. De får vi gjennomslag for sammen med Arbeiderpartiet og SV. Men jeg skjønner at de har tatt et taktisk valg. Jeg mener det er grunnleggende feil og svært skummelt for norsk landbruk at de skal være døråpneren for Fremskrittspartiet og Høyre inn i landbrukskontorene. Det skal vi forhindre gjennom å
Neste taler er

det samme regjeringsalternativet som det vi hadde under Bondevik II-regjeringen, men at vi som kjent også har sagt at vi selvsagt er villige til å snakke med alle opposisjonspartiene dersom vi får et nytt flertall. Det heter å ta ansvar, fordi vi da har en situasjon der velgerne har sagt at de ønsker en ny regjering. Nå er det veldig mye som tyder på at mange velgere ønsker en ny regjering. regjering. Det tror jeg kanskje landbruksministeren bør merke seg, og også at det faktisk er mange innenfor landbruket som ønsker en ny regjering. Så kan jo landbruksministeren gjerne reflektere – siden den analytiske evnen er veldig stor i dag – rundt både Bondevik II-regjeringen og bondeorganisasjonenes egne motiver for å inngå oppgjør med med den forrige regjeringen. Siden hans analytiske evner i dag er veldig kreative, burde han kanskje ha noen refleksjoner omkring hvorfor mange bønder faktisk også ønsker en ny regjering. Ut fra landbruksministerens siste innlegg kan man få inntrykk av at den rød-grønne regjeringen står med en åpen invitasjon til et landbrukspolitisk samarbeid med Kristelig Folkeparti. Er det sånn at det foreligger en invitasjon fra den sittende regjering til et landbrukspolitisk samarbeid med Kristelig Folkeparti i neste periode? Landbruksministerens innlegg kan tyde på det, men alle andre signaler over flere år fra den sittende regjering, er: Dette klarer vi godt selv – vi ønsker å gjøre denne jobben alene, vi ønsker å gå til valg alene, som et eget alternativ, vi trenger ingen andre. Men nå har plutselig Kristelig Folkeparti blitt et veldig viktig parti

Strategien er ganske enkel å avsløre, men den gir ikke Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen større troverdighet når vi nærmer oss et valg.

med den rapporten. Kristelig Folkeparti har valgt en utmerket samarbeidspartner hvis man ønsker å utvikle norsk landbruk inn mot de reelle problemstillinger som man har, som Syversen var inne på, som ingen egentlig tar på alvor, og som i hvert fall regjeringspartiene har vist at man ikke tar på alvor. Høyre vil ha importvern – men det er heller ingen tvil om at man kan gjøre justeringer på importvernet som langt fra er dramatisk for norsk landbruk og jordbruk, og som kanskje rett og slett vil føre til at man blir mer rasjonell i sin tilpasning. Høyre vil ha jordbruksforhandlinger, men vi vil samkjøre dem med budsjettframleggelsen. Det ligger jo ikke noen dramatikk i det. Så her er Man vil ikke ha noen dramatisk omlegging. Som jeg har sagt fra denne talerstolen mange ganger, er norsk jordbruk stort sett formet gjennom politikk, og det er politikk som også må bringe næringen tilbake til en sunnere framtid. Det er også forunderlig å sitte og høre på en debatt rundt jordbruksforhandlingene hvor representanter beskriver det som katastrofe med Høyres politikk. Hvis vi går inn og ser på hva Høyres forslag går ut på, har vi skatteforslag som vil gi tilbake halvparten av våre kutt i jordbruksforhandlingene. Vi tar på alvor at det er en næring som består av selvstendig næringsdrivende, og vi tror at hvis de får større frihetsgrad til å tilpasse seg selv, og får beholde mer av sine egne penger, vil det i bunn og grunn bli en mye mer solid og framtidsrettet næring. Det viste vel også erfaringene med jordbruket under Bondevik II-regjeringen. Da var det veldig mye statistikk som – hvis man går tilbake og ser på statistikken – viser at optimismen var litt på tur tilbake i landbruket under den perioden. Det som har skjedd under den rød-grønne regjeringen, er jo at mye av produksjonen og statistikken viser at man går i ganske så feil retning. man skal forholde seg til resultatene av egen politikk, og da har ikke den rød-grønne regjeringen mye å skryte av. Igjen: Kristelig Folkeparti har en utmerket samarbeidspartner i Høyre. Vi skal utvikle et landbruk som er sunt, og som får tilbake en optimisme for framtiden. Det er

ikke den påstanden er riktig. Så til representanten Gundersen, som så tilforlatelig sier at de skal flytte jordbruksforhandlingene fra våren til den ordinære budsjettbehandlingen i Stortinget, og at det ikke er noen dramatikk i det. Men hvorfor ønsker man det? Det er selvfølgelig for å svekke makten til Bondelaget og Småbrukarlaget i den situasjonen. Man skal altså samkjøre det med de andre budsjettprosessene, sånn at det ikke blir en egen prosess som har fungert godt for norsk landbruk fra 1950-tallet til i dag. Man sier da tilforlatelig at nå skal vi bare legge det inn i den ordinære budsjettprosessen på Stortinget – det blir noenlunde det samme. Det er jo en måte å svekke Bondelagets og Småbrukarlagets forhandlingsrett på, og deres mulighet til å være med og utforme politikken sammen med staten. Noe av suksessen i den norske modellen er nettopp at vi har utformet politikken sammen. Vi mener at de mange titusener som jobber i ser vel så godt som oss hva som er næringens utfordringer. Derfor gjør vi det sammen. Derfor gjør vi det i en egen prosess på våren, der vi diskuterer hvordan vi skal bruke budsjettmidlene, hvordan vi kan prioritere også prisvirkemidler, og der vi har en tett gjennomgang. Det å legge det til den ordinære budsjettbehandlingen gjør at jordbrukets rolle blir svekket – jordbrukets makt blir svakere, og statens makt blir sterkere. Vi i den rød-grønne regjeringen ønsker ikke at statens makt skal Det ønsker dessverre Høyre, og jeg synes det er trist. Når det gjelder Kristelig Folkeparti, har jeg skjønt at de blir veldig, veldig provosert over at vi bare snakker om de budsjettbevilgningene fra Bondevik II. Men de må jo ikke la seg provosere over at vi løfter fram de budsjettbevilgningene som var under Bondevik II – det er jo bare faktum at det var sånn det var. Det var kutt i budsjett i nesten alle år under Bondevik II. Det var den man fikk til i det politiske flertallet da. Takket være Kristelig Folkeparti og den innsatsen ikke minst Kjell Magne Bondevik gjorde, ble det ikke så store kutt som det hadde blitt uten Kristelig Folkeparti. Det er faktumet. Men etter valget – hvis Kristelig Folkeparti mot formodning går i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet – vil det ikke sitte en Kjell Magne Bondevik på Statsministerens kontor og gå inn i siste forhandlingsrunde. Kristelig Folkeparti vil ikke ha den samme styrken

Men man må i hvert fall forholde seg til det som er realitetene og resultatene av egen politikk. Til bruksnedleggelsene: Det er klart at tallet på bruk som blir nedlagt når to tredjedeler nå snart er borte, nødvendigvis vil gå ned, men regnet i prosent av andelen bruk, tror jeg nedleggelsene har skjedd minst like raskt nå, under den rød-grønne regjeringen,

innstilling, men det er greit. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.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

For Norge som olje- og gassnasjon er dagen i dag derfor viktig. Vi vet hvor mye det kan bety for arbeidsplasser og vekstmuligheter når det åpnes for olje- og gassvirksomhet på sokkelen. 15. september 2010 var virkelig en historisk dag. Da ble Norge og Russland enige om avgrensing og samarbeid i Barentshavet. Forhandlingene om avtalen tok over 40 år. Avtalen som ble inngått, løste de viktigste uavklarte spørsmålene mellom Norge og Russland i etterkrigstiden. Det er denne avtalen som nå gir oss muligheten til å åpne dette området. Jeg er veldig glad for at det er stort flertall i komiteen for å gå videre med denne saken. Vi fortsetter tradisjonen med bred politisk enighet i petroleumspolitikken. Til tross for at selskapene på norsk sokkel har gjort noen store funn de siste vil produksjonen fra norsk sokkel avta fra 2020. I perioden fram mot 2020 vil investeringene på norsk sokkel etter hvert i større grad være knyttet til framtidige utbygginger, som Sverdrup og Castberg. Produksjonen fra eksisterende felt og felt som er i sen planleggingsfase i dag, vil reduseres utover på 2020-tallet. Ressurser fra felt vi ikke ennå har oppdaget, vil spille en stadig viktigere rolle og etter hvert bli dominerende på norsk sokkel. sokkel. Det tar lang tid fra et område åpnes til felt kan settes i produksjon. Ett eksempel er Snøhvit-feltet. Feltet ble satt i produksjon i 2007, mens Tromsøflaket, der feltet ligger, ble åpnet allerede i 1979. Feltet ble påvist i 1981. Det er derfor viktig at vi ikke diskuterer åpning av dette området med utgangspunkt i investeringsnivået i dag på norsk sokkel. I dag er det et høyt investeringsnivå, så høyt at en viktig diskusjon er todelingen av norsk økonomi. Dette bildet vil endre seg over tid, og situasjonen på det tidspunktet Stortinget skal ta stilling til eventuelle felt i Barentshavet sørøst, vil se helt annerledes ut enn i dag. For all olje- og gassvirksomhet er det en miljørisiko. Konsekvensutredningene viser at et større akuttutslipp av olje kan På grunnlag av erfaringer fra petroleumsvirksomhet i andre områder på norsk sokkel vurderes sannsynligheten for et slikt utslipp som lav. Det er viktig å fortsette arbeidet med å styrke oljevernberedskapen. Jeg er glad for at regjeringen i meldingen varsler at sikkerhetsmyndighetene vil starte et arbeid for å identifisere og utrede operasjonelle usikkerhets- og risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Åpningsområdet reguleres av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. For olje- og gassvirksomheten i området kan derfor selskapene ikke nominere områder i et belte på 35 km fra grunnlinjen. I et område mellom 35 og 65 km fra grunnlinjen vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden fra 1. mars til 31. august. I områder nærmere enn 50 km fra den observerte iskanten vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden fra 1. mars til 31. august. Regjeringen varsler også at den vil sette i gang et arbeid med sikte på å identifisere og utrede operasjonelle usikkerhets- og risikofaktorer ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Konsekvensutredningen som Olje- og energidepartementet har gjennomført, viser at drivverdige funn i Barentshavet sørøst vil kunne gi betydelige samfunnsmessige ringvirkninger, både lokalt i Nord-Norge og i resten av landet. i Barentshavet sørøst vil kunne gi økt kompetansebehov i regionen. Det er forventet at den største etterspørselen vil komme for folk med utdanning innenfor elektrofag, mekaniske fag, maskinfag og bygg- og anleggsfag fra videregående skole eller fra fagskole. Jeg synes det er gledelig at en samlet komité understreker viktigheten av at selskapene som etter hvert skal drive olje- og gassvirksomhet i området, tar inn lokale

2020. Derfor er det viktig at ein framleis legg til grunn ei føreseielegheit med omsyn til opning av nye område. Dette med leiteområde for norsk olje- og gassaktivitet for å sikre norsk sokkel operasjonelle produksjonsvolum framover, ser Framstegspartiet på som svært viktig. Så er det utfordringar i nordområda. Det er utfordringar med omsyn til is, tøft

og i mange samanhengar vidareutviklar ein teknologi som også kan brukast i verdssamanheng. Når det gjeld næringsutvikling i den nørdste delen av landet vårt, har det lenge vore eit ønske om at dei skulle få bidra og vere med på ein større del av den verdiskapinga som er knytt til petroleumsverksemda. Som saksordføraren var inne på, er dette eit viktig bidrag for å oppretthalde både busetting og næringsaktivitet i dette området, og det sluttar Framstegspartiet seg til. En viktig forutsetning for at Norge skal opprettholde et høyt produksjonsvolum for olje og gass fremover, er

om petroleumsvirksomheten, gjennom Innst.143 S for 2011–2012, og Stortinget la en ambisiøs forventning til grunn for fremtidig produksjonsvolum. Det er nesten 20 år siden sist det ble åpnet nytt område på norsk sokkel for olje- og gassvirksomhet, og det er gledelig at dette skjer nå. Høyre var tydelig på at vi så snart som overenskomsten med Russland om dette tidligere omstridte området i Barentshavet kom på plass og ble ratifisert av begge land. For Høyre handler dette dels om muligheten for å hevde suverenitet gjennom aktivitet, dels om betydningen av å åpne nye områder for olje- og gassaktivitet for å opprettholde produksjonsvolum fra norsk sokkel, og sist, men ikke minst, er det viktig å kunne sette standarder for helse, miljø og sikkerhetskrav til aktivitet i disse nordlige områdene. Russiske myndigheter har tildelt areal på russisk side av avgrensningslinjen i det tidligere omstridte området, og da er det viktig at Norge også er aktiv i disse havområdene. Vi registrerer at det ikke er fremkommet store negative innvendinger i konsekvensutredningen når det gjelder spørsmål om åpning av dette området, og at åpningen dermed føyer seg inn i den skrittvise og kunnskapsbaserte utviklingen som vi ønsker skal prege aktivitetsbildet på norsk sokkel. Det er noen kommentarer jeg har lyst til å knytte opp til behandlingen av denne saken. Stortingsmeldingen syntes kanskje noe umoden da den ble presentert for Stortinget, og vi har vel på mange måter vært vitne til noe som kan beskrives som et seminar underveis i prosessen videre – hvor regjeringen på den ene siden måtte levere en tilleggsmelding, nemlig Videre stiller vi oss noe undrende til måten Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet åpenlyst driver en dobbeltkommunikasjon, hvor de på den ene siden skriver at det i områdene ved iskanten og polarfronten ikke skal igangsettes petroleumsaktivitet nå, mens de i samme avsnitt skriver at dette «er ikke til hinder for at det kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst». Disse merknadene er noe forvirrende, men jeg håper at debatten i dag kanskje kan kaste et klarhetens lys over hva regjeringen egentlig mener. Høyre legger til grunn de samme begrensningene for petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst som for det øvrige området som er omfattet av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. For Høyre er det viktig å adressere at områdene ved polarfronten og iskanten er viktige biologiske områder som vi må ta hensyn til. Vi ønsker ikke olje- og gassaktivitet i disse områdene nå, men vi etterlyser en faglig diskusjon om og definisjon av hva som skal oppfattes som polarfronten og iskanten, slik at vi får en enhetlig og kunnskapsbasert tilnærming til hvordan vi skal sette disse grenselinjene fremover. For øvrig er det viktig for Høyre at det iverksettes en betydelig styrking av oljevernberedskapen i åpningsområdet.

til disse spørsmålene. Myndighetene og de ulike selskaper og investorer har en gjensidig interesse av tillit, forutsigbarhet og et godt samarbeidsklima fremover, slik at vi sammen klarer å ta vare på det vekstpotensialet norsk sokkel representerer generelt, og kanskje i disse nordlige områdene

SV tar IEAs beskjed på alvor, og vi er opptatt av å redusere oljeutvinninga. I Barentshavet kan det være olje og gass som utgjør 800 millioner tonn CO2, eller seksten ganger Norges totale klimautslipp. Denne saken kunne også ha vært en sak om åpning av havområdene rundt Jan Mayen. Slik ble det ikke, det var det miljøvernministeren kalte 1–1 i SVs syn var at vi gikk imot åpning både av Jan Mayen og Barentshavet sørøst. Både Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning frarådet på det sterkeste å åpne områdene ved Jan Mayen, og vi er tilfreds med at et slikt forslag ikke kom nå. Miljøfaglige myndigheter og miljøorganisasjoner advarer også mot åpning av Barentshavet sørøst. Klif og Norsk Polarinstitutt henviser til at det er svært kort tid siden avklaringene av delelinjen, og mye miljøkartlegging gjenstår. Havforskningsinstituttet er svært kritisk. Det er derfor for tidlig å ta stilling til åpning ut fra en helhetlig økosystem- og kunnskapsbasert forvaltning. Det påpekes også at denne delen av Barentshavet er svært produktivt og et viktig gyte-, beite- og leveområde for store fiskebestander, i tillegg viktig for sjøfuglbestander og sjøpattedyr som er i tilbakegang. Konsekvensene ved oljeutslipp vil være store, og mulighetene for en effektiv oljeberedskap er minimale. Tenk dere et utslipp langt nord for Finnmarkskysten, med sprengkulde, mørke og uvær. Selv om et utslipp vurderes som lite sannsynlig, kan vi ikke ta noen sjanser. Føre-var-prinsippet burde vært fulgt. Det har vært særlig stor bekymring for oljeboring i områdene nær iskanten og nær kysten av Finnmark. Da forvaltningsplanen ble laget, var det ikke så aktuelt å bore ved iskanten. Det betød at forvaltningsplanen har mangler når det gjelder å se på hvilke regler som skal gjelde ved og polarfronten. Derfor peker regjeringspartiene på regjeringas formuleringer om at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten nå, men at spørsmålet skal vurderes på nytt i forbindelse med neste oppdatering av forvaltningsplanen. Det vil være det miljøfaglige arbeidet som Høyre også etterspør. Samtidig skal områder nærmere kysten enn 35 km fra grunnlinja ikke inngå i nominering til 23. konsesjonsrunde, og det skal være boretidsbegrensninger i området 35 til 65 km fra grunnlinja og 50 km fra den observerte iskanten. Forvaltningsplanen opererer med en definisjon som er illustrert på et kart over iskanten, og det er basert på gjennomsnitt for is de siste 30 år. Andre opererer med isutbredelse de siste ti år. Kristelig Folkeparti legger til grunn unntaksåret 2003, om maksimal isutbredelse da. Ulempen med den definisjonen er at den baserer seg på et unntaksår, men det er en sympatisk definisjon i den forstand at det betyr at halve området ikke blir åpnet. Men en slik definisjon er ikke en del av enigheten i regjeringa, og det er heller ingen oppslutning blant de andre opposisjonspartiene for det. Vi kan altså konstatere at det er et massivt flertall i Stortinget for å øke olje- og gassutvinningen. Det svekker vår klimapolitikk, og det er åpenbart et spørsmål som bør stå sentralt i den kommende valgkampen. La meg understreke at vedtaket i dag betyr at det ikke nå blir noen åpning av Jan Mayen, som opprinnelig var tenkt åpnet i denne perioden. Barentshavet sørøst åpnes, men vedtaket innebærer også at det ikke kan bores i isen
Neste taler er representanten

samtidig med at det er tiltakande aktivitet òg på den andre sida av grensa. Vi har tradisjon for å vise aktsemd og gå forsiktig fram i petroleumspolitikken. Den gjennomførte konsekvensutgreiinga avdekte relativt små potensielle miljøkonsekvensar av petroleumsverksemd i opningsområdet, men at dei konsekvensane som er, er størst i den nordlege delen av opningsområdet. Likevel, auka petroleumsaktivitet i nord krev både ny teknologi og nye løysingar for oljevernberedskap. Samtidig veit vi at akuttutslepp av olje kan ha alvorlege konsekvensar for miljøet. Det må vi ta på alvor, og eg er derfor glad for at regjeringa vil legge avgrensingar på leiteboring i oljeførande lag i periodar av året. Det er ikkje tvil om at tilhøva så langt nord er krevjande. Vi kan vente oss låge temperaturar og ising om vinteren, mørke og sterk vind. Derfor trengst det klare rammer for aktiviteten, og i samarbeid med partane i arbeidslivet har bransjen utvikla eit omfattande HMS-regelverk som stiller strenge krav til tryggleik og styring. Krava til forsvarlegheit blir ikkje mindre av at verksemda føregår under så krevjande tilhøve. Derfor skal det gjennomførast eit arbeid for å identifisere og utgreie operasjonelle utryggleiks- og risikofaktorar ved petroleumsverksemd i området før leiteboring og utbygging kan skje. Den konkrete oppfølginga av petroleumsaktiviteten i det området vi no opnar, skjer gjennom utlysing og tildeling av blokkar, og det ligg eit stort ansvar på regjeringa òg i desse prosessane for å vise omsyn til dei utfordringane som klimaet i området utgjer. Det vil vere klokt å ta omsyn til tilhøva, særleg i den nordlegaste delen av dette området, når

Vidare har vi forventningar til at ein har god kontakt med lokale og regionale styresmakter, og at ein legg aktivt til rette for at verdiskapinga som skjer i samband med petroleumsverksemd, kjem nærområda til gode gjennom sysselsetting og gjennom aktivitet. Dette er

området. Det er en spesiell sak fordi vi fikk en forvaltningsplan for Barentshavet sørøst ganske så sent, i tillegg til at en fikk en tilleggsmelding for bare 14 dager siden. Det har gitt komiteen lite tid. Vi har hatt mange saker i vår, og en så stor og så viktig sak burde vært behandlet bedre. I tillegg har det utviklet seg en brevveksling mellom statsråden og komiteen – jeg følte jeg hadde en brevvenn igjen – og gjennom den og gjennom den brevvekslingen har vi fått definert iskanten og polarfronten, hva som legges i det. Denne forvaltningsplanen for Barentshavet sørøst bygger på forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Da ble det definert som særlig sårbare områder. Den forvaltningsplanen har en grundig beskrivelse av de sårbare områdene, og også i tilknytning til konsekvensutredningen i denne saken har det kommet mange viktige innspill knyttet til miljø. Jeg registrerer, når jeg leser vedleggene, at mange av innvendingene fra miljø- og fagetatene bare har blitt tatt til orientering, og en har egentlig ikke svart godt på hvorfor en går vekk fra dem. Men jeg har registrert at det har vært en flytting i disse sakene, der miljøet har tapt. I 2011, ved forrige forvaltningsplan, fjernet regjeringen kravet om nullutslipp i disse områdene. Samtidig fjernet en kravet om at det skulle være en 50-kilometersgrense fra grunnlinjen. Den er nå blitt 35 kilometer. Nå åpner en altså for aktivitet i tilknytning til polarfronten og iskanten – på tross av at jeg og alle miljøorganisasjoner og miljøetater mener at forvaltningsplanen for Barentshavet faktisk egentlig hindrer det.

biogeografisk grense og har derfor relativt høy biodiversitet. Den er imidlertid bredere og mindre markert i øst enn lenger vest. Sjøis dekker deler av området i perioder av året.» Kart og alt som ligger til grunn for forvaltningsplanen, tilsier egentlig at en er tydelig på at polarfronten og iskanten går inn i dette området som en nå åpner. Dette nekter Kristelig Folkeparti å være med på. Derfor tar jeg opp de forslagene som vi har i saken. saken. Vi legger oss ikke på en egen definisjon, vi legger oss på definisjonen til Direktoratet for naturforvaltning, Polarinstituttet, miljøbevegelsen, altså 50 km fra maksimal isutbredelse – ikke den definisjonen som vi fikk gjennom brevvekslingen: «den til enhver tid observerte iskant». Når vi nå så hvem som fikk utdelt tillatelse i 22. konsesjonsrunde, så en at 22. konsesjonsrunde, så en at det var noen av de nordligste områdene som ble åpnet. Derfor frykter jeg at det er det samme som vil skje i 23. konsesjonsrunde – nå ser jeg statsråden nikke. Det er klart at når du skal nærme deg Nordpolen, er det det som må ligge til grunn. Men i tillegg må det jo være en åpning med sikte på at det skal bli funn som gjør at det kan produseres hele året.

sårbare. Til innlegget til Egeland må jeg si at jeg undrer stort: Jan Mayen skal ikke åpnes nå, sier han. Da kan jeg sitere fra innstillingen på side 1: «Derfor gjennomfører regjeringen åpningsprosessene i Barentshavet sørøst og for norske havområder ved Jan Mayen.» Hvis SV ser det som en seier, vil jeg gjerne ha olje- og energiministeren til å bekrefte at det er det. Så kommer jeg heller tilbake

det. Så kommer jeg heller tilbake senere. Representanten Kjell Ingolf Ropstad har tatt opp de forslagene han refererte til. Jeg skal i dag bare kort ta ordet for å si at Venstre slutter seg til kommentarene og innlegget til representanten fra Kristelig Folkeparti og varsler at vi vil stemme for mindretallsforslagene fra Kristelig Folkeparti. Venstre har også fått med seg statsråd Ola Borten Moes utspill i fjor om at han vil bore til Nordpolen, om at dette ikke var rød-grønn politikk. Vel, nå skjer det. På mandag slo Dagsavisen stort opp at det har vært 40 oljeutslipp fra norsk sokkel det siste året. Avsløringene om store oljeutslipp hver eneste dag burde føre til at regjeringen stanser åpningen for petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten i Barentshavet sørøst. I en sak der usikkerheten knyttet til sårbarhet og beredskap allerede er stor, bør stortingsflertallet benytte anledningen i dag til å snu og ta en tenkepause, i stedet for å gå for full åpning av Barentshavet sørøst. Alle faglige miljøetater identifiserer iskanten og polarfronten som særlig sårbare områder, og forvaltningsplanen påpeker også, som det ble sagt før, at det er vesentlige kunnskapshull knyttet til disse områdene. Statens egne miljøfaglige etater har alvorlige innsigelser mot risikovurderingene, beredskapssituasjonen og utfordringer knyttet til håndtering av oljesøl i isfylte farvann, og en samlet miljøbevegelse, som det også har blitt nevnt, har bedt Stortinget om å si nei til petroleumsvirksomhet i isfylte farvann. farvann. Gang på gang har denne regjeringen valgt å overse miljøfaglige råd. Venstre ber om at de nå legger føre-vare-prinsippet til grunn og sier nei til petroleumsaktivitet i de mest sårbare områdene. Til slutt vil jeg knytte en kommentar til klimaperspektivet i denne saken. Denne uken la Statistisk sentralbyrå fram en analyse som viser at en reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon vil være et kostnadseffektivt klimatiltak, både i Norge og globalt. Venstre ber stortingspartiene merke seg denne rapporten når eventuelle prosjekter fra dette området og andre områder kommer til behandling i Stortinget. La meg starte med å sitere en kjent sang, nemlig «Det er lov å være blid». For nå har det vært så

alle kommer til å stemme for, iallfall så vidt jeg kan forstå. Da er man altså for, men bare litt, og så er man litt for miljøfaglige råd i tillegg – en interessant tilnærming. En gang var Barentshavet kjent under navnet Murmanskoje morje, Nordmannshavet. Sitt nåværende navn fikk området på da han oppdaget dette og seilte halvveis gjennom Nordøstpassasjen. De påfølgende århundrene bega mang en oppdagelsesreisende seg til Barentshavet og Arktis for å finne nytt land og nye sjøveier til Amerika og Asia. Nansen lot seg fryse inne med «Fram» på 1890-tallet, i håp om å drive til Nordpolen. Og i 1901 seilte russerne med sin første Med rutefly til Longyearbyen og bilekspedisjoner til Nordpolen er ikke Arktis like eksotisk i dag. I dag setter vi punktum for en prosess som startet under Borten-regjeringen i 1967, nemlig initiativet knyttet til delelinjeforhandlingene med russerne. Den 19. juni 2013 vil bli stående som en merkedag i norsk olje- og gasshistorie. Det har gått nesten 20 år siden forrige gang vi åpnet nytt areal. I dag kan vi åpne Barentshavet sørøst. Det hadde vært en umulighet om vi i 2010 ikke hadde konkludert etter 43 år med forhandlinger med russerne. Samtidig som vi skriver historie, repeteres et viktig trekk ved norsk olje- og gasspolitikk. Det er tverrpolitisk enighet om de store linjene. Det var et samlet storting som satte i gang åpningsprosessene for Barentshavet sørøst. Det var et samlet storting som bevilget midlene til kartlegging av olje- og gassressursene. Og så langt jeg kan se, er det et samlet storting som kommer til å gå inn for åpning. Hovedmålene i olje- og gasspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Skal vi lykkes med dette, må det åpnes nye områder. Det er ett av hovedbudskapene i den siste oljemeldingen, som også fikk enstemmig tilslutning fra denne sal. Stortinget har også besluttet å igangsette en åpningsprosess for norske områder ved Jan Mayen. Her er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til potensialet for olje og gass. For å legge til rette for det best mulige beslutningsgrunnlaget for Stortinget har jeg gitt Oljedirektoratet mer tid til å sluttføre Med åpningen av Barentshavet sørøst og nylig funn i de allerede åpnede områdene av Barentshavet er det skapt entusiasme, tro og nye muligheter i Finnmark og Nord-Norge spesielt og i hele landet generelt. Det er vekst i Hammerfest, det er vekst i Harstad, på Veidnes skal det investeres stort. Jeg håper og tror at dette bare er starten. Åpningen av Barentshavet sørøst handler også om å legge til rette for aktivitet i takt med utviklingen på russisk side. Russiske myndigheter tildelte i 2011 tillatelser til å drive petroleumsaktivitet i størstedelen av russisk del av det tidligere omstridte området, altså også langt lenger nord enn det vi her snakker om. For å sikre forsvarlig olje- og gassvirksomhet spesielt i nordlige deler av Barentshavet sørøst vil regjeringen gjennomføre et arbeid for å identifisere og utrede operasjonelle usikkerhets- og risikofaktorer ved

Så er det verdt å merke seg at det pågår helårlig petroleumsvirksomhet og -produksjon i islagte farvann i land som USA, Canada og Russland og i Det kaspiske hav. Det innebærer at disse landene har lang erfaring med håndtering av isproblematikk. Det blir replikkordskifte.

strøk. Nettopp i den samanhengen har det, som det blei nemnt tidlegare også, vore ei form for dobbeltkommunikasjon når ein seier på den eine sida at grensa skal gå ved polarfronten og iskanten, mens det andre plassar blir sagt at ein skal opne heile Barentshavet søraust. Også med det bakteppet at det er gitt eit inntrykk av at statsråden ønskjer oljeboring heilt opp til Nordpolen – legg ein media sin presentasjon til grunn,

og det er for så vidt heller ingen tvil om hva det er som er norsk kontinentalsokkel, og hva det er som ikke er det. Vi åpner nå hele Barentshavet sørøst for leteaktivitet. Det vil være grunnlaget for 23. konsesjonsrunde. Jeg håper og tror at vi i den 23. konsesjonsrunden vil oppleve interesse for tildelinger i disse områdene. Det er i og for seg også en del av poenget. De rammene som legges ved dette stortingsvedtaket, vil gjelde for den 23. konsesjonsrunden. Ved neste oppdatering av forvaltningsplanen vil man ta stilling til rammene for helårlig drift på vanlig vis, sånn som man har gjort det andre steder og ellers på norsk sokkel. Jeg håper at det gikk klart frem av mitt innlegg at Høyre er

Jeg skal ikke forskuttere om det er mulig å oppnå en faglig enighet knyttet til hva som er iskanten, men jeg mener at det regjeringen foreslår i dag, er ganske bombesikkert, fordi man tar utgangspunkt i den faktiske/observerte iskanten, altså hvor iskanten er til enhver tid, og så skal man være noen kilometer unna den, som en sikkerhetssone, i tillegg. La det ikke herske noen tvil: Med vedtaket som her fattes,

egentlig slik at det ikke kan startes produksjon der? Det må eventuelt vurderes i neste forvaltningsplan, fordi iskanten og polarfronten kan bevege seg så langt ned at det ikke kan være helårsproduksjon. Er det riktig oppfattet? Dette er rammene som gjelder for neste konsesjonsrunde. La det ikke herske noen tvil om det. Jeg håper og tror at vi skal få stor interesse i hele dette området. Det er flere steder i dette området som er svært prospektive, og hvor jeg tror det er store muligheter. Det er det forestående arbeidet med ny forvaltningsplan som vil avklare rammene rundt helårlig produksjon. Men la meg eksemplifisere: Det er ikke gitt at et funn langt nord,

der isen er. Han anerkjenner risikoen, men er ikke redd for å gå inn i områdene. Hvis man hører på representanten Egeland, er det en diskusjon man skyver langt foran seg, og som ikke skal bli tatt. Derfor synes jeg også at det vesentlige spørsmålet er: Når man åpner området med sikte på funn og produksjon, burde Stortinget, når det gjelder den såkalte definisjonen, som skal avgjøres i neste forvaltningsplan, men som statsråden allerede har avklart, sende klare og tydelige signaler om at slik er det. I vårt forslag definerer vi iskanten på samme måte som de miljøfaglige etatene: den klare og tydelige signaler om at slik er det. I vårt forslag definerer vi iskanten på samme måte som de miljøfaglige etatene: den maksimale isutbredelsen fra 2001–2011 pluss 50 km. Det er den definisjonen man burde lagt til grunn. Slik jeg oppfatter statsråden, betyr det at man åpner området, som igjen vil gi produksjon på

kan være et problem. Det er et rikt biologisk område, men la meg bare minne om at et felt som Johan Castberg vil måtte bygges og dimensjoneres slik at man enkelte år kan håndtere isproblematikk, rett og slett fordi man statistisk kan få is også i den delen av Barentshavet. Jeg har ikke registrert at det er slik at hvis det er is der, betyr det at man ikke under noen omstendighet kan ha noen form for aktivitet. Det er imidlertid en problemstilling vi skal gå nærmere inn i, med sikte på, på vanlig vis, å ivareta alle de miljøfaglige utfordringene, som vi vet at vi vil møte. Representanten

hos Oljedirektoratet. De har fått mer tid til å vurdere ressursanslagene, for vi mener vi vil ha et mer komplett beslutningsgrunnlag å legge fram for Stortinget ved en eventuell sak om åpning. Regjeringen har selvsagt ikke, som en konsekvens av dette, besluttet å fremme en sak om åpning av områdene rundt Jan Mayen. Da hadde det vært en proposisjon som lå her i Stortinget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

Øst-Finnmark. Området står foran fantastisk spennende muligheter, som gir grunnlag for optimisme og befolkningsvekst. Åpningen av Barentshavet sørøst er en historisk dag for Norge. Det er første gang siden 1994 at nye områder åpnes for oljeaktivitet her til lands. Senterpartiet har et sterkt engasjement for å skape nye muligheter i nord, som følge av økt oljeaktivitet. Åpningen av nytt areal gir landsdelen mulighet til å ta et kvantesprang inn i den nye oljealderen i Med denne utvidelsen kan oljeaktiviteten i nord få en størrelse som gir grunnlag for økt vekst, utvikling for leverandørindustrien og flere lokale ringvirkninger. Utsiktene til store muligheter for næringslivet gir optimisme i regionen, og økt oljeaktivitet er god distriktspolitikk. En mulig befolkningsvekst i nord gir helt nye framtidsutsikter for flere lokalsamfunn, og det er derfor all grunn til å heise flagget nordpå i dag. Oljeaktivitet i disse områdene vil også få mye å si for rekruttering av ungdom og deres utdanningsvalg framover, under forutsetning av drivverdige funn. Vi ser at mange nordnorske ungdommer, som i dag jobber f.eks. i Stavanger, nå søker seg nordover. Det er positivt. Vi vet også at søkertallene til petroleumsrelevante studier er doblet blant unge nordpå de siste årene. Ungdommen ser muligheter i at oljeindustrien flytter nordover. Det er derfor viktig at ungdommen nå kvalifiserer seg til disse mulighetene ved å gjøre framtidsrettede utdanningsvalg. I går besøkte olje- og energiministeren og jeg brønnteknikk-klassen ved Stangnes videregående skole i Harstad. Dette er nordnorske ungdommer som kvalifiserer seg til en framtid i oljeindustrien i nord, og som hilser denne utviklingen velkommen. Ekstra gledelig er Ekstra gledelig er det at samtlige av disse dyktige elevene har fått lærlingeplass fra høsten av. Det er veldig bra. En av disse elevene er Kristin fra Tana. Hennes mål er fortsatt å bo i Tana, og å kunne jobbe offshore utenfor kysten av Nord-Norge – aller helst i Finnmark. Med dagens historiske vedtak gir vi Kristin og andre ungdommer i nord denne muligheten, slik at de kan skape sin framtid i vår fantastiske landsdel.

enda større verdier, skape enda flere arbeidsplasser, utvikle enda mer av landet vårt med kunnskapsbasert industri, som har framtiden foran seg. Jeg har registrert at lederen av Venstre, Trine Skei Grande, mener det er en katastrofe å utdanne folk til å jobbe i denne industrien. Det er jeg dypt uenig i. Jeg mener at det nettopp er den kunnskapsutviklingen vi har fått til gjennom oljevirksomheten på norsk sokkel, gjennom oljevirksomheten på norsk sokkel, som har gjort at vi har klart å utvikle en petroleumsindustri og en leverandørindustri som står helt i første rekke i verden når det gjelder å ta vare på miljøet og å drive petroleumsvirksomhet under miljømessig forsvarlige forhold. Det har sammenheng med at vi har stilt harde krav til denne bransjen opp gjennom tidene. Resultatene i dag er at virksomheten på norsk sokkel har svært lave utslipp. Det virksomheten på norsk sokkel har svært lave utslipp. Det blir vist til såkalte avsløringer om 40 utslipp på norsk sokkel som om det var en katastrofe i seg selv. Realiteten er jo at utslippsmengden og oljeinnholdet i vannet er langt under tillatte grenseverdier fra våre gode miljøfaglige etater – nærmere 40 pst. under den totale tillatte mengden, hvis jeg ikke husker helt feil. Dette er et resultat av målrettet arbeid med å skape en mer miljøvennlig produksjon på norsk sokkel, noe som gir ikke bare våre oljeselskaper, men også vår leverandørindustri, store konkurransefortrinn ute i verden, hvor de gjør en god jobb. De er attraktive partnere og attraktive leverandører, nettopp fordi de har erfaring fra vår sokkel. Nå åpner vi ytterligere områder i arktiske farvann. Vi vet at Arktis er rikt på olje- og gassressurser og vil bli et område hvor det blir mye drift i framtiden. Vår industri og norske selskaper på sokkelen, samt vår forvaltning, skal vise vei når det gjelder hvordan disse ressursene kan utvinnes på en forsvarlig måte. Jeg tegnet meg for å komme med noen kommentarer til representanten Ropstad

på behovet for nærmere utredning omkring spørsmålene om iskanten, og det er det som ligger inne i dagens beslutning. Ropstads referanse til Jan Mayen i sammendraget i saken viser nettopp hva som kunne ha vært innstillinga, hva som kunne ha vært tilfellet: Saken kunne ha startet som en åpning av Barentshavet og Jan Mayen, men innstillinga nå begrenser seg til Barentshavet sørøst. Regjeringa har ikke fattet beslutning om Jan Mayen; det er realiteten. realiteten. Spørsmålet om nominering til 23. konsesjonsrunde vil komme til høsten og vil sannsynligvis være et tema til diskusjon uansett hvilken regjering som da sitter. Miljøbevegelsen har vært opptatt av dette, og det er bra. Jeg har fått meldinger som sier at klimaproblemet er så alvorlig at det ikke lar seg kompromisse med. Mitt svar er at klimaproblemet er så alvorlig at man ikke kan la være å bruke muligheten til et kompromiss når det er en så massiv majoritet, med de tre partiene som kom på sisteplass i Klimavalg 2013s rangering av partiene. Det er faktisk sånn at spørsmålet om boring der det eventuelt gjøres funn, vil være avhengig av nettopp de miljøfaglige konklusjonene i neste forvaltningsplan. Jeg skulle gjerne delt begeistringen med Per Rune Henriksen og andre, som har tatt til orde for det. Det er

i mine innlegg på å snakke om det, i stedet for å snakke om det området vi åpner. Til statsråden: Dette er ikke en proposisjon som Stortinget stemmer for eller imot, det er en melding som vi tar til orientering. Derfor ligger det også et forslag fra Kristelig Folkeparti her, der vi presiserer at vi er for en åpning av de områdene som vi mener det er forsvarlig å gå inn i – den skrittvise åpningen som vi er godt kjent for i Norge – mens vi stiller krav om at de mest sårbare områdene ikke kan åpnes, og da definerer vi, som sagt, disse som 50 km fra maksimal isutbredelse. Når det gjelder SVs kompromiss, er det interessant å høre på representanten Egeland. Uansett hva som er riktig eller ikke, er det liten tvil om at Jan Mayen har gått så langt at det skal veldig mye til å stoppe det. Jeg registrerer også det statsråden sier om den saken. Så hvis det er kompromisset, at man ikke åpner i denne stortingsperioden, er det bare snakk om måneder før det eventuelt gjøres i neste. Når jeg hører på representanten Henriksen og statsråd Borten

miljøfaglige vurderinger, en skal ta definisjonen i neste forvaltningsplan, osv. Som jeg var inne på i min replikkveksling: Jeg skulle ønske vi hadde en mye tydeligere eller ærligere debatt, at vi diskuterte om det er forsvarlig å gå inn i disse områdene, om vi kan kombinere petroleumsvirksomhet med iskanten og polarfronten, og at en så sier ja eller nei. Jeg opplever at det i beste fall har vært litt skjult. Uavhengig av definisjonen som vi legger til grunn om hvor iskanten og polarfronten er, så sier ja eller nei. Jeg opplever at det i beste fall har vært litt skjult. Uavhengig av definisjonen som vi legger til grunn om hvor iskanten og polarfronten er, legger uansett forvaltningsplanen for Lofoten og Vesterålen føringer, den er gjeldende for dette området, og i den forvaltningsplanen står det at polarfronten og iskanten går inn i disse områdene. Derfor mener jeg at det ikke burde være noen tvil, den sier det klart, og da burde vi også fattet et vedtak ut fra det i dag. Nå holdt representanten Ropstad et så

handler om at vi har en ekstremt todelt økonomi, der vi har en oljebransje som trekker til seg all kompetanse, investeringsvilje og innovasjon. Denne todelinga av norsk økonomi har noen skremmende perspektiver ved seg. En studie fra BI f.eks. viser oss at oljeprisen raskt faller til det nivået den var på for bare kort tid sida, kan vi oppleve et fall på Oslo Børs på 30–40 pst. Da har vi en finanskrise. Da har vi et stort problem. Det betyr at vi må ha et litt videre blikk på oljebransjen vår enn bare å juble over felt etter felt. Det betyr at vi må ha et blikk på hvordan økonomi. Den manglende satsinga på forskning, innovasjon og nyskaping som denne regjeringa har stått for, og den stadige utbygginga av oljesektoren er i ferd med å sette sikkerheten i norsk økonomi i fare. Det har ført til at vi i hvert fall må kunne drøfte om det er riktig å åpne felt etter felt. Jeg må bare merke meg at Venstre og i den forrige regjeringa, i samarbeid med Høyre, oppnådde en mye større ettertenksomhet med hensyn til hvor det er lurt å åpne, og hvor det er lurt ikke å åpne. Jeg merker meg også at i går fikk vi en rapport som fortalte om antall utslipp fra norsk sokkel. I dag får vi en rapport som forteller at den måten vi driver oljevirksomhet på, i noen henseender er mer skitten enn oljesanddriften. Men det virker ikke som om det gjør noe inntrykk på regjeringspartiene

Det syns jeg i hvert fall man skal koste på seg å kunne tenke. Derfor kommer vi til å stemme sammen med Kristelig Folkeparti i dagens sak. Nå har vi fått ytterligere talere på talerlisten. Neste taler er representanten Ola Borten Moe – statsråd Ola

der man setter store spørsmålstegn ved store deler av det som det har vært bred semje om og tilnærming til i norsk olje- og gasspolitikk. Så trekker man lønnsomhetsbetraktningen i tvil. Man trekker avvenningen i tvil i det hele tatt, men så ender man likevel opp med å stemme for. Bare for å få sagt det: Jeg er glad for at Venstre i dag kommer til å stemme for åpning av Barentshavet sørøst. Forrige gang vi diskuterte en

skylder de å fortelle oss i hvert fall hvilke forutsetninger man ønsker å legge til grunn. Jeg vil gjerne på generelt grunnlag si at jeg synes man ofte betrakter det som er vår styrke, som et stort problem. Vi lever i et land som har lav arbeidsledighet, høy verdiskaping, og som opplever vekst innenfor mange sektorer. Det er ingen tvil om at mye av dette er drevet framover av den optimismen og de framskrittene vi gjør innenfor norsk olje- og gassnæring. Men det er jo ikke et problem. Det er det som gjør oss noe annerledes enn mange av de landene som nå sliter med høy arbeidsledighet, til dels fallende verdiskaping og store strukturelle utfordringer. Jeg tror tror vi også framover kommer til å se en utvikling i Norge, bygd på rike naturressurser, men også et forvaltningssystem, et næringsliv, folk og kompetanse, som er i stand til å høste disse ressursene og bringe samfunnet videre opp og fram. Dette er ikke verditapping. Dette er høyst kompetente arbeidsplasser, som er i stand til å konkurrere på et internasjonalt marked.

Uten det hadde ikke Norge hatt den leverandørindustrien vi har i dag. Derfor er det en gledens dag at Barentshavet sørøst blir åpnet for petroleumsvirksomhet. Når man kommer med noe så dumt som å si at å utdanne oljearbeidere bør man ikke gjøre, skjønner man egentlig ikke hva det hele dreier seg om. De som har kunnskap om olje, De som har kunnskap om olje, realister, kan selvfølgelig også benyttes til å plassere vindmøller på havdyp. Det er det som er utviklingen. Vi er ikke låst fordi om folk blir utdannet til oljesektoren. Når vi kjenner perspektivet – at den kanskje skal vare i 50 år til – er det klart at de som utdanner seg i dag, vil ha jobb resten av livet. Til slutt vil jeg si at man snakker om å la oljen på Nordkalotten ligge. Er det noen som har regnet på hva det betyr for økonomien? Verdenssamfunnet har ikke råd til å la den oljen og gassen ligge der i det hele tatt. Man vil aldri klare å få så mye fornybar kraft i form av vind, vann og sol på kort tid, det vil gi å få ut olje og gass – petroleumsmengdene – fra Nordkalotten. Derfor må vi stå på. Utviklingen må gå fremover, men det må satses mye. Til det Skei Grande sa: Det er nettopp fordi vi har så god økonomi at vi kan bruke så mye penger på forskning. Vi bør selvfølgelig bruke enda mer i fremtiden, det har vi råd til, og det kommer vi til å gjøre. Dette blir en gledens dag, og det vil bli noen gledens tiår for Nord-Norge. Presidenten vil få bemerke at det å bruke begrepet «dumt» om andres synspunkter framstår for presidenten som lite klokt. Jeg har behov for

selvfølge. Når Skumsvoll snakker om de enorme verdiene, ser jeg de enorme verdiene som ligger i petroleumsressursene, men jeg ser også de alvorlige konsekvensene av eventuelle klimaendringer, eller klimaendringer som vi vet vil komme. IEA sier klart og tydelig at skal vi klare å nå togradersmålet med 50 pst. sannsynlighet, må to tredjedeler av petroleumsressursene – kull – ligge i bakken. I dag har vi hatt en diskusjon om miljø,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

Mesteparten av gassen som eksporteres, er innom land for prosessering før den eksporteres. Komiteen noterer seg derfor at vi har store mengder tilgjengelig gass for petrokjemisk virksomhet i Norge. I dag er det også veletablert petrokjemisk industri i Norge, I regjeringens petroleumsmelding, En næring for framtida, Meld.St. 28 for 2011–2012, er det gitt en gjennomgang av vilkår og potensial for gassbasert industri i Norge. Videre har man merket seg at regjeringen skriver i meldingen at den vil legge til rette for økt industriell bruk av gass i Norge. Flertallet, Arbeiderpartiet, deler ikke representantenes syn på at en markedsplass av den typen som her foreslås, er den riktige måten å angripe denne problemstillingen på. En finner det lite sannsynlig at opprettelsen av en markedsplass vil kompensere for de markedssvikter vi i dag ser i det norske gassmarkedet. Samtidig sier et flertall at det å be regjeringen fremme et forslag til Stortinget om opprettelse av en slik markedsplass for gass i Norge. Flertallet er også av den oppfatning at spørsmål om markedet for innenlands bruk av gass i Norge hører naturlig hjemme i diskusjonen om hvordan Norge skal implementere EUs tredje om hvordan Norge skal implementere EUs tredje gassmarkedsdirektiv, og hvordan Norge skal forholde seg til at Norges unntak fra sentrale bestemmelser i EUs andre gassmarkedsdirektiv for nedstrøms gassvirksomhet går ut i 2014. Jeg anbefaler komiteens flertallsinnstilling. Norsk gass er viktig for energiforsyninga i

Norsk gasseksport totalt tilsvarer elektrisitet til 149 millionar europeiske hushald. Dette illustrerer energipotensialet i vår naturressurs naturgassen. Etter kvart som gassmarknadene har vakse og utvikla seg – ikkje minst gjennom reguleringar i EUs indre marknad – har denne rolla som garantist for avtak av produserte volum blitt noko mindre viktig. Storbritannia er f.eks. i dag verdas nest største liberaliserte gassmarknad etter USA, med betydeleg kortsiktig likviditet. Utviklinga dei seinare åra har pressa gassprisane nedover. Skifergassrevolusjonen i Nord-Amerika har gjort USA sjølvforsynt med gass, og gassprisane i Nord-Amerika har falle sterkt. Denne betydelege endringa i gassmarknaden burde leggje til rette for større bruk av gass innanlands, Det har lenge vore ei brei politisk målsetjing å auke bruken av gass innanlands i Noreg. Blant anna fremma regjeringa Bondevik II to stortingsmeldingar om bruk av gass i Noreg. Ved behandlinga av begge meldingane var det brei einighet i Stortinget om å leggje til rette for auka bruk av gass i Noreg, basert på eit godt utgangspunkt for utvikling av gassbasert industriverksemd med våre store olje- og gassressursar på norsk sokkel. industriell verdiskaping med utgangspunkt i naturgass kan gi eit verdifullt tilskot til norsk næringsliv, slik som vi ser etablert innanfor petrokjemisk verksemd, hovudsakleg på Rafnes og på Herøya i Telemark og på Tjeldbergodden. Sargas sitt kjøp av Industrikraft Møre er endå eit eksempel på moglegheiter innanfor innanlands bruk av naturgass, eit spennande prosjekt med Ironman-prosjektet vurdert på Tjeldbergodden er også ein annan klar kandidat til naturgassbasert industriell verksemd. Som ein del av Gassmaks-programmet gav Noregs forskingsråd den tidlegare Statoil-direktøren Terje Martin Halmø i oppdrag å utgreie ein marknadsbasert omsetningsplass for gass i Noreg. Konklusjonen derfrå er at dette er godt mogleg, det handlar om vilje

kunne vi lese i Dagens Næringsliv at Norge for første gang har passert Russland som den største leverandøren av naturgass til det europeiske markedet, ifølge BPs årlige energistatistikk. Dette viser hvilken gassnasjon Norge har utviklet seg til å bli i løpet av relativt få år. Da Stortinget behandlet siste petroleumsmelding, ba Høyre sammen med Fremskrittspartiet regjeringen vurdere å fremme en egen gassmelding som skulle omhandle Norges rolle som gassnasjon både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre ble ikke denne anmodningen fulgt opp av regjeringen, og når vi sammenstiller dette med responsen på dette representantforslaget, er det vanskelig å se at regjeringen har en aktiv holdning til industripolitikk med basis i gassressursene våre – utover det som måtte fremkomme i festtalene. Jeg registrerer at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sine partiprogrammer for neste stortingsperiode skriver at de ønsker å legge til rette for at gass fra norsk sokkel i større grad blir tatt i bruk for industriell verdiskaping. Med all respekt er det vanskelig å spore noe av denne ambisjonen i innstillingen til representantforslaget vi nå har til behandling. Innstillingen vitner om en passiv tilnærming til industripolitikk med basis i gassressursene våre. Spørsmålet burde heller være hvordan vi som en betydelig gassnasjon kan identifisere noen komparative fortrinn og bygge videre på disse i et industrielt perspektiv. Hvis en nasjonal omsetningsplass for gass ble etablert, ville ikke da norsk industri kunne kjøpe gassen noe rimeligere enn på kontinentet, som følge av lavere fraktkostnader? Det ville i alle fall være å utnytte det komparative fortrinnet, nemlig nærhetsprinsippet. Vi bruker lite gass nasjonalt i forhold til hva som eksporteres, men i svaret til energi- og miljøkomiteen benyttes overraskende nok noe som kan fremstå som feil fakta. Statsråden skriver at forbruket i Norge i henhold til SSB var kun 514 millioner Sm3, og at størsteparten av dette er knyttet til metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Dette er noe overraskende, da det fremgår i OD sitt nye faktahefte, Fakta 2013, at det innenlandske gassforbruket er mer enn det dobbelte, nemlig 1,4 milliarder Sm3 i Dette tilsvarer om lag 15,5 TWh i energimengde eller om lag 15 pst. av den samlede norske kraftproduksjonen, og det er ikke akkurat en ubetydelig andel. Dette viser at forbruket av gass i Norge er omtrent på nivå med forbruket i Danmark. I Danmark etablerte man en «hub», Nord Pool Gas, som omsetter ca. 20 pst. av gassen der nede, med god erfaring i å senke prisen på gass i Danmark.

og det er essensielt for å sikre størst mulig verdiskaping på norsk sokkel og dermed for det norske samfunnet. Det vil alltid være sånn at alternativverdien av salg av gass på norsk sokkel vil være den prisen man vil kunne oppnå i Europa. For at en eventuell markedsplass skal kunne fungere må den være pålitelig, si at prisdannelser på markedsplassen oppfattes som korrekt for alle parter. Det som kjennetegner det norske markedet for industriell bruk av gass, er at det er forholdsvis lite, at det – i den grad det skjer – er langsiktige industrielle kontrakter, altså store volum, som selges, og at det er lite Det vil trolig ikke bidra til å korrigere for en eventuell markedssvikt i systemet, og gjør dermed også en omsetningsplass langt mindre effektiv. Siden alternativverdien for gass solgt på norsk sokkel fremdeles vil være den prisen man kan oppnå i Europa, er det lite sannsynlig at etablering av en markedsplass vil føre til noen endring i prisen man vil få kjøpt gassen Oppsummert er det sånn at skal man få til industriell utvikling på gass i Norge – det håper jeg man får til, det er også en del interessante industrielle prosjekter – må disse prosjektene og disse bedriftene finne seg i å betale for gassen det den er verdt, og som gjør at man kan konkurrere med alternative avsetningsmetoder. Det betyr at det, etter min vurdering, ikke er behov for en sånn markedsplass, og at det heller ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på å utrede dette videre. Det blir replikkordskifte.
juni 2007 kunne ein lese i Aftenposten at arbeidet med ei gassmelding var i full gang under statsråd Enoksen. Ei veke seinare, torsdag 14. juni 2007, var saka om utbygginga av Gjøa og Vega oppe til behandling i Stortinget, og ordførar for saka var stortingsrepresentant Ola Borten Moe. Han avslutta innlegget sitt med: «Jeg har

Enoksen, ikkje under Åslaug Haga og ikkje under Terje Riis-Johansen. Har sitjande statsråd, som etterlyste meldinga i 2007, tenkt å bryte mønsteret og sørgje for at meldinga blir lagd fram for Stortinget? Jeg har et sterkt minne om at vi har diskutert dette ved flere anledninger før. Faktum er at vi ikke kommer til å legge fram noen særskilt gassmelding. Det er også varslet fra denne talerstol tidligere. Årsaken til det er at hovedlinjene både i norsk oljepolitikk og i norsk gasspolitikk ikke bare ligger fast, men er også behørig behandlet i oljemeldingen, eller Meld.St. 28 for 2010–2011, En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten, som ble behandlet i denne sal i fjor, og da med enstemmig tilslutning inkludert representanten ved min side. Jeg forstår at statsråden ikke er

kunne etterleves, hvis man ikke etablerer en markedsplass, som Høyre sammen med Fremskrittspartiet har foreslått. Det må jeg i detalj få komme tilbake til. Noe av dette kan og vil være et forhandlingsspørsmål. Utgangspunktet vil selvsagt være å ivareta norske interesser og norsk verdiskaping på best mulig vis. vis. Der opptrer alltid Olje- og energidepartementet ansvarlig og langsiktig. La meg få tilføye at vi ønsker industriell bruk av gass i Norge. Det ville vært svært gledelig hvis vi kunne ha utviklet flere arbeidsplasser og større verdiskaping med bruk av gass i industrielle prosesser i Norge.

benyttes innenlands i Norge. Allikevel har danskene god erfaring med denne markedsplassen og mener den har vært prisdempende når det gjelder gassprisen til danske kunder. Mitt spørsmål til statsråden er: Kjenner statsråden til hvordan denne markedsplassen i Danmark fungerer, og er det noen grunn til å tro at vi ikke skulle få oppleve samme type positive erfaringer vi ikke skulle få oppleve samme type positive erfaringer i Norge når det gjelder muligheten til å ta ut gass til en konkurransedyktig pris for innenlands industribrukere? Jeg synes alltid vi skal se på landene og verden rundt oss for hele tiden å gjøre systemene våre bedre. I den grad vi kan lære noe, synes jeg vi skal gjøre det. det. I den grad man har ideer og praksis andre steder som kan være med på å skape en effekt man ønsker, synes jeg det alltid er interessant. Nå kjenner jeg ikke det danske gassmarkedet i detalj. På generelt grunnlag er det sånn at en del land i Europa har en infrastruktur og et forbruksmønster på gass som er annerledes enn vårt der man har en infrastruktur som strekker seg inn i den enkelte husholdningen, og man bruker også dette som råstoff i småindustrien og næringsutvikling på en helt annen måte enn vi gjør i Norge. Det skaper selvsagt et helt annet marked, en helt annen etterspørsel og en helt annen dynamikk – med veldig få og store avtak – enn det man kan se i Norge. Det er litt på samme viset som vi har det på strøm, der vi har en markedsplass. Replikkordskiftet er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

miljøulemper. Det er enighet i komiteen om at det er viktig at investeringer i vindkraftanlegg har lokale ringvirkninger både i form av oppdrag til leverandørindustri under utbygging og senere vedlikeholdsarbeid. Det er nettopp en forutsetning for etablering av vindkraft at lokalsamfunnene stiller seg positive til denne typen energiproduksjon. For lokalsamfunnene er framtidige inntekter til til kommunene et viktig element i en totalvurdering av hvordan kommunens arealer skal benyttes. Regjeringspartiene peker på at kommunene kan få inntekter av å skrive ut eiendomsskatt. Det kan også inngås frivillige avtaler om bidrag fra utbygger. Stortinget har tidligere vedtatt at selskapsskatten verken helt eller delvis skulle tilfalle den enkelte kommune, fordi den er lite forutsigbar. Det vil ramme mindre kommuner spesielt og gi kommunene ustabile inntekter. Da selskapsskatten ble fjernet fra kommunene, ble de jo også kompensert med økt andel av inntektene fra personlige skatteytere. Fram mot 2020 skal vi innenfor rammen av elsertifikatene bygge ut mye fornybar energi. energi. Flertallet i komiteen mener at en nedsetting av et utvalg ville signalisere omfattende endringer av rammebetingelsene og lønnsomheten for vindkraft. Det vil skape en usikkerhet i bransjen som vil gjøre det enda mer krevende å få realisert vindkraft i Norge. Vi ser allerede at mange prosjekter som har fått konsesjon, ikke blir realisert fordi de ikke er lønnsomme. Jeg går ut fra at forslagsstillerne selv vil redegjøre for sitt forslag.
Neste taler er

skal fortsette å

planeringsbredde – inklusive skuldrer – på ti meter. Hvis man sammenligner med den nye E39 fra Lyngdal til Flekkefjord, ble den anlagt med 7,3 meters bredde. Møllene rager 120 meter over bakken og består av mølletårn på 80 meter og rotorer på 40 meter. Sammenlignet med de såkalte monstermastene i Hardanger, er dette virkelig dominerende i terrenget. I tillegg har det vist seg at det er en ikke ubetydelig larm fra møllene når de går. Fremskrittspartiet var de eneste som stemte imot reguleringsplanen og dermed bygging av møller i Farsund. Mange grunneiere som fikk møller på sin eiendom, var i førstningen fornøyd med engangserstatningen og det årlige leiebeløpet. Dette ser nå ut til å bli stadig mindre. Kommunepolitikerne i Farsund og andre kommuner er ute etter å skaffe inntekter til kommunen sin. Med dagens ordning tilfaller det Alle de fire borgerlige partiene står bak representantforslaget Dokument 8: 115 S for 2012–2013, « om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon». Vindkraftkommunene ønsker å få en del av fortjenesten når produksjonen av fornybar kraft fra vindmøller genererer overskudd. En slik ordning kan best gjennomføres ved at det nedsettes et kompetent utvalg. Utvalget skal utrede

ikke om økte skatter. Til slutt tar jeg opp mindretallsforslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Henning Skumsvoll har tatt opp forslaget han viste til.

i perioder med lite nedbør i kombinasjon med sterk kulde. Utbygging av vindkraft gjør at vi får differensiert i alle fall noe av vår elektrisitetsproduksjon til å bli noe mer uavhengig av nedbør. Etablering av vindparker krever i realiteten at lokalsamfunnene er interessert i å stille sin natur til disposisjon for denne typen investeringer. Vindparker vil gi lokale og regionale oppdrag i en anleggsfase, også med tanke på senere drift og vedlikehold, men i tillegg er det viktig at verdier legges igjen i lokalsamfunnet. I dag har flere kommuner innført eiendomsskatt som gir inntekter til kommunene bl.a. annet fra vindkraftanlegg, men ikke alle kommuner ønsker å innføre denne typen lokal skatt. Videre er det flere aktører som har inngått avtaler om kompensasjon med sine vertskommuner på frivillig basis. Dette blir nok oppfattet å være noe uforutsigbart av flere av vertskommunene, også fra utbyggernes side. side. Vi har hatt flere møter med aktuelle vertskommuner som etterlyser en større forutsigbarhet på inntekter, og en større lønnsomhet, med hensyn til det å stille sine naturressurser til disposisjon. For å oppmuntre kommunene til å stille seg positive til utbygging av vindkraft, fremmer vi i Høyre dette representantforslaget sammen med våre gode kolleger fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. I forslaget ber vi regjeringen nedsette et utvalg som skal utrede hvordan de skatte- og konsesjonsmessige rammebetingelsene for vindkraftproduksjon kan utformes, slik at de berørte lokalsamfunn sikres en andel av grunnrenten fra vindkraftproduksjon og kompensasjon for lokale miljøulemper. Det er viktig å understreke, som vi gjør i merknadene, at det ikke er vår hensikt å øke skattetrykket for utbyggerne, men at vi ønsker en bedre fordeling av skattene. I dag er det krevende å få lønnsomhet i en del vindkraftprosjekter. Muligheten for å komme innunder elsertifikatordningen er sannsynligvis ganske avgjørende. Det er imidlertid verdt å merke seg, som vi også kommer inn på i merknadene våre, at det skjer en stadig teknologiutvikling i retning økt effekt til en noe lavere investeringskostnad. Dette betyr at lønnsomheten kan bli bedre fremover, og dette bør også komme de aktuelle vertskommunene til gode. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ikke ønsker å foreta denne type vurderinger, og jeg synes dette er uheldig for den fremtidige vindkraftsatsingen i Norge. Senterpartiet har nylig avholdt sitt landsmøte. I programmet for neste stortingsperiode har de vedtatt at de ønsker ordninger som sikrer at kommunene blir kompensert ved utbygging av vindkraft. I lys av dette er det ekstra underlig at de velger å stemme mot vårt forslag. Da kan det være fristende å utfordre Senterpartiet på hvordan de ser for seg denne

Produksjon av fornybar energi er – som vi har sagt mange gonger før i denne salen – blant dei viktigaste bidraga vi kan gje til arbeidet med å redusere utslepp av klimagassar. Det har alltid vore eit viktig prinsipp for Senterpartiet at bruken av naturressursar skal gje ringverknader lokalt. Det er lokalbefolkninga som må hanskast med dei endringane som skjer i naturen som fylgje av energiproduksjon eller annan aktivitet, og difor er det rett og rimeleg at òg lokalbefolkninga får ta del i den verdiskapinga som skjer. Eit eksempel på eit regime som er etablert kring dette, er vasskraftproduksjonen vår, der vertskommunane får ein vesentleg del av verdiskapinga. type regime eller system som ein òg bør vurdere på mange andre område. Senterpartiet har i sitt nye stortingsvalprogram sagt noko om dette. Når vi ikkje gjev støtte verken til endringar i selskapsskatt eller framlegg om grunnrente, slik som opposisjonen har vore inne på i representantforslaget, er det fordi det bryt med andre prinsipp. Når det gjeld selskapsskatten, har Senterpartiet teke tydeleg stilling til den tidlegare i denne perioden. Når det gjeld grunnrente, er det jo sånn at vindkraft i dag ikkje ber noko grunnrente som ein kan få avkastning av, utan å rive vekk heile grunnlaget for vindkraftsatsinga. Så det har det ikkje vore aktuelt for oss å gå inn på. Det same gjeld det som går på utvalsarbeidet. Vi trur det er feil på dette tidspunktet å starte et utvalsarbeid – med påfølgjande omfattande politisk behandling – for å sjå på dei samla rammevilkåra til ein bransje som no har stort fokus på å nå dei måla som vi i Stortinget har sett gjennom den grøne sertifikatmarknaden. Vi trur at aktørane ville sett seg på gjerdet

For det er viktig å realisere meir av det store potensialet vi har, og då må kommunar og lokalsamfunn få si del av verdiskapinga, som kan bidra til ytterlegare aktivitet. Vi er alle for økt vindkraftutbygging, og

for så vidt skulle ønske representanten Sande også ville inn på, og selv om grunnrenten ikke er der i dag, så kan man se på det prinsipielt: Kristelig Folkeparti mener det er viktig, og riktig, at en får kompensasjon for belastningen med forringelse av natur, og at ressurser og inntekter tilfaller lokalsamfunnet, slik det er med vannkraft. vannkraft. Statsråden har jo kalt opp et eget felt etter Castberg, og de castbergske konsesjonslovene er jo vel kjent. Dette var jo også utgangspunktet i den debatten som vel Stortinget hadde for 100 år siden, der en slo fast heimfallsretten og der en også fikk inn at kommunene og lokalsamfunnene skulle ha betydelige deler av inntektene. Så vi synes det er spennende å ha en utredning, det å kunne se på mulighetene og presisere at dette ikke vil øke det samlede skattenivået. Det vil ikke øke belastningen for utbyggerne, og dermed vil det heller ikke være en trussel mot eventuelle prosjekter, noe vi understreker klart i merknadene. Men du vil få en omfordeling fra stat til kommune, og du kan f.eks. utforme det slik at denne naturressursskatten går til fradrag i den statlige beskatningen. Sånn sett betyr det ikke mer økt skatt totalt, men at mer av ressursene tilfaller lokalsamfunnene, noe som igjen vil utløse de beste prosjektene, og en oppfyller prinsippet om at en ønsker at mer skatt tilfaller kommunene. I dag er

vårt næringsliv og våre forskningsinstitusjoner kan få sin rettmessige plass i det nye grønne lavutslippssamfunnet som den industrialiserte verden nå må endre seg til. Da haster det med å etablere et hjemmemarked for vindkraftproduksjon. For å få til dette mener Venstre at vertskommunene for vindkraft må få en rettmessig andel av fortjenesten når de stiller sin naturkapital til disposisjon for kraftutbygging. I tillegg til gode støtteordninger må vindkraftproduksjonen sikres støtte og legitimitet

Som representanten Sande mener også Venstre at vindkraftutbygging har mange paralleller til vannkraftutbygging. Man utnytter de evigvarende energiressursene i form av vann som renner og vind som blåser. Ressursene må utnyttes der de befinner der de befinner seg. I motsetning til fossil brensel er vindkraftens og vannkraftens miljøproblemer av lokal karakter. Det er ingen utslipp til atmosfæren, men de fornybare energikildene innebærer nedbygde arealer og landskapsinngrep og kan forstyrre dyre- og fuglelivet. Naturressursskatt for vannkraftanlegg ble utformet i 1996, og det sto et bredt politisk flertall bak ordningen. Venstre mener den prinsipielle argumentasjonen Stortinget la til grunn for innføring av naturressursskatt på vannkraft for 12 år siden, i aller høyeste grad er overførbar til vindkraft. Det er urimelig at lokal naturkapital stilles til kraftprodusentenes disposisjon uten godtgjørelse til berørte lokalsamfunn. Samtidig mener Venstre at det også er viktig at skatteordningene ikke gjør vindkraft ulønnsom. En økt skattebelastning i dagens situasjon vil være et nytt hinder for utbygging av vindkraft, og Venstre mener derfor at naturressursskattens utforming i vannkraften er ideell. Venstre mener at en tilsvarende ordning vindkraftsektoren må utformes med nødvendige tilpasninger. Så lenge skatten utformes slik at den ikke medfører økte utgifter på utbygger, bør ikke en slik ordning være til hinder for mer vindkraft. Tvert imot vil utbygger bli møtt av mer velvillige lokalmiljø og dermed redusere et vesentlig hinder mot vindkraftutbygging i dag. Kommunene vil få en langsiktig og stabil inntekt inntekt – som en lovfestet rettighet og ikke gjenstand for forhandlinger. Dette er et svært originalt forslag. En samlet opposisjon går nå til angrep på regjeringen for å få på plass mer vindkraft i Norge, og virkemidlet for å få det på plass er altså å øke skatten. Dette er for det første interessant. For det andre er det snakk om grunnrenteskatt. Definisjonen på grunnrenteskatt er jo skatt på en ekstraavkastning. Vindkraft er jo noe som vi, som kjent, er nødt til å subsidiere hvis vi skal få det på plass, og det er ganske omfattende subsidier. Vi nødt til å subsidiere hvis vi skal få det på plass, og det er ganske omfattende subsidier. Vi sliter nå med å få på plass tilstrekkelig utbygging av vindkraft i Norge på grunn av lav lønnsomhet. Dermed er det selvsagt heller ikke noen grunnrente til stede, og da blir det kanskje enda merkeligere at man snakker om å skattlegge denne eventuelle For det tredje er det ikke noe nytt fenomen at man ikke skattlegger naturressurser med grunnrente i Norge; det er jo heller regelen enn unntaket. Vi har grunnrente på to ting i Norge, og det er på vannkraft og på olje- og gassaktivitet – da for å skattlegge det som er en betydelig meravkastning og sørge for at verdiene kommer det norske samfunnet til del. Til virkelighetsforståelser knyttet til at dette er nødvendig for å få flere kommuner til å si ja: Vel, jeg opplever ikke at kommuner rundt omkring i Norge er proppen i systemet når det gjelder å få på plass en økt vindkraftutbygging i Norge. Det foreligger mange rettskraftige konsesjoner. I fjor ga vi konsesjon til Bjerkreim, store konsesjoner sør i Rogaland, og disse Det er jo ikke fordi kommunene har sagt nei, men rett og slett fordi at de som sitter med konsesjonene per dato, ikke har vært i stand til å fatte investeringsbeslutning. Jeg håper og tror at før stortingsvalget vil jeg være i stand til å gi nye store konsesjoner til norsk vindkraftutbygging og således gi muligheter for realisering av en utbygging som vi alle ønsker, men utfordringen er altså ikke mangel på skatt; utfordringen er mangel på lønnsomhet. Så snakker man om omfordeling. Prinsipielt er det jo slik at skal man få til en omfordeling fra stat til kommune, er man nødt til å foreta en kortslutning av selskapsskattesystemet, og jeg har ikke opplevd at det er noen stor tilslutning til det i denne sal. Det har snarere vært understreket betydningen av å holde fast på skattereformen, med brede skattegrunnlag og like satser. Så det er nærliggende å tenke at dette er populisme av beste sort i god tid før et stortingsvalg. Det blir replikkordskifte. En leser i Dagens Næringsliv at det er replikkordskifte. En leser i Dagens Næringsliv at det er svært store skjevheter mellom vedtatt svensk og norsk vindkraftproduksjon etter at de grønne sertifikatene med Sverige ble gjennomført fra 1. januar 2012. Det nevnte også statsråden. Mitt spørsmål er: Er det mulig for statsråden å gjøre tiltak sånn at vi får opp en betydelig større vindkraftproduksjon på norsk side for å jevne ut den skjevheten? Det viser seg fra artikkelen i Dagens Næringsliv at det kunne være milliardbeløp som vi måtte subsidiere svenske utbyggere med. Kan vi gjøre tiltak? Sånn som bildet nå ser ut, foregår det, som representanten var inne på, en noe større utbygging av vindkraft i Sverige, men en desto større utbygging av vannkraft i Norge. Systemet, traktaten, avtalen er utformet sånn at det per definisjon ikke skal spille noen stor rolle om utbyggingene kommer i Norge eller i Sverige. De skal komme der de er billigst, der det lønner seg mest, og der vårt felles elmarked får størst mulig nytte av de investeringene som gjøres, slik at også prisene totalt sett holdes så langt nede som mulig. Det mener jeg så langt nede som mulig. Det mener jeg er fornuftig. Det er helt uaktuelt for meg og regjeringen å starte noen form for subsidiekonkurranse med Sverige for ytterligere å støtte vindkraft for å få det hit. Vi skal ha gode, stødige rammevilkår i Norge. De er klarlagt gjennom de grønne sertifikatene. Det viktigste vi nå kan gjøre, er å gi gode konsesjoner der det blåser mye vind, og der infrastrukturkostnadene er

osv. Det er vel rimelig å tro at regjeringen og statsråden tenker at en eller annen gang skal disse vindmøllene generere overskudd – eller er det sånn at når subsidiene er slutt, er også produksjonen slutt? Slik kan det ikke være, man må jo tro på at det til slutt

vannkraftverk og norske oljeselskap betaler grunnrenteskatt, er mottakeren litt lenger oppe i Akersgata. Jeg har ikke registrert noe intenst ønske, verken fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre om å sørge for at denne adressaten skal endres fra Finansdepartementet til 430 norske kommuner. Jeg vil tilføye at jeg tror det viktigste vi nå kan gjøre for å utløse vindkraft, er å slå ring om stabiliteten og forutsigbarheten. forutsigbarheten. Jeg tror at forslag som dette, selv om man sier at intensjonen er god, vil virke stikk motsatt. Truslene om økt skattlegging vil gi mindre

Men det er også en utfordring at flere kommuner stiller seg negative til konsesjonssøknader. Virkemiddelet er ikke økt skatt, virkemiddelet er å se på en omfordeling av skatter. Her er det ikke bare snakk om grunnrente, det er snakk om helhetsbildet. Mitt spørsmål og min utfordring til statsråden er: Hva vil statsråden gjøre for å gjøre det mer attraktivt for norske lokalsamfunn å stille sin natur til disposisjon for vindkraft?

og at flere utbyggere vil se på Norge som et attraktivt og godt samfunn å bygge ut. Jeg har veldig, veldig vanskelig for å se for meg at svaret for å få mer inn ligger i usikkerhet rundt rammebetingelser og mer skatt. Jeg er

vel så mye i Norge som i Sverige. Men det er vel utfordringer både knyttet til selskapsskatt og til avskrivningsregler to utfordringer der vi kanskje ligger litt høyere i Norge enn i Sverige. Mitt spørsmål er egentlig bare – siden statsråden stemmer mot vårt forslag om å se på noen mulighet for lokal beskatning – om han har andre forslag for å bedre lønnsomheten, eller satser han på at det nå skal gå greit med den planen som foreligger? Med respekt å melde føler jeg at det er en slags sirkelargumentasjon her. Utgangspunktet for debatten er at man vil innføre nye skatter for og det vil gi redusert utbygging av vindkraft i Norge og mer uforutsigbarhet i rammevilkårene. Jeg mener at norske kommuner gjør en skikkelig jobb knyttet til vurderingene innen vindkraft. Det stilles store arealer til disposisjon. Det er ikke problemet. Så skal man heller ikke underslå at det noen ganger faktisk finnes gode grunner til å si nei. Det finnes gode grunner til å si nei til vindkraftutbygging, og hvis det representanten Ropstad foreslår, er at vi bare skal gi dem enda mer penger så de slutter å si nei, vil det være en tilnærming til politikk som jeg vil stille meg skeptisk til. Norske kommuner vil ta del i verdiskapingen knyttet til vind i takt med en eventuell verdiøkning på vindkraften, i form av de beskatningsmulighetene man allerede har,
jeg sa i mitt innlegg og i min replikk, tror jeg tvert imot at en lokal beskatning faktisk vil føre til at de beste arealene blir stilt til disposisjon. Jeg deler absolutt statsrådens syn på det, at det faktisk ikke er alle plasser der det bør bygges. Derfor er jeg interessert i å få flest mulig prosjekter å velge mellom, og å kunne velge de beste prosjektene. Jeg registrerer at statsråden ikke svarer på spørsmålet mitt. Det betyr vel egentlig bare at han satser på at det blir realisert nok prosjekter, selv om han selv sier at han satser på at det blir realisert nok prosjekter, selv om han selv sier at lønnsomheten – og for så vidt som jeg ser utsiktene framover, tror jeg ikke lønnsomheten blir mye bedre – er for dårlig. Er det riktig oppfattet, og vil han bare sitte og se på det? Det var Ropstads ord at lønnsomheten kommer til å forbli dårlig i lang tid framover, og at svaret derfor er grunnrenteskatt. Mitt svar har vært stabile rammevilkår, forutsigbarhet, ingen endringer i skattesystemet og en forutsigbar konsesjonsbehandling som sikrer at et tilstrekkelig antall konsesjoner er tilgjengelig i god nok tid til at vi skal klare å få på plass ønsket utbygging i Norge.

kommune og stat, der det blir mindre til stat og meir til kommune. Det er noko heilt anna enn skatteauke. Så trur eg heller ikkje det er riktig å omtala dette som populisme av beste sort. Kommunepolitikarar som er opptekne av dette, har stort sett bestemt seg for kva for parti dei skal stemma på til hausten. Eg trur ikkje dette er noko som vil prega resultatet av stortingsvalet i alle fall. Det som er viktig her, er at ein har eit nokolunde likt prinsipp mellom ulike naturressursar i Noreg. Det opplever kommunesektoren at det er det ikkje. Me har to typar kommunar som har klart meir inntekter enn andre kommunar. Det er dei som har store ilandføringsanlegg knytt til olje og gass, og som har eigedomsskattinntekter på dei, og det er vasskraftkommunane, som har vore nemnt. Så har me andre typar naturressursar for nokre kommunar som har vindkraft og oppdrettsanlegg som dei har stilt areal til. Dei har betydeleg mindre inntekter. Det er det skeive forholdet som eg oppfattar at forslagsstillarane ønskjer at ein skal setja seg ned og sjå på, slik at ein kan få eit liknande prinsipp. Eg skal ikkje snakka for mi sjuke mor her, for Austevoll kommune valde for nokre år sidan å seia nei til gjorde eit anna val. Viss ein ser på Fitjar, har dei fått 44 vindmøller det siste året og har inntekter frå dei på 8,5 mill. kr i året i form av eigedomsskatt. Det er temmeleg lite samanlikna med dei naturinngrepa som er gjorde i Fitjarfjella. Dei har stilt store areal til rådvelde for at ein skal produsera miljøvennleg energi, og dei får 8,5 mill. kr i året i kompensasjon eller i eigedomsskattinntekter. Går ein nokre mil lenger inn i fylket til Modalen som har ein annan type naturressurs, nemleg vasskraft, kan ein lesa i årsmeldinga til Modalen kommune at dei hentar 47,6 pst. av inntektene sine i konsesjonsavgift, naturressursskatt og eigedomsskatt. Det er meir i inntekt frå dei tre enn frå rammetilskotet frå staten. Det er det som gjer at kommunar som er rike på andre ressursar, som Fitjar på vind og areal til vindkraft, føler at dei burde fått ein større del av verdiskapinga når ein ser på kor mykje meir vasskraftkommunane får. Eg ønskjer ikkje ta frå vasskraftkommunane noko, men eg ønskjer å sjå på eit regime som kan vera meir
Eg synest for så vidt at debatten og replikkordvekslinga har vist at dette i beste fall er eit veldig dårleg gjennomarbeidd forslag fordi dei ulike forslagsstillarane har ganske ulik inngangsport til korleis dette skal lesast. Når representanten Ropstad igjen trekkjer fram grunnrenta og prinsippet om grunnrenta som det store prinsipielle i dette, er det heilt rett som statsråden seier, at skulle ein påleggje dette ein grunnrenteskatt, ville det gå til staten og ikkje til dei berørte lokalsamfunna. Det er ikkje Senterpartiet sin intensjon. Då måtte ein vere langt meir målretta og snakke om ein naturressursskatt eller liknande. Det vil i alle fall eg vera villig til å diskutere, men nokon sterkare samla skattlegging av denne bransjen trur eg er uklokt, og det er uklokt å starte ein diskusjon om grunnrenteskattlegging. Så er det heller ikkje riktig som Framstegspartiet og representanten Skumsvoll seier at no er opposisjonen samla einig om å sikre kommunane eit betre utkome, og eit system for det. Det er ikkje det som ligg i det forslaget her. Det einaste ein er einig om, er å be regjeringa setje ned eit utval for å sjå på problemstillinga. Det er noko ganske anna. Det vil få dei konsekvensane at aktørane vil setje seg på gjerdet, som eg sa i innleiingsinnlegget mitt. Eit siste tankekors er at desse fire opposisjonspartia også har ulik inngang til den skattlegginga som i dag blir brukt for å sikre kommunane inntekter. Når representanten Njåstad viser til Fitjar og dei millionane som trass alt Fitjar får inn på grunn av vindkraft, er det ein eigedomsskatt som Framstegspartiet ikkje er for. Det må vere eit tankekors fordi eit samla system vil gje reduserte inntekter til både Fitjar og andre vindkraftkommunar og vasskraftkommunar som i dag bruker eigedomsskatten aktivt på verk og bruk for å få

på vindkraft, er for meg uforståelig. Så er det helt riktig som statsråden påpeker – det skal jeg gi ham – at det er ingen grunnrente på vindkraft i dag, så det burde stått et annet ord der, naturressursskatt eller annet. Men hensikten med dette forslaget er å se på om man kan ha noen insentiver for kommunene til å legge til rette for lokal verdiskaping. I Høyre mener vi at man bør ha det uansett ved at en større del av selskapsskatten kan tilfalle kommunene, slik den gjorde før. gjorde før. Da vil også behovet for eiendomsskatt ikke bli så sterkt. Det må lønne seg å stille arealer til disposisjon for å skape arbeidsplasser lokalt. Når det gjelder vindkraft bør det også gjøre det. Det eneste vi har bedt om, er at det nedsettes et utvalg for å se på denne problemstillingen. Er det noe vi kan gjøre for å gjøre det mer attraktivt? Så har statsråden helt rett i at dette vil jo ikke bidra til at det blir bygget masse vindkraft i for utfordringen ligger ikke i hvordan skatteinntektene skal fordeles. Utfordringen ligger i at det ikke er noen skatteinntekter å fordele veldig mange steder, fordi det ikke er lønnsomt å bygge ut så veldig mye vindkraft i Norge med så lav kraftpris som vi har nå, dessverre. Det er der utfordringen ligger. Da må vi heller se på hvordan vi skal anvende den kraften vi nå får gjennom de grønne sertifikatene, ved å øke utvekslingskapasiteten med utlandet, f.eks. ved å fase ut fossil energi og erstatte med fornybar energi der det er hensiktsmessig, og f.eks. ved å legge til rette for miljøvennlig energiproduksjon slik at det blir lønnsomt å produsere ny fornybar energi, slik at vi får brukt denne ressursen og tatt landet i bruk, slik representanten Sande også var inne på.

må det være en ordning. Det er sikkert feil å kalle det grunnrente, men det må være et tilskudd som gjør at det er mer rimelig å tro at kommunene vil akseptere vindmølleparker. I min del av verden, i Vest-Agder, er det tre kommuner som har oppe spørsmål om vindmøller. Alle tre kommer til å gå imot det. Det er ikke riktig som statsråden sier, at mange kommuner står og tar imot dette med glede – i hvert fall ikke over heile landet. står og tar imot dette med glede – i hvert fall ikke over heile landet. Formueskatt liker vi ikke i Fremskrittspartiet, men vi liker å ha penger i kommunekassen, så av og til må en faktisk gå på akkord og innføre det også i de kommunene som styres av Fremskrittspartiet. så av og til må en faktisk gå på akkord og innføre det også i de kommunene som styres av Fremskrittspartiet. Jeg tenkte rett og slett at jeg skulle komme med fasit, for fakta har makta, og lese høyt fra innstillingen: «Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som skal utrede hvordan de skatte- og konsesjonsmessige rammebetingelser for vindkraftproduksjon kan utformes slik at berørte lokalsamfunn sikres en andel av grunnrenten fra vindkraftproduksjon og kompensasjon for lokale miljøulemper.» Så sier Astrup to ting som forvirrer meg. Det ene er at det ikke burde stått «grunnrenten». Så han innrømmer da at innstillingen kanskje ikke er fullt så presis og god som den burde ha vært. Er det slik at vi skal stryke

Men når man hører debatten og følger det som blir sagt fra denne talerstolen, sier den ene av forslagsstillerne etter den andre at dette er viktig å få på plass for å gi økte incitamenter til kommunene til å godkjenne dette, slik at man skal få på plass mer utbygging av vindkraft. Da er det i beste fall et resonnement som ikke deles av Høyre, og at man ikke er enig i selve forutsetningen for hvorfor man fremmer dette forslaget. Det man står igjen med, ifølge Astrup, er egentlig et forslag som handler om fordeling av skatteinntekter mellom kommune og stat, og at det egentlig er det vi diskuterer. Vel, hvis det er det vi skal diskutere, er mitt klare råd at det finnes klart mer presise formuleringer for å få fram den problemstillingen enn det som er fremmet i dette forslag. Dette er det umulig å lese i dette forslaget. Dette er det umulig å lese i dette forslaget. Dette handler om grunnrente og kompensasjon for lokale miljøulemper, ikke om fordeling mellom stat og kommune. I motsetning til statsråden innrømmer jeg det gjerne når jeg tar feil. Det er

Det er helt åpenbart. Det kunne f.eks. stått «en andel av verdiskapingen» i stedet for «en andel av grunnrenten». Men det endrer ikke det faktum at vi ønsker at det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for verdiskaping, også vindkraftproduksjon. Så sier statsråden at jeg er enig i hans analyse av at det er lønnsomheten som er utfordringen. Ja, lønnsomheten er utfordringen. Men som representanten Skumsvoll var inne på, Så sier statsråden at jeg er enig i hans analyse av at det er lønnsomheten som er utfordringen. Ja, lønnsomheten er utfordringen. Men som representanten Skumsvoll var inne på, er ambisjonen at vi skal ha en teknologiutvikling på dette området som gjør at vindkraftindustrien står seg uten subsidier, og at det vil være en verdiskaping som kommer til fordeling på sikt. Når den verdiskapingen kommer til fordeling, bør det lønne seg for kommunene å legge til rette for det. Derfor mener Høyre på generelt grunnlag, fordi det i dag ikke lønner seg å legge til rette for den verdiskapingen. Jeg tror ikke statsråden og jeg er så uenige om akkurat det aspektet. Det som er positivt med de grønne sertifikatene, er at det nettopp er en teknologinøytral støtteordning, som gjør at vi får frem ny fornybar energi, men politikerne plukker ikke vinnerne. Likevel er det et faktum at Norge har blant de beste vindressursene i Europa. Jeg tror vi har en felles ambisjon i denne salen om å bruke våre naturressurser på en slik måte at det skaper verdier for det norske samfunn, og som gjør at vi tar vare på miljøet. Så det er et potensial som jeg håper vi klarer å utnytte på sikt, men det vil kreve teknologisk utvikling. på mange måter en hjertestarter – eller en pacemaker, som noen kanskje ville si – som forhåpentligvis vil gjøre at denne næringen på sikt vil kunne stå på egne ben og at det vil være en verdiskaping å fordele. Hvem vet – kanskje vil det også på lang nok sikt være en grunnrente som vil komme til fordeling. Har vi da hatt et ekspertutvalg som har sett på hvordan på en slik måte at det lønner seg å legge til rette for vindkraftproduksjon, mener jeg vil være en fordel. Det er synd at ikke også regjeringspartiene ser verdien i det.

hva som er intensjonen i dette forslaget, nemlig i større grad å likestille, som representanten fra Austevoll tidligere var inne på, vannkraftkommuner og vindkraftkommuner, som begge utnytter en naturresurs. Begge skal ha tilbake en andel av den verdiskapingen. Forslaget er ment som et åpent forslag om å sette ned et ekspertutvalg for å se på hvordan dette kan gjøres. Jeg hadde håpet at bl.a. Senterpartiet kunne støttet intensjonen i dette forslaget, nettopp fordi det i Senterpartiets stortingsprogram for neste periode er uttrykt et så tydelig ønske om at lokalsamfunnene skal kunne ha en større andel av verdiskapingen knyttet til vindkraftproduksjon. Så fortsetter debatten for fullt. Neste statsråd Ola Borten Moe. Jeg kunne valgt å fortsette der jeg slapp, og si at forskjellen mellom vindkraft og vannkraft er at det ene lønner seg og at det andre lønner seg ikke – derfor er det mulig å skattlegge det ene og ikke det andre. Den slags teoretiske betraktninger om hva det går å skattlegge eller ikke, skal jeg imidlertid ikke bruke tid på nå på talerstolen. Men jeg tenkte å si at hvis man legger godviljen til, tror jeg det er bred enighet om intensjonene i hva man ønsker framover for Norge. Jeg tror vi har alle et bredt ønske knyttet til å få plass mer vindkraft, og at det skal bygges flere vindmøller i Norge i tiden fram til 2020. Jeg tror det beste svaret vi kan gi aktørene i dette markedet er stabile og forutsigbare rammevilkår, forutsigbare rammevilkår, og en tilgang til tillatelse og konsesjoner på de beste stedene i god tid før sertifikatmarkedet utløper i 2020, slik at denne typen realisering er muliggjort og lar seg gjøre å få på plass. Som sagt håper jeg og regjeringen å kunne gi nye store konsesjoner før valget. Så tror jeg vi har et felles ønske om at kommunene skal ha en rimelig andel av Det er et viktig prinsipp for Senterpartiet, og det er et prinsipp som mange partier deler. Jeg opplever rundt omkring i norske kommuner et veldig ønske om aktivitet, utvikling, investeringer og verdiskaping. Jeg er også av den oppfatning at vi har en incitamentstruktur som fungerer. I dette tilfellet er det eiendomsskatt eller utbyggingsavtaler som gjelder. gjelder. Hvis det skulle bli slik at lønnsomheten går betydelig opp, noe jeg håper at den gjør, vil jo også det gjenspeiles i verdien på anleggene. Følgelig vil man få et bredere og større skattegrunnlag og en større verdiskaping, som vil komme norske kommunekasser til gode. Det er veldig bra. Så sa Astrup noe veldig interessant. Han stilte spørsmål om de grønne sertifikatene var en hjertestarter eller en pacemaker. Det de grønne sertifikatene var en hjertestarter eller en pacemaker. Det tror jeg er en debatt som ennå ikke er avsluttet, men intuitivt håper jeg at dette blir en hjertestarter, og noe som kan bidra til at disse energibærerne blir lønnsomme i kraft av seg selv på noe sikt. Jeg vil gjerne avslutte med å si også til representanten Astrup – at skulle det være sånn at det går riktig så bra, og at vindkraftproduksjonen i Norge faktisk bærer en grunnrente, har jeg såpass tiltro til skattepolitisk avdeling i Finansdepartementet at jeg tror at den type forslag da vil dukke opp

Regjeringa kan knytte til seg ekspertise når den vil. Den trenger ikke, som representanten Skumsvoll antydet, noe stortingsvedtak for å få til det. Hvis dette er et bilde som endrer seg vesentlig i tiden framover, er jeg helt enig med statsråden i at skatteopplegg hører inn under Finansdepartementet og i statsbudsjettet, og da vil en helt Problemet er at opposisjonen har fremmet et forslag der man ikke egentlig vet sjøl hva man ønsker, og nærmest invitert til et seminar om hva som kan gjøres for å få skatt til kommunene. Tiden er rett og slett ikke inne for å ha noe seminar om dette. Nå bør det være stabile vilkår som gjør at det kan lønne seg for flest mulig å etablere vindkraft.

både vindkraft og annan aktivitet. Det er rett og slett fordi ein, som det òg har blitt påpeika av fleire, blandar inn grunnrente og grunnrenteskatt. Det er fordi ein i intensjonen bak forslaget – viss ein les heile dokumentet frå opposisjonen – blandar inn selskapsskatten, som ein veit at det er vesentleg politisk usemje kring, og premissar som ein ikkje kan gå inn på frå vår side. side. Det er ikkje minst fordi dette ikkje er tida for å setje ned eit utval og starte eit stort politisk arbeid kring rammevilkåra for ein bransje som no har eit kort tidsvindauge fram mot ei grøn sertifikatordning, der vi i fellesskap har sett ein dato, 2020, som dei må ta omsyn til. Representanten Henning Skumsvoll har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad på inntil 1 minutt.

vi skal få et utvalg av disse såkalte ekspertene, som skal se på hele systemet rundt vindkraftproduksjonen, og se om man kan sammenligne det med vannkraftproduksjonen, for det er to sider av samme sak: Det som kommer i luften, og det som kommer i bakken – vind og vann. For kommunene er det rimelig å anta at man her kan gjøre noe – det er det Det er ikke snakk om at vi skal endre Grunnloven, men vi skal kanskje komme med et forslag som kan være noe å diskutere videre. Representanten Nikolai Astrup har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad på inntil 1 minutt. Jeg beklager å ta ordet så ofte, men jeg ble så inspirert da jeg hørte landbruksdebatten tidligere i dag, der var det så mange som Representanten Sande sa at dette ikke er tiden for å sette ned et slikt utvalg. Jeg mener at dette nettopp er tiden for å sette ned et slikt utvalg. Nå har bransjen syv år på å lukke vinduet for grønne sertifikater, og så får de støtte i 15 år etter det. Da er det viktig å begynne nå å tenke på hvordan vi skal tilrettelegge for at kommunene kan sitte igjen med en andel av verdiskapingen i tiden etter 2020, nettopp for å skape incentiver for kommunene til å tilrettelegge for den type virksomhet, også når de grønne sertifikatene ikke lenger er en drahjelp for produsentene. Det er en kjensgjerning i dag at det er stor lokal motstand mot mange vindkraftprosjekter, og jeg tror nok økonomiske incentiver vil være et bidrag til at kommunene vil være mer positive i mange tilfeller.
merknad var interessant, for han sier at det ikke lønner seg for kommunene når man ser på inngrepene. Nå er det sånn at det foreligger prosjekter og planer for utbygging av vindkraft som kanskje er så mye som ti ganger så store som det som kommer til å bli realisert. av disse prosjektene kommer til å bli avvist fordi de har for store virkninger på naturmangfoldet. Da skal de avvises med det som begrunnelse, og det skal ikke oppveies ved at kommunene eventuelt får mer skatteinntekter. Det er viktig. Flere har ikke bedt om ordet i sak nr. 5. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det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 understreker viktigheten av å ivareta kulturminnene i Norge, til beste for fellesskapet og fremtidige generasjoner. Kulturminner er viktige kilder til kunnskap og opplevelse og et bindeledd mellom tidsepoker som har stor verdi for samfunnet, og stor betydning for vår identitet, trivsel og selvforståelse. Samtidig er kulturminnene under press fra flere hold. Befolkningsvekst, sentralisering og urbanisering, klimaendringer og samfunnets behov for ny infrastruktur bidrar til dette. Det gjør det ekstra viktig med en gjennomtenkt og helhetlig strategi for å ta vare på og ruste opp viktige kulturminner. Det er liten tvil om at det er private eiere og frivillige organisasjoner som gjør en betydelig del av jobben med å ivareta kulturminnene. Svært mange kulturminner er i privat eie, og svært mange kulturminner som ikke er i privat eie, har stor glede av frivillig innsats og engasjement i lokalsamfunnet. Et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private eiere er derfor den viktigste garantien for at kulturarven blir ivaretatt også i fremtiden. Det offentlige har et særlig ansvar for å legge til rette for dette samarbeidet, gjennom tett dialog og langsiktige, gode og motiverende rammebetingelser, og med respekt for frivillighetens uavhengighet og egenart. Komiteen mener at det offentlige må legge til rette for nye bruks- og aktivitetsområder for kulturminner. Bruk er ofte det beste vern. Samtidig kan nye bruksformer legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser og bidra til å holde gamle håndverkstradisjoner i hevd. De små verneverdige håndverksfagene må styrkes, og slik kan vi sikre den nødvendige kompetanse til å ivareta vår felles kulturarv. Også i kommunene er det viktig at det finnes god nok kompetanse på kulturminnevern, slik at viktige kulturminner kan ivaretas og videreutvikles, til glede for lokalsamfunn og tilreisende. Mange kulturminner representerer store verdier som vi skal ta vare på for kommende generasjoner. Verneverdien er imidlertid ikke like stor for alle kulturminner, og omfanget av vern må veies mot både verneverdien og økonomiske hensyn. I St.meld. nr. 16 for 2004–2005, Leve med kulturminner, ble det nedfelt tre nasjonale mål for kulturminnepolitikken. De omhandlet bl.a. mål om å sikre fredede og verneverdige kulturminner og ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen og om at tap av kulturminner ikke skulle overstige 0,5 pst. årlig innen 2020. For å følge opp disse målene vedtok Stortinget to år senere at det skulle etableres ti bevaringsprogrammer. Noen av bevaringsprogrammene har hatt gode resultater, bl.a. har 21 av våre 28 stavkirker blitt satt i stand. Samtidig er det mye som gjenstår før 2020-målene er nådd. Utfordringen for de ti programmene er ulike, men gjennomgående er det mangel på håndverkskompetanse og økonomiske ressurser til å ferdigstille programmene. Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon i 2008–2009 konkluderte med at sentrale forutsetninger for å nå 2020-målene ikke er på plass. Høyre mener denne stortingsmeldingen ikke innebærer noen vesentlige nye virkemidler som vil bidra til å nå målene Stortinget har satt seg. Det er særlig for private eiere av kulturminner at det er nødvendig med nye målrettede tiltak som kan bidra til å heve motivasjonen og den økonomiske evnen til å ivareta viktige Høyre foreslår derfor at det innføres skattefradrag for vedlikeholdskostnader for fredede bygg, og at fredede bygg fritas for kommunal eiendomsskatt. Dette er enkle og ubyråkratiske virkemidler som vil avhjelpe situasjonen betydelig for private eiere. Det er også avgjørende at selve fredningsprosessen forbedres. Det må innføres frister for fredningstiltak og bestemmelser som sikrer eierne tidlig og reell medvirkning og innflytelse i fredningsprosesser. Høyre mener også at det bør innføres krav om utredning av administrative og økonomiske konsekvenser av fredningsforslag og tilbud om oppfølging overfor eierne. Hvis bruksverdien reduseres som en følge av fredning, bør eierne kompenseres for dette. Høyre mener også det bør utredes en modell for prioritering og finansiering av arkeologiske utgravinger som forbedrer fordelingen og den økonomiske belastningen ved denne typen Da Norsk kulturminnefond ble etablert i 2002, var det for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i finansieringen på kulturminnefeltet og for å finne gode måter å koble offentlig og privat kapital. Så langt har fondet vært en suksess fordi offentlige tilskudd har bidratt til å utløse betydelig finansiering fra private eiere og næringslivet. Dessverre ble Kulturminnefondet avviklet som fond i 2012. For å sikre forutsigbar kapitaltilgang foreslår derfor Høyre at fondet gjenopprettes, og at avkastningen settes til lik avkastningen fra Statens pensjonsfond utland. Hvis vi skal nå kulturminnemålene i 2020, må fondskapitalen styrkes i årene som kommer. Jeg tar med dette opp forslagene nr. 1 og 2 fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, og forslag nr. 3 fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Nikolai Astrup har tatt opp de forslagene han refererte til. Kulturminna er del av kulturarven og historia vår, ein arv og ei historie som styrkjer vår identitet, som gir oss ein referanse og ein basis i møte med nåtida, framtida og andre folk og kulturar. Vi møter andre med større respekt og forståing om vi er trygge på vår eigen identitet og kultur. Kulturminna gir oss opplevingar og kan vere svært gode attraksjonar og dermed bidra til verdiskaping. bidra til verdiskaping. Derfor skal vi ta vare på eit representativt utval av ulike kulturminne, som stavkyrkjer og andre bygningar, ruinar, arkeologiske kulturminne, kulturmiljø og tekniske og industrielle kulturminne, for å nemne nokon. I kulturminnemeldinga frå 2005, Leve med kulturminner, blei det trekt opp eit program for ti ulike kulturminneområde med klare mål fram mot 2020. Meldinga vi behandlar nå, viser at svært mykje er gjort, men det er òg klare utfordringar på nokre område. Det trengst meir kompetanse, ikkje minst handverksfagleg kunnskap og kapasitet og sjølvsagt økonomiske ressursar. Våre gode verktøy er riksantikvaren og fylkeskommunane, men kommunane som har arealplanansvaret, treng råd og hjelp. Riksrevisjonen har påpeikt at mange kommunar har mangelfull kompetanse til å skjøtte oppgåvene er det svært bra at Miljøverndepartementet og riksantikvaren har etablert prosjektet Kunnskapsløft for kulturminneforvaltinga og andre tiltak for å auke kompetansen. Statlege løyvingar til kulturminnearbeidet har auka med over 12 pst. det siste året. Alt i alt bruker vi nå over 570 mill. kr på kulturminne- og kulturmiljøområdet. Likevel treng t.d. private eigarar av kulturminne betre økonomisk stimulans i utfordringane dei har med å ta vare på verna og freda bygningar. Opposisjonen foreslår her skattefrådrag og fritak frå eigedomsskatten. Eg meiner det er langt betre med tilskot. Skattefrådrag betyr mest for dei som tener mykje, men mindre for dei som tener lite, og er derfor usosialt. Vi er ikkje tente med å bruke men heller å ha eit breitt skattegrunnlag og bruke pengane der vi meiner er rett til kvar tid. Vil vi bruke meir på kulturminnevern, må vi prioritere det og løyve pengane over statsbudsjettet, opent og realt. Det har kome fram under høyringane om meldinga at tilskotsordninga er byråkratisk, tungvinn og lite effektiv. Er det slik, må det gjerast enklare og effektivt. Derfor treng ein ein gjennomgang av ordninga. Ein god kulturminnepolitikk må ha som mål at kulturminne skal kunne brukast så mykje som mogleg. Bruk er ofte beste vern, og det motiverer òg til vern på ein god måte. Nye bruksformer kan leggje til rette for verdiskaping og arbeidsplassar. Istandsetjing og vedlikehald av kulturminne kan òg bidra til lokal verdiskaping. Her er det eit stort Som eksempel: I min eigen heimkommune har vi ein gard, i Hundorp, Dale-Gudbrands gard, som har fått ein svært så sentral plassering i kristningssagaen, dramatisert av Snorre Sturlason, samstundes som det her er unike fornminne. Denne kombinasjonen kunne gjort plassen til eit svært attraktivt reisemål og ein opplevings- og opplæringsstad om ein kunne fått noko meir statlege tilskotsmidlar for å leggje til rette for nettopp det, som da ville medverka til sårt trengande verdiskaping i bygda. Om vi vil ta vare på kulturminna våre aldri så mykje, må vi likevel heile tida vurdere omfanget av vernet. Det må vere samsvar mellom kva vi vil bruke av ressursar på å vareta kulturminna og omfanget av freding og vern. Konflikten oppstår særlig når det ikkje harmonerer. Det er òg viktig at vi vernar eit representativt utval og ikkje alt. registrere, fotografere og arkivere mange ting, men vi har òg behov for å byggje bustader, næringsbygg og ikkje minst infrastruktur i landet. Derfor vil enkelte gonger nokre kulturminne måtte vike. Til slutt: Eg meiner at kulturmeldinga syner at det blir gjort ein stor innsats for å ta vare på kulturminna og samtidig på det som vil vere tiltak framover for å nå oss om kor viktig kulturminneforvaltinga er i eit samfunn i endring, og korleis dei kulturhistoriske verdiane kan og bør vere ressursar og fellesgode i ei langsiktig, berekraftig

svært viktig dokument, nemlig Meld. St. 35 for 2012–2013, Framtid med fotfeste, Kulturminnepolitikken. Vi politikere bruker nok en del mindre tid på kulturminnepolitikken enn vi gjør på andre oppgaver i energi- og miljøkomiteen. artikkel i Aftenposten 13. november 2012 i anledning 100-årsjubileet for riksantikvarinstitusjonen, blir riksantikvar Jørn Holme sitert på følgende: «Dessverre ser mange lokalpolitikere og ordførere fortsatt på kulturminnevern som plunder og heft». Jeg tror nok at mange av oss stortingspolitikere å ha samme vurdering av kulturminnevern – dessverre. Kulturminner er en viktig kilde til kunnskap og opplevelser og er et bindeledd mellom tidsepoker, noe som har stor verdi for samfunnet. Kulturminner har en egenverdi, men representerer også miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier som har betydning for menneskenes identitet og selvforståelse. Fremskrittspartiet synes det er viktig at det offentlige Norge fører en politikk som ivaretar kulturminnene i landet, til beste for fellesskapet og fremtidige generasjoner. Kulturminner forteller om utviklingen i samfunnet fram til i dag. Historiske bygninger, bymiljøer, arkeologiske spor og landskaper er kulturminner. Kulturminner er forbindelse til Kulturminner fra andre kulturer gjør det også lettere å forstå den multikulturen som i dag blir stadig mer utbredt i Norge. Fremskrittspartiet mener den norske kulturarven representerer store verdier både på land og på vann. Fremskrittspartiet mener at sjansen for å ta vare på et bredt spekter av kulturminner, er større dersom disse er i aktiv bruk og fyller en funksjon. Fremskrittspartiet er positive til å verne om vår felles historie, men det er nødvendig å være selektiv, slik at de kulturminnene som skal vernes, også kan vernes innenfor de økonomiske rammene som foreligger. De nasjonale målene for kulturminnepolitikken, som ble avklart i behandlingen av St.meld. nr. 16 for 2004–2005, har man ikke klart å gjennomføre. Dette konkluderte også Riksrevisjonen med etter en forvaltningsgjennomgang av St.meld. nr. 16, med kulturminner». Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti peker på at de økonomiske incentivene for å ta vare på fredede bygninger må forbedres. De samme partier foreslår at eierne av fredede bygninger må få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Først da kan man forsikre seg om at de fredede byggene blir vedlikeholdt. I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2013 foreslo vi å utvide fradrag for gaver til frivillige organisasjoner til også å gjelde kultur og forskning samt øke taket til 100 000 kr. Et annet område som avstedkommer store konflikter, er hvem som skal ta det økonomiske ansvaret for arkeologiske utgravinger når dette påkreves på privat eiendom. Fremskrittspartiet har et eget forslag: «Stortinget ber regjeringen om å legge fram en sak om at staten tar det økonomiske ansvaret for arkeologiske utgravinger når dette er påkrevet på privat eiendom.» Jeg tar opp forslaget fra Fremskrittspartiet. Representanten har tatt opp det forslaget han refererte til. Vi tar ikke vare på kulturminner fordi det er så hyggelig med noe gammelt. Kulturminnevern er viktig for å fortelle historien om oss, en historie som er nødvendig for å forstå både nåtid og framtid. Det er historien om oss, enten vi kommer fra bygd eller by, har bakgrunn i landbruk, fiske eller industri, enten vi har tilhørt overklassen deres praktbygg eller arbeiderklassen på husmannsplasser og i små stuer. Vi trenger å ta vare på et representativt utvalg av kulturminner, ikke minst også kulturminner knyttet til vårt samiske urfolk, våre nasjonale minoriteter og våre nye minoriteter – altså innvandrerne. I 2005 kom meldingen Å leve med kulturminner, som satte mål fram mot 2020. Riksrevisjonen har gått igjennom disse og påpekt at framdriften ikke har vært god nok. Den viktigste satsingen for å nå 2020-målene har vært å etablere ti bevaringsprogrammer. Siden oppstarten i 2007 er det utformet verneplaner, og et stort antall fredede kulturminner og kulturmiljøer er blitt satt i stand. Likevel er det mye som gjenstår for å nå 2020-målene. Det er åpenbart behov for økt økonomisk innsats, og det er komiteen enig i i en merknad. Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats på kulturminnefeltet. De står ikke bare for det helt nødvendige engasjementet, men de står også for mye faglig kunnskap på mange områder hvor det ikke ellers er så mye kunnskap. På høringen ble det påpekt en pussig ting, syns vi, at det ikke gis midler til rullende kulturminner – de eldste bilene – som mange har et stort engasjement for. får den litt underlige situasjonen at det som er satt opp for å verne bilen – garasjen – blir verneverdig og kan få tilskudd, men ikke bilen. Det er en urimelighet som Miljøverndepartementet og riksantikvaren bør se nærmere på når det ellers nå er blitt oppmykninger i hva det kan bevilges penger til fra Kulturminnefondet. Når det gjelder verdensarv, står det i meldingen at regjeringa ikke planlegger nye nominasjoner. Samtidig etterlyses samisk verdensarv i den nye verdensarvpolitikken. Fra Sametinget er det påpekt at det på Mortensnes, som er det største gravstedet som har vært lengst i bruk i hele Europa, kan inngå i et samisk verdensarvområde, som også dekker villreinjakt. Komiteen peker på at nomineringen av Mortensnes ikke må stoppes ut fra at man ellers ikke har planlagt nominasjoner. Opposisjonen fremmer fire forslag som jeg gjerne vil kommentere. Det første er at de foreslår skattefradrag. Det er vi jo vant til. Fremskrittspartiet fremmer jo nå skattefradrag for alle formål unntatt fagforeningskontingent. Generelt sett er vi tilhengere av et bredt skattegrunnlag med få skattehull og en lav skatteprosent. Når det gjelder vedlikehold av fredede bygg, tror vi i tillegg at dette vil føre til et stort byråkrati, siden fradraget jo ikke skal gå til standardheving, men kun til vedlikehold. I tillegg er skattefradrag en fordel som kommer dem til gode som har gode inntekter og høy skatt. Mange eiere av fredede bygg vil ikke ha noen som helst fordel av et skattefradrag. Det er derfor riktigere å satse på tilskudd for å dekke merkostnadene ved å ta hånd om et fredet bygg. Opposisjonen fremmer også et forslag om gjenoppretting av Kulturminnefondet, et fond som ble avviklet i 2013 og erstattet med en bevilgning. Det førte til, ifølge Kulturminnefondets direktør, at man fikk 6 mill. kr mer til Kulturminnefondets formål. Fremskrittspartiet foreslår at staten skal ta ansvaret for arkeologiske utgravinger, og Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår i en litt kryptisk formulering at regjeringa skal utrede en modell som gir bedre balanse mellom beslutningen om utgraving og kostnader og finansiering av denne. Det er nettopp det som er problemet. Det kan være mange forhold knyttet til utnyttingen av en tomt, ett av dem kan være behovet for arkeologiske utgravinger. Staten har neppe ubegrenset økonomi til å foreta utgravinger alle mulige steder der det kan være fornminner. Det vil da være behov for en prioritering. Jeg tror nok at mange utbyggere heller vil tenke seg å ta kostnadene knyttet til tomta sjøl enn å stå i en statlig kø. Jeg kan vanskelig tenke meg at en E18-utbygging eller bygging av et varehus for IKEA blir utsatt i ti år fordi de skal stå i en kø for prioritering av en statlig arkeologisk utgraving. For mindre private foretak fins det allerede i dag støtteordninger.
historia om Noreg. Dei lærer oss om kva som var, kunnskap om notida og gjev oss rotfeste inn i framtida. Så gjev det oss kunnskap om ein nasjonal identitet i møte med andre. Vi har eit ansvar for å bevare kulturminna nettopp for å fortelje historia om Noreg vidare til nye generasjonar. Difor er kulturminnepolitikken viktig. Gjennom løyvingar, tilrådingar og krav prøver vi heile tida å finne den rette balansen som gjer at vi til kvar tid tek vare på dei viktigaste og mest verdifulle av kulturminna våre. Vi vil aldri klare å ta vare på alt. Det skal vi heller ikkje, men vi må ta vare på nok til at dei som kjem etter oss, får eit innsyn i korleis vi og dei rett og slett få lære historia om Noreg. Senterpartiet si politiske linje om at berekraftig bruk ofte er det beste vern, passar godt inn – ikkje minst i kulturminnepolitikken. Gjennom bruk av kulturminna sikrar vi verdiskaping og vedlikehald. Aktiv bruk av kulturminna gjev oss høve til å ta vare på ei mykje større breidd av kulturminne for ettertida enn dersom passivt vern ligg til grunn for kulturminnepolitikken. Dette har vi mange gode eksempel på rundt om i landet vårt. Ikkje minst gjer det store innslaget av privat eige av kulturminne at kreativiteten og innsatsen kring berekraftig bruk er stor. Det er all grunn til å ta av seg hatten for den store innsatsen som frivillige organisasjonar og private eigarar legg ned i kulturminnebevaring. Vi må slå fast utan nokon førehald at vi aldri hadde hatt dei verdiane vi har, den mengda vi har, og den breidda vi har av kulturminne, om det ikkje hadde vore for den frivillige innsatsen frå organisasjonane og eigarane. Vi skuldar difor desse ei stor takk – også for å ha ein kulturminnepolitikk som legg til rette for at dei aktivt bidreg til at dei kan halde fram dette arbeidet. Det handlar frå Senterpartiet si side om at vi må styrke dei økonomiske incentiva for å ta vare på kulturminne – slik meldinga legg opp til, og sikre at midlane blir brukte effektivt og utan unødig byråkrati, og at midlane er lett tilgjengelege for dei som vil ta vare på kulturarven vår. Det handlar om at reglar og tilrådingar blir utforma i lag med dei som eig og ikkje blir trykte nedover hovuda deira. Det handlar om at prosessar som fredingsgjennomgang eller andre liknande registreringar respekterer at ein er inne på folk sin private eigedom – ja endåtil inni husa der folk lever liva sine – og at dette sjølvsagt må skje med den nødvendige respekt for privatliv og eigedomsrett. Frå Senterpartiet si side er vi glade for dei signala meldinga gjev om ein tettare og betre dialog med dei private eigarane. Det er også understreka frå komiteen si side, og det er svært viktig at departementet følgjer opp dette. Organisasjonar som er vener av kulturminnearbeidet, legg kvart år ned ein stor innsats for å ta vare på historia om Noreg. Det er viktig at desse også får rammer for organisasjonsarbeidet som legg til rette for vidare innsats. Her ynskjer eg å vise til det arbeidet regjeringa på generell basis har lagt ned for frivillig sektor gjennom fleire år. Det set fokus på frivillig innsats. Så til slutt og for eigen del: Kulturminnepolitikken er ikkje det denne komiteen har brukt mest tid på i inneverande periode. Nokre av oss har litt dårleg Mange tunge saker innan energi- og miljøfeltet fører til at kulturminnepolitikken av og til ramlar litt ned mellom alle stolar. Eg meiner vi må vere opne for ein diskusjon om kvar kulturminnepolitikken skal vere plassert i storting og regjering. Koblinga til historie, formidling og tilrettelegging gjer at ei plassering kunne ha løfta dette området endå høgare på den politiske dagsordenen. Det hadde i alle fall dette feltet fortent. Sjølv synest eg vi skal helse ein debatt om det velkomen. Når det gjelder komitefordeling, er jeg for så vidt langt på vei enig i det representanten Sande nettopp sa. Det er i hvert fall en debatt som er langt på vei enig i det representanten Sande nettopp sa. Det er i hvert fall en debatt som er viktig å ta. Jeg vil takke saksordføreren for en grundig jobb i saken, for gode merknader og arbeid. Den forrige kulturminnemeldingen, St.meld. nr. 16 for 2004–2005 Leve med kulturminner framlagt av Bondevik II-regjeringen med daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide. Ved behandling av meldingen satt Stortinget som nasjonalt resultatmål nr. 1 at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer skal minimaliseres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 pst. årlig. Ifølge Fortidsminneforeningen er beregnet tap i dag minimum 1,5 pst. I dag behandler Stortinget en ny kulturminnemelding kalt Framtid med fotfeste. Meldingen skal tydeliggjøre hvilke utfordringer som gjenstår for at vi innen 2020 skal nå målene som ble vedtatt i Stortinget i 2005. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg sier at denne meldingen føles litt som tilløp uten hopp. Det er en melding som er god på beskrivelse og dårlig på tiltak. Det er kanskje derfor den ble fremmet så mye på overtid – samtidig med mer enn 100 andre overtidssaker. Siden forrige melding har regjeringen fjernet et av de viktigste virkemidlene i kulturminnepolitikken: Kulturminnefondet. Det vil si: Kulturminnefondet er der fortsatt i navnet, men selve fondet som skulle sørge for finansiering, er fjernet. En sikker og stabil fondsløsning er erstattet med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. forklaring er at utbyttet ble lavt på grunn av synkende rentenivå. Løsningen på det er jo å sette avkastningen lik avkastningen fra Statens pensjonsfond utland på 4 pst. – ikke å fjerne selve fondet. Da ville bevilgningene til kulturminnevernet blitt doblet. I stedet fjerner en altså det fondet som vi fikk Riksantikvaren har fastslått at overføringene til kulturminnevernet må øke betraktelig dersom målet fra 2005 skal nås. Det er Kristelig Folkeparti enig i. Det mest gledelige med denne meldingen er derfor ikke alle beskrivelsene fra regjeringen, men forslagene som vi i opposisjonen har samlet oss om i innstillingen. De viser hvilken politikk alle som er opptatt av kulturminnevern, kan vente seg etter valget hvis det blir et nytt flertall. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer i dag forslag om innføring av fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet. Vi vil innføre moms- og fradragskompensasjon for pliktig vedlikehold av fredede bygg i privat eie. Vi foreslår også å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie – akkurat som Riksantikvaren har bedt om. Dette er svært målrettede tiltak som vil frigjøre store beløp til vedlikehold av fredede kulturminner og bringe oss nærmere målet om å redusere tapet av verneverdige kulturminner. Jeg antar at også Venstre støtter mange av forslagene. Disse tre partiene foreslår også å gjenopprette Kulturminnefondet som fond i statsbudsjettet for 2014.